til stede. Presidenten spør komiteen om det er greit at vi likevel starter debatten – det er planlagt en ganske lang debatt, og vi får tro at statsråden blir orientert om det innhold som blir framført. Hvis det er greit, starter vi med ordfører for saken – som er

Da er det bare én ting å gjøre, siden det ikke er noen annen statsråd til stede – som for så vidt er rimelig, i og med at forventet debattid på de første sakene er fire timer. Presidenten vil foreslå at vi midlertidig avbryter Stortingets møte, og at det vil bli ringt til møte igjen når statsråden dukker

har gjennomgått alle rutinene, men vi har

Rektorer, dekaner, professorer og organisasjoner har bidratt aktivt til at Stortingets behandling av denne saken skulle bli best mulig. Det har for min egen del nærmest vært en dannelsesreise å lede denne prosessen. Nå har denne dannelsesreisen i all hovedsak foregått innenfor Ring 3, men like fullt. Så har jeg også lyst til å takke mine kolleger i komiteen både internt i blokken og også i stor grad mellom blokkene. Det tror jeg er bra. Jeg har også lyst til å takke Kunnskapsdepartementet både for informative svar og for til dels imøtekommende svar på de henvendelsene komiteen har sendt.

å drive med planlegging av strategisk kunnskapsarbeid basert på fireårshorisonter. Vi må legge til rette for en lengre horisont enn det. Det mener jeg at komiteens arbeid har bidratt til. Vi har en bred politisk forankring for mye av hovedlinjene i meldingen og også – faktisk – en forholdsvis bred politisk forankring ut over innholdet i meldingen fra

debatten om relevans og/eller kvalitet oppimot arbeidslivet og akademia, behovet for en kraftsamling av menneskelige og finansielle ressurser rundt miljøer som kan løfte norsk forskning inn i den divisjonen den bør være, og forskningsinfrastruktur. Vi er ikke enige om alt, men vi er i stor grad enige om virkelighetsbeskrivelsen, og også i noen grad om i hvilken retning virkemidlene i framtiden bør innrettes. Om internasjonalisering er det det å si at vi er et lite og tynt befolket land i verdens absolutte utkant, på andre siden av verden av der hvor folk flest bor. Derfor er deltakelse i internasjonalt samarbeid om forskning av fundamental betydning for Norge. Det må vi gjøre for å følge internasjonale forskningsfronter – men også for å gjøre vår jobb når det gjelder å bidra til å flytte dem. Dette må vi gjøre for å rekruttere talenter fra utlandet til norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Vi må gjøre det for å styrke norsk næringsliv og forvalte internasjonale nettverk, ja vi må rett og slett delta i internasjonalt forskningssamarbeid for å sikre kvaliteten på det vi holder på med i Norge. Det må vi gjøre gjennom å eksponere dette – mot kolleger i utlandet. Akademia i Norge har en lang og sterk tradisjon for samhandling med

Vi er nødt til å opprettholde og styrke de relasjonene vi har til disse landene, helt åpenbart, men vi må utenfor komfortsonen i framtiden, bl.a. for å etablere samhandling med de landene som man etter hvert kaller BRICS-landene: Brasil, Russland, India, Kina og Sør-Afrika. Dette er raskt voksende økonomier som betyr stadig mer for forskningen internasjonalt og

Men det er bra at Norge og norske forskningssystemer er attraktivt for utlendinger. Det er åpenbart at det styrker kvaliteten på det vi holder på med. Da NIFU-rapporten fra 2012, Med doktorgrad i arbeidslivet, ble offentliggjort i vinter, var det en stor debatt om at det er et problem at så mange reiser hjem. Det er jeg enig i. Det er et problem at så mange av de utenlandske statsborgerne som kommer til Norge, forlater landet med en gang de har tatt sin ph.d. her. forlater landet med en gang de har tatt sin ph.d. her. Da debatten gikk om denne rapporten i vinter, framsto det som om det nesten bare var Tord Lien og Fremskrittspartiet som var bekymret for at så få nordmenn reiste ut. Bare 7 pst. av nordmenn reiser ut etter å ha avlagt ph.d. i Norge. Det bidrar ikke til internasjonalisering av norsk forskning. Derfor er jeg glad for at en samlet komité slutter seg til at det må være et mål at flere nordmenn reiser ut etter å ha avlagt ph.d. Jeg er glad for at det som i dag er mindretallet, men som til høsten vil bli flertallet i Stortinget – Høyre, Kristelig Folkeparti, Venstre og Fremskrittspartiet – fremmer forslag om å etablere stimuleringsordninger for å få flere nordmenn til å reise ut etter å ha avlagt ph.d. Det vil styrke internasjonaliseringen av norsk forskning. Det er sånn at EUs 7. rammeprogram for forskning er i ferd med å bli faset ut. Det skal erstattes av et nytt og noe annerledes program, som også skal inneholde innovasjon, nemlig EUs Horizon 2020. Da meldingen ble lagt fram, valgte regjeringen å spre usikkerhet om norsk deltakelse i EUs neste program for forskning, dette til tross for at meldingen er full av lovord om betydningen for norsk forskning av deltakelse i EUs rammeprogrammer. Regjeringen sier også at Horizon 2020 i enda større grad vil være tilpasset de norske forsknings- og utdanningsmiljøene. Derfor er det svært gledelig at en enstemmig komité klart og tydelig slår fast at Norge skal delta i Horizon 2020. Alternativet ville vært at de store norske forskningsuniversitetene hadde måttet samhandle med det europeiske B-laget når det gjelder forskning, og at de aller fleste høyskolene hadde vært ekskludert fra å delta i At en enstemmig komité i dag sier at dette blir vi med på, er svært bra. Samtidig er det viktig å opprettholde balansen mellom tilpasning til EU og å styrke forskningsfeltene av nasjonal betydning. Det er et mål å få mest mulig igjen for kontingenten til de forskjellige forskningsprogrammene i EU, men det må ikke bli et altoverskyggende mål. Vi deltar allerede i programmer som har en kostnad på tolv ganger kontingenten. Norske forskere deltar i som har en kostnad på tolv ganger kontingenten. Norske forskere deltar i forskningsprogrammer i EU med en pris på tolv ganger norsk kontingent. Vi får mye igjen for europeisk forskningssamarbeid uavhengig om vi krone for krone får alt tilbake til Norge. Det er også viktig å satse der vi har kunnskapsmessige, naturgitte eller næringsmessige fortrinn, som f.eks. på kreft-området, der vi har kompetansemessige fortrinn, når det gjelder arktisk, der vi har naturgitte fortrinn, energi, der vi har kunnskapsmessige, naturgitte og ikke minst næringsmessige fortrinn. Jeg har lyst til å berømme regjeringen på et område som kombinerer disse tingene – økt satsing på europeisk forskning og EU-programmene og satsing på det vi er gode på. Innsatsen fra Fiskeri- og kystdepartementet og andre departementer har gjort at vi har fått etablert Joint Programming Initiatives Oceans i regi av EU. EU. Da kombinerer man begge deler, man får EU til å satse på noe vi er gode på. Det må vi gjøre mer av. I denne internasjonale konteksten må vi også se komiteens ønske om fortgang i arbeidet med etableringen av Global Centres of Expertise. Det er en ordning som stimulerer til samhandling mellom bedrifter og akademier med sterke internasjonale posisjoner, hvor bedrifter og akademia kan spille hverandre gode i Norge, og spille på hverandres nettverk ute.

og at eventuelle planer om en mer kortsiktig finansieringshorisont blir lagt bort. Skal man etablere strukturer for samhandling mellom akademia og næringsliv, må tidshorisonten være av en viss størrelse. NCE-ene har hatt fem pluss fem, det bør også Global Centres of Expertise ha. Noe som har opptatt komiteen i større eller mindre grad, er Noe som har opptatt komiteen i større eller mindre grad, er debatten om og balansen mellom relevans og kvalitet. Jeg har lyst til å begynne med å understreke, som det i og for seg også står i innstillingen, at relevans uten kvalitet finnes ikke. Det går ikke an å si at utdanning og forskning er relevant for noe som helst, med mindre det også uten at det går på bekostning av kvaliteten. Akademia har flere roller å spille: Det skal skape grunnmuren for en kulturnasjon, skape oppslutning om felles universelle verdier, og også bidra til et kompetent og framtidsrettet arbeidsliv. Ensidig fokus på relevans for arbeidslivet i dag vil gjøre at noe går tapt. Kandidater som kan det samme som dagens ansatte, kan ikke utfordre det næringslivet de skal gå inn i. Vi skal forske på det næringslivet holder på med, sies det ofte. Nei, det skal vi ikke gjøre. Vi skal forske på det næringslivet skal holde på med i framtiden, om 15 år, 30 år, 45 år – det skal vi forske på. Noen av disse debattene om forskning ender ofte opp med å handle om New Public Management, så jeg har lyst på. Noen av disse debattene om forskning ender ofte opp med å handle om New Public Management, så jeg har lyst til å være tydelig på at alle partiene i det norske stortinget i denne innstillingen stiller seg bak tellekantsystemet, New Public Management, som overordnet styringssystem. Men samtlige partier, i hvert fall nesten, i hvert fall Fremskrittspartiet, er bekymret for at tellekantsystemet også gjør at ikke alt blir helt optimalt. Hvis man bare skal forske på det man vet man kan bevise, hvis man bare skal forske på hypoteser man vet at man kan bevise, går noe tapt på veien. Jeg har mange sider igjen i så jeg får heller komme tilbake til mine øvrige betraktninger rundt disse spørsmålene senere. Jeg har nå redegjort for innstillingen og tar opp de forslagene som Fremskrittspartiet er med på. Da har representanten Tord Lien tatt opp de forslagene han omtalte, og som er inntatt i innstillingen. Det åpnes for replikkordskifte, begrenset til inntil fire replikker. Jeg er

Men på ett område har Fremskrittspartiet en helt annen tilnærming: Fremskrittspartiet klarer ikke å være med og skrive én setning sammen med resten av flertallet om behovet for en kunnskapsbasert politikk på klimaområdet. Ikke én setning klarer Fremskrittspartiet å skrive om betydningen av at norske forskere deltar tungt i det internasjonale klimasamarbeidet. Er det fordi forskning på dette området er så utrolig ubehagelig for Fremskrittspartiets politikk? Takk til representanten Sørensen for gode ord om rollen som saksordfører. Jeg hadde bare lyst til å begynne med å understreke at det er ingen forskningsfelt som er ubehagelige for Fremskrittspartiet. Fremskrittspartiet. Representanten tar også feil – kanskje hun bør lese innstillingen en gang til – for den første omtalen fra en felles komité, inkludert Fremskrittspartiet, om klimaforskning kommer på side sju eller åtte. Det er en enstemmig komitémerknad, så det er ikke riktig at vi ikke er med. Så har vi valgt å skrive om klimaforskning i en egen merknad. merknad. Der tar vi for oss en utredning som regjeringen har bestilt, og som er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd. Den sier akkurat det samme som det som Fremskrittspartiet peker på: Det er behov for større bredde og mer fri forskning på klima i Norge. Det mener Fremskrittspartiet det er viktig å få etablert.

Komiteens flertall understreker betydningen av de høye ambisjonene Norge har for miljøforskningen. Tapet av naturmangfold og klimaendringene er de to største miljøutfordringene menneskeheten står overfor. For å oppnå resultater i internasjonal miljøpolitikk trengs store internasjonale kunnskaps- og forskningsprosesser, som FNs internasjonale klimapanel er et godt eksempel

Det er veldig mye som er politisk styrt, og ifølge Norges forskningsråds egen evaluering er det for lite av klimaforskningen som er basert på kvalitetsparameterne. Det ønsker vi å gjøre noe med. Fremskrittspartiet går til valg på å styrke naturvitenskapelig og teknologisk forskning bredt. Det vil selvfølgelig også gjelde forskningen på den typen spørsmål som vi her snakker om, enten det er geologi, meteorologi, biologi osv. Jeg har også lyst til å uttrykke en takk til representanten

og det er ulik tidfesting av BNP-målet. Jeg bare lurte på om representanten Lien kunne si noe om hva slags forutsigbarhet han mener dette gir til sektoren, dersom det mot formodning skulle bli en annen regjeringskonstellasjon til høsten. Takk for gode ord. Det er Takk for gode ord. Det er Siv Jensen som uttaler seg om regjeringssamarbeidet på vegne av Fremskrittspartiet, men jeg kan allikevel si at vi går til valg på å styre sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre, som er helt enige med oss. Kristelig Folkeparti og Venstre har riktig nok litt større ambisjoner for når man skal nå 3 pst.-målet, men de tre partiene er helt enige om at vi trenger en langtidsplan. Det har vi notert oss at sektoren også er enig i. De tre partiene går nok inn i regjeringsforhandlingene med det utgangspunktet, og så får Høyre redegjøre for hvorfor de mener det de mener. Jeg noterer meg at det er betydelig enighet både på borgerlig side – iallfall mellom tre av partiene i og for seg også blant et langt større flertall i Stortinget. Så jeg er trygg på at vi på høyresiden fullt ut er i stand til å skape den forutsigbarheten som representanten Tingelstad Wøien etterspør. Jeg har heller ikke fått veldig mange kritiske bemerkninger om dette fra sektoren. Norge har klimaforskere som er Norge har klimaforskere som er blant verdens ledende. Jeg synes det er rart at saksordføreren ikke kan anerkjenne det. Vi har forskere som leverer tunge bidrag til den største vitenskapelige kunnskapsprosessen som skjer på det aller viktigste området vi har når det gjelder vår framtid, nemlig klimaforskningen. Den jobben norske forskere gjør i FNs klimapanel, fortjener anerkjennelse fra et bredt og enstemmig flertall i Stortinget. Jeg skjønner at det er helt andre forskere Fremskrittspartiet vil satse på i framtiden. Det jeg har lyst til å spørre representanten om, som jeg mener er helt grunnleggende for at vi skal ha en kunnskapsbasert utvikling, er: Mener han det er riktig at vi prioriterer at norske toppforskere på klima skal bidra tungt inn i FNs klimapanel, og skal vi fortsette å prioritere det for

tydelig at det nettopp er kvalitet som må telle. Jeg har ikke lyst til å stå her og peke på hvilke forskere som skal få midler. Til de ankepunktene som Sørensen tar opp: Det står ingen steder i innstillingen at vi ikke ønsker å satse på dette. Tvert imot står det at vi ønsker en økt satsing, men vi ønsker ikke en politisering av dette. Jeg er helt enig i at mange av dem som jobber med klimaspørsmål i Norge, er verdensledende innen det de holder på med.

Det er fascinerende å se hvordan Moser-ekteparet har bygget opp et sterkt forskningsmiljø og har oppdaget gridcellene, som har en nøkkelfunksjon i hjernens arbeid med å gi oss stedsans. Norske forskere er i front når det gjelder å løse de mysteriene som foregår i hjernen vår. Og ikke minst er det artig å lese om utviklingen av flerfaseteknologien. Den har gjort det mulig å senke produksjonskostnadene for olje dramatisk og også å åpne for oljefelt som ellers ikke ville vært drivverdige. Dette og veldig mange andre eksempler viser at vi kan være i front, at vi har gode resultater, at vi har grunn til å være stolte av universitetene og høyskolene våre og av næringslivsforskningen som pågår. Det har vært satset mye på forskning under den rød-grønne regjeringen. Fra 2005 har forskningsbevilgningene hatt en vekst på om lag 6,7 mrd. kr, eller hele Under den rød-grønne regjeringen har innsatsen til forskning og utvikling over statsbudsjettet økt fra 0,8 pst. av BNP i 2005 til 0,92 pst. av BNP i 2013. Dette har gitt resultater, i den grad forskningen kan måles kvantitativt. Av de landene som sammenlignes i forskningsbarometeret, har Norge hatt den klart sterkeste veksten i antall publiserte artikler. Antallet publiserte artikler har økt med 84 pst. fra 2001 til 2011. Når det gjelder siteringer, ligger vi over gjennomsnittet i EU-15. Men vi kan bli bedre. Vi har et ønske om å gi forutsigbarhet for forskningen og stadfeste de høye ambisjonene innenfor sektoren. Norge skal ha et velfungerende forskningssystem, høy kvalitet i forskningen, høy grad av internasjonalisering i forskningen og en effektiv utnyttelse av forskningsressursene og Når komiteen tverrpolitisk har sluttet opp om hovedtrekkene i meldingen, viser det nettopp høye ambisjoner. Vi vil sammen satse på kunnskapssamfunnet for å stå rustet til å møte morgendagens utfordringer. Vi vil satse på forutsigbarhet og langsiktighet for våre forskere og forskningsmiljøer. Vi står sammen bak de fleste av de virkemidlene som skal til for

Andre tiltak som nå utkvitteres, er å innføre en prøveordning for innstegsstillinger for særlig talentfulle, yngre forskere. Det skal utredes en ordning for flere doktorgrader i offentlige virksomheter, tilsvarende ordningen som i dag eksisterer for doktorgrader i samarbeid med næringslivet. Forskningsresultater skal gjøres tilgjengelig og formidles i et språk som legger til rette for at brukere kan anvende kunnskapen. Bruken av midlertidighet skal reduseres. midlertidighet skal reduseres. Det skal satses mer på å koble forskning og utdanning, bl.a. gjennom studentaktiv forskning. En skal vurdere om den helhetlige finansieringen av universiteter og høyskoler er hensiktsmesssig for å stimulere til god kvalitet og til at institusjonene satser på fagområder der de har særlige fortrinn.

næringslivet forsker mer. Derfor er vi glad for å kunne vise til at SkatteFUNN-ordningen ble betraktelig bedret i forslag til revidert statsbudsjett. Vi viser til teksten som legger vekt på BIA-ordningen, og at det er enighet om hvor bra GCE-ordningen er. Forskningspolitikken skal rettes inn mot fem strategiske mål, der forskningen skal bidra til å møte globale utfordringer, særlig innenfor miljø, klima, hav, matsikkerhet og energi. Det er alle enige om, bortsett fra Høyre. Den skal videre bidra til god helse, mindre sosiale helseforskjeller og helse- og omsorgstjenester av høy kvalitet samt forskningsbasert velferdspolitikk og profesjonsutøvelse i velferdstjenestene, og til et kunnskapsbasert næringsliv i hele landet samt næringsutvikling innenfor områdene mat, marin, maritim, reiseliv, energi, miljø, bioteknologi, IKT og nye materialer. De målene synes vi er Norge står overfor store utfordringer. Det blir flere og flere eldre i dette landet. Der det rundt 1970 var fire yrkesaktive bak hver pensjonist, vil det i 2030 være om lag to. Dette påvirker generasjonsregnskapet. Dette regnskapet er samfunnets lim. Det går ut på at vi får fra staten når vi er unge, at vi betaler inn til fellesskapet når vi har sterk rygg og kan arbeide, og at vi får igjen når vi blir seniorer. Skal vi finansiere velferdssamfunnet for våre barn i framtiden, må vi sørge for at vi møter demografien med forskning og teknologisk utvikling. For å møte denne utfordringen vil komiteen vektlegge demens og aldringsforskning innenfor helse- og velferdsforskningen. Klimautfordringene vi står overfor, er udiskutable. Flertallet har villet understreke betydningen av de høye ambisjonene Norge har for miljøforskningen. Arbeidslivsforskningen er også viktig og har fått sin plass i Petroleumsforskningen er ikke med i EUs nye program, Horisont 2020. Det har vært ekstra nødvendig å fokusere på denne forskningen i Norge. Disse områdene reflekterer særlig sentrale samfunns- og næringslivsutfordringer i landet vårt, og de ligger nær internasjonale satsingsområder. Vi har hatt en grundig realbehandling av forskningsmeldingen i komiteen. Det betyr at vi har kommet med noen forslag til andre punkter vi mener er nødvendige for å ha en god forskningspolitikk i landet. Det er flertall for å legge fram en stortingsmelding om studiekvalitet i høyere utdanning stimulere til økt konkurranse for å bidra til høyere kvalitet i norsk forskning, herunder styrke Forskningsrådets åpne programmer, særlig innen grunnforskning stimulere til mer forskning i næringslivet og til sterkere samhandling mellom akademia og næringsliv satse mer målrettet på internasjonalt fremragende forskningsmiljøer og universitetsmiljøer i verdenstoppen, etter modell av For å heve kvaliteten i norsk forskning og høyere utdanning ytterligere må internasjonalt samarbeid integreres tettere i flere norske forskeres hverdag. Det er enighet om å bidra til ytterligere internasjonalisering av norsk forskning gjennom tilknytning til det europeiske forskningsområdet ERA, full deltakelse i Horisont 2020 og utvikling av programsamarbeid med ledende forskningsnasjoner.

pst.-målet. Hva er det som gjør at Arbeiderpartiet ikke er innstilt på å være med på en slik tidfesting? Som representanten sier, har vi ikke oppnådd 3 pst.-målet, og det er mange grunner til det som faktisk er reelle. Vi har mange små og mellomstore bedrifter i dette landet, som gjør det vanskelig å få forskningsintensivitet, og vi har viktige sektorer som er utelatt fra regnskapet. Men årsaken til at vi ikke har ønsket å tidfeste målet, er at vi ikke føler at vi kan pålegge det private næringslivet å forske mer. Vi kan gi dem incentivsystemer, derfor har vi bl.a. opprettet SkatteFUNN, men det å si til næringslivet at innen et årstall skal dere forske mer, mener vi er en overstyring av næringslivet, som slike partier som Fremskrittspartiet vanligvis ikke støtter.

Den store utfordringen i forlengelsen av diskusjonen om 3 pst.-målet er å få til en betydelig sterkere forskningsinnsats i næringslivet. Her er det altså slik at f.eks. Forskningsrådet har sagt at det vil kreve betydelig sterkere offentlige virkemidler. Likevel er forskningsmeldingen nesten kjemisk fri for den type tenkning og satsing. Det ligger ingen nye tiltak for å styrke styrke innsatsen i næringslivet der, ingen nye incitamenter. Representanten Yrvin nevnte selv i sitt innlegg at det var en styrking av SkatteFUNN i forbindelse med denne såkalte krisepakken som kom i revidert. Hvorfor kan man ikke styrke disse virkemidlene før

tillegg til disse virkemidlene vi har. Det er opp til framtidige statsbudsjett å se hvordan man diskuterer hvordan næringslivet skal utløse mer forskningsmidler, men jeg tror vi skal være enig i at det tross alt er næringslivets ansvar. På Sørlandet har vi et næringsliv som er

Parallelt med det har det nye universitetet i Agder blitt holdt nede med manglende bevilgninger til bl.a. forskning. Disse to satsingsområdene henger ikke sammen. Er det sånn at regjeringspartiene mener at de nye universitetene skal ligge på et så konstant lavt nivå på forskningsfinansiering og dermed hindre at universitetet blir en verdig medspiller sammen med næringslivet, som går som det suser på Sørlandet? Ja, representant, først vil jeg si at jeg deler representantens beskrivelse av hvor bra det går i Agder. Vi har vært der i forbindelse med arbeidet med forskningsmeldingen. Det er et levende miljø, men en av utfordringene de har, er mangel på arbeidskraft. Når det gjelder finansiering av de nye universitetene, står det i komitéinnstillingen at man skal gå igjennom finansieringssystemet for universitetene og høgskolene. Jeg regner med at også de nye universitetene er en del av en sånn gjennomgang, men det må ses i en helhet. Det er riktig at også presidenten er representant, men den mest vanlige tiltaleformen er nok allikevel

dit. Man mener at næringslivet skal forske mer, men man er ikke så opptatt av hvordan man skal legge til rette for at næringslivet skal forske mer. Er egentlig denne målsettingen noen ting verdt når man skal leve på lang sikt? Er man da virkelig glad i det målet? Jeg vil henvise til det første svaret jeg ga, at når vi ikke ønsker å tidfeste målet, er det fordi vi da pålegger næringslivet å forske mer enn de kanskje muligens kan. Men jeg vil si at 3 pst.-målet står fast. Det deler vi, og vi deler beskrivelsen, men vi har altså ikke ønsket å tidfeste næringslivets forskningsinnsats. Det vi har hatt lyst til å gjøre, er å påpeke de virkemidlene vi har for å utløse nettopp næringslivets forskningsinnsats. Der har vi SkatteFUNN-ordningen, vi snakker pent om BIA-ordningen, og vi har bl.a. GCE-ordningene. Jeg vil si at vi er glad i 3 pst.-målet, men vi har litt forskjellig vinkling på hvordan vi skal få næringslivet til å forske mer, og hvordan vi skal pålegge dem en forskningsinnsats gitt den næringsstrukturen vi har, og de utfordringene vi har med å utløse næringslivets

forskningspolitikk blir anerkjent som det kanskje mest strategiske politikkområdet vi har i dag. Når man tidligere snakket om strategisk politikk, var det kanskje først og fremst forsvars- og sikkerhetspolitikk som pekte seg ut som det viktige politikkområdet for – skal vi si – et lands skjebne og et lands fremtid. Jeg mener det er grunn til å si at forskningspolitikk – i alle fall kunnskapspolitikk generelt – har overtatt denne rollen. Det er overordnet politikk vi snakker om. Det er sektorovergripende politikk, og det er det kanskje det politikkområde som har størst betydning for et lands fremtid. Det handler om å utvikle kunnskapsnasjonen, det handler om å sikre fremtiden, og det handler om å ha en kunnskapsberedskap som skal sikre at det går godt i landet i årene fremover. I veldig stor grad har forskningspolitikk å gjøre med et svært langsiktig perspektiv. Det har også regjeringen naturligvis lagt til grunn i forskningsmeldingen – ikke minst i tittelen på meldingen. Over hele verden ser vi en massiv investering i forskning, utvikling av ny kunnskap og ny teknologi. På mange måter kan man si at det internasjonale våpenkappløpet i dag er erstattet av et kunnskapskappløp. Og det er interessant å legge merke til at land som har hatt eller fremdeles har krevende sikkerhetsutfordringer, f.eks. tre land som Israel, Singapore og Sør-Korea, også er blant de landene i verden som satser aller, aller mest på forskning og teknologiutvikling. Alle de tre landene jeg nevnte, har en satsing som tilsvarer ca. 5 pst. av BNP. I Norge diskuterer vi altså om vi skal ha et 3 pst.-mål, som de fleste utviklede land har, og som også EU anbefaler, og vi vet at vi ligger langt under dette målet i dag. I tillegg til de landene jeg nevnte, gjelder dette flere andre land, og det er fristende også å trekke frem våre nordiske naboland. I Sverige er satsingen på forskning nesten 4 pst. av BNP, og det svenske BNP-et er ikke så veldig mye mindre enn det norske. Jeg tror Sverige kanskje aldri har tilgitt oss at Norge for noen år siden gikk forbi Sverige når det gjelder BNP, men det er altså ikke så enormt stor forskjell. Det som er den store forskjellen, hvis vi sammenlikner Norge og Sverige, er at svensk næringsliv står for en betydelig andel av den nasjonale forskningssatsingen. Så vidt jeg husker, forsker svensk næringsliv i dag for ca. 2,6 pst. av det svenske BNP, mens norsk næringsliv altså forsker for ca. 0,7 pst. – kanskje litt mer – av det norske BNP. Det er altså en ganske stor forskjell på norsk og svensk næringsliv. Samtidig er det slik at både Norge og Sverige er relativt små land. Norge er nok enda mindre og i større grad et utenforland, og for et land som Norge blir da posisjonering på dette feltet viktig. Hvis man mener at forskningspolitikk er et viktig strategisk et viktig strategisk politikkområde, er det svært viktig for Norge hvordan vi tenker og hvordan vi skal planlegge å posisjonere oss. Hva skal være vårt bidrag til å løse verdens store utfordringer? Hva trenger vi først og fremst selv av kunnskap? Og hvordan blir Norge mer attraktivt som samarbeidsland? Vi ser jo stadig sterkere internasjonalt samarbeid på dette området. Innenfor varehandel sies det at ekspertene opererer med tre suksesskriterier: beliggenhet, beliggenhet, beliggenhet. Jeg er fristet til å si at for forskning må de tre viktigste faktorene være: kvalitet, kvalitet, kvalitet. I et land som er svært avhengig av én sektor, både direkte og indirekte rent økonomisk, både i næringslivet og for statens budsjetter, blir det viktig å sikre forskning av høy kvalitet på utvalgte områder av stor betydning for Norge og å sikre teknologi og kunnskapsoverføring fra den store sektoren i dag – olje og gass – til andre bransjer og næringer. Det kan være fristede å trekke frem marin sektor hvor Norge har sterke fortrinn både næringsmessig og kompetansemessig. Marin sektor, som igjen er svært avhengig av havforskning og klimaforskning, har et relativt nytt forskningsområde som heter marin bioprospektering osv. Det har store implikasjoner og gir store muligheter for matproduksjon, medisinsk produksjon og dermed også for å løse de store, globale utfordringene innenfor mat og helse f.eks. Potensialet er enormt. Vi kunne gjort en enda sterkere satsing på dette feltet. Som bergenser må jeg kanskje også nevne at det i Bergen er sterke ambisjoner, og det jobbes strategisk med å samlokalisere og styrke de aktuelle miljøene i Bergen innenfor klimaforskning, havforskning og marin forskning. Dette vil være viktig for Bergens fremtid. Så har vi hatt en diskusjon allerede i denne debatten om det såkalte 3 pst.-målet. Hvorfor har man et slikt mål? Hvorfor anbefales det internasjonalt? Det er et mål på hvor mye av samfunnets verdiskaping i dag som bør settes til side og investeres for å legge grunnlaget for morgendagens verdiskaping. Det er et tilsvarende mål som det målet som anbefales for norske kommuner, at man skal ha et driftsresultat på 3 pst. – det er det tilfeldigvis faktisk også der – og sette det til side for å trygge økonomi og investeringer for fremtiden. Slik må vi se på og hvis vi altså ser ut i verden, er ikke et 3 pst.-mål i seg selv vanvittig ambisiøst. Vi har land som opererer med både 4 pst.-mål og 5 pst.-mål. Regjeringen ønsker altså ikke å tidfeste dette målet. I Høyre har vi hatt debatt om dette – også i forkant av Høyres landsmøte. Vi har valgt å tidfeste dette målet til 2030. Jeg vet at Venstre og opererer med en mer ambisiøs målsetting. Poenget er i alle fall at når man har tidfestet et slikt mål, kan man sette seg ned og legge planer for hvordan målet skal nås. Hvis man ikke tidfester målet, er slik planlegging helt meningsløs. Derfor kommer ikke regjeringen en gang ut av startgropen når det gjelder å legge ambisiøse planer for forskingssatsing i Norge for årene fremover. Vi har en tidshorisont til 2030, det er fire stortingsperioder. Da er det mulig å sette seg ned og brekke dette ned og lage operative planer for hvordan det skal være mulig å nå et slikt mål. Og selvfølgelig er det slik, som flere talere allerede har vært inne på, at den store utfordringen ligger i næringslivet. Hvis næringslivet skal forske for 2 pst. av BNP – og dette er også regjeringen enig i, for den opererer jo med dette målet, dog uten tidfesting Hvis næringslivet skal forske for 2 pst. av BNP – og dette er også regjeringen enig i, for den opererer jo med dette målet, dog uten tidfesting – så innebærer det er tredobling i forhold til dagens nivå. Dette vil kreve sterke offentlige virkemidler – Forskningsrådet sa det i sitt innspill til forskningsmeldingen – og det er slike virkemidler vi må diskutere hvordan vi skal designe og forsterke. Da er det ganske påfallende – jeg må få lov til å si det at næringsministeren ikke ser ut til å vise seg her i Stortinget i forbindelse med dagens debatt. I de fire budsjettdebattene jeg har vært med på i denne stortingsperioden i forbindelse med forskningsbudsjettene, har næringsministeren heller aldri vært til stede. En annen statsråd – fiskeriministeren – har vært til stede i alle disse debattene og deltatt aktivt og positivt. Det står det respekt av. Men næringsministerens fravær er oppsiktsvekkende.

og oppsiktsvekkende at Høyre ikke er med på sentrale elementer i innstillingen. Jeg vil vise til tre punkter: Høyre er skeptiske til tiårsplan, de er ikke med på at langtidsplanen bør inneholde nasjonalt viktig forskningsinfrastruktur, og de er ikke med på de forskningspolitiske målene som ble slått fast i forrige forskningsmelding, og som også står i denne som hovedmål. Hvorfor er ikke Høyre med på dette, siden de var med på det i forrige stortingsperiode, og siden alle de andre partiene i Stortinget er med på dette? Jeg takker for spørsmålet. Vi har fra Høyres side vært noe spørrende – det må jeg nok få lov til å si – til den litt bombastiske presentasjonen av en langtidsplan for forskning, fordi vi har stilt oss spørsmålet hvordan forholdet vil være mellom en slik langtidsplan og de styringsdokumentene vi allerede har.

Eksempelvis er både langtidsplanen og det internasjonale forskingssamarbeidet motiverte ut frå behovet for å løfta kvaliteten. Eit anna grep for å løfta kvaliteten er å ha fokus på tredelinga av forskinga som føregår ved høgskulane og universiteta våre. Her er komiteen, minus Høgre, samstemt om behovet for meir samarbeid, betre arbeidsdeling og meir konsentrasjon nettopp for å heva kvaliteten. Heile sektoren kjem til oss og ber oss ta grep – studentane kjem, forskarane kjem, styremedlemane kjem. Spørsmålet er: Kvifor vil ikkje Høgre vera med på dette kvalitetsløftet, kvifor har Høgre kasta
representanten Tor Bremer konkluderer med at Høyre ikke står for en satsing på kvalitet, er det mye han har gått glipp av i løpet av disse fire årene her i Stortinget, bl.a. ulike representantforslag – senest i forbindelse med denne debatten og behandlingen av forskningsmeldingen, hvor vi altså har et eget representantforslag om hvordan vi kan få flere universitetsmiljøer i verdensklasse i Norge. Men det vi har som utgangspunkt, er nok at saksprosessene og saksreformene – eller hva man skal kalle dem for – med årlige kostnader på ca. 50 mill. kr ikke så langt vi kan se, har gitt noen konkrete kvalitetsløft i sektoren. Det jobbes veldig mye med kvalitet i alle disse institusjonene, både i nye og i gamle universiteter og også i høyskoler, men saksreformen som sådan og de pengene som har ligget der, har vi ment at i seg selv ikke har ført til noe kvalitetsløft. Ja, vi er Ja, vi er flere som er forundret over at Høyre står utenfor sentrale enigheter i forskningsmeldingen – og åpenbart langtidsplanen. Det som kanskje har forundret meg aller mest, er at Høyre står utenfor den ellers brede enigheten om de forskningspolitiske målene. Jeg la merke til at representanten brukte mye tid på å si at han var enig med Fremskrittspartiet om hvor mye penger næringslivet skulle bruke innen 2030, men man er altså ikke enig med resten av Stortinget om hva målsettingen for bruken av disse pengene skal være. Er det ikke litt oppsiktsvekkende at Høyre med sine ambisjoner har helt andre målsettinger for forskningen enn det resten av Stortinget har, og spesielt når Forskningsrådet selv har understreket hvor viktig det er med langsiktighet i slike målsettinger? Jeg må nok igjen si at virkelighetsbeskrivelsen av at Høyre har helt andre mål for forskningspolitikken enn de øvrige partiene, er noe oppkonstruert. Men vi har i vårt eget dokument, som er utarbeidet av Høyres forskningsutvalg i løpet av det siste året, laget noen – skal vi si – sammenhengende resonnementer knyttet til å kalle mål for litt andre ting. La meg veldig kort nevne noen eksempler: Vi opererer med fire hovedmål i dette dokumentet knyttet til høyere ambisjoner for norsk forskning, knyttet til verdensledende kompetanse, knyttet til et innovativt næringsliv, og knyttet til løsing av globale utfordringer. Det er det vi har kalt disse. At man da i forskningsmeldingen opererer med flere mål knyttet til globale utfordringer, betyr egentlig det samme. Så har vi laget seks strategier og i alt 40 tiltak – flere av dem er ferdige i forbindelse med behandlingen av denne meldingen. Kristelig Folkeparti, Venstre og Fremskrittspartiet sier i sin merknad at langsiktighet er

det gir tydeligvis mening. Det er også et tall vi ikke vet hva er om 17 år, når Høyre tenker at det skal tidfestes, og det er ikke det samme som Kristelig Folkeparti og Venstre mener. Så sier representanten at hvis en ikke planlegger 3 pst.-målet, er det ikke noen vits å planlegge. Da er mitt spørsmål: Er det erfaring fra egen regjering, f.eks. med tanke på NTP som de aldri har klart å oppfylle, som gjøre at Høyre er skeptiske til den typen langtidsplanlegging? Nå ble jeg litt usikker på om Høyre ble kritisert for både å være opptatt av langtidsplanlegging,

den største utfordringen i norsk forskning, det som kunnskapsministeren senest for en uke siden sa var den viktigste forklaringen på at Norge ikke satser nok på forskning, at det ikke forskes nok i næringslivet. Der skiller vi oss negativt ut, ikke bare i forhold til mange andre land, men også i forhold til våre nærmeste naboland. Den utfordringen gir forskningsmeldingen ingen svar på hvordan man skal løse. Det er den store utfordringen både på kort sikt og på lang sikt – ikke minst på lang sikt – hvis man mener at 3 pst.-målet i det hele tatt skal finnes, og det gjør jo regjeringen. Replikkordskiftet er omme. Vi er enige om svært mye i denne innstillingen, det synes jeg er en

nysgjerrighet», at grunnforskning er noe som krever langsiktighet og tålmodighet – vi vet ikke hva vi kommer til å trenge om 20 år. Jeg synes Dagsavisen i dag gir oss et lite innblikk i hva vi kan lære av å ha en god og solid grunnforskning. Det har kommet et nytt fag i biologien som heter

Det betyr at forskning har vært prioritert og satt høyere enn andre ting. Mye av denne debatten vil sikkert dreie seg om: Er det nok? Jeg har gjennomgående tenkt at man aldri skal svare ja på spørsmålet om det er nok.

kvalitet i den grunnleggende forskningen. Så er jeg utrolig glad for at vi har fått på plass at vi skal lage en langtidsplan – en langtidsplan som skal si noe om infrastrukturbevilgninger, og om hvordan vi skal nå våre strategiske fortrinn. Uten en sånn langtidsplan har vi ikke vist evne nok til å få sammenheng

at måten vi styrer samfunnet vårt på, måten vi driver offentlig forvaltning, skal være forsknings- og kunnskapsbasert. I de meget krevende politiske problemstillingene vi står overfor, er det utrolig viktig at vi har gode kunnskapsprosesser i bunnen, som gjør at vi er i stand til å fatte de best tenkelige beslutningene. Jeg er stolt over at vi har vært pådrivere for å bygge opp det som nå er FNs naturpanel, tilsvarende FNs klimapanel, som kommer til å få et delsekretariat i Trondheim, og som vil være ekstremt viktig for å lage et beslutningsgrunnlag på naturområdet, tilsvarende det FNs klimapanel gjør på klimaområdet. Disse grunnleggende kunnskapsprosessene er ekstremt viktige. I 1993 og 1994 hadde jeg gleden av å jobbe sammen med Kristen Nygaard i Nei til EU. Det er en ting som står sterkere igjen for meg enn noe annet av det jeg har lært av Kristen Nygaard: Skal du få folk til å dra i samme retning, må du begynne med å skape en noenlunde felles virkelighetsforståelse. Kristen Nygaard hamret det inn i den brokete forsamling som utgjorde Nei til EU i sin tid, at vi måtte prøve å få De store kunnskapsprosessene både nasjonalt og internasjonalt handler om å prøve å se virkeligheten noenlunde likt. Hvis man er helt uenig i hvordan klimasystemet fungerer, hvordan naturen fungerer, hvordan helsevesenet fungerer, er man jo dømt til ikke å klare å stille en felles diagnose og sette i verk de riktige tiltakene. Derfor er kunnskapsprosessene nasjonalt og internasjonalt, og måten forvaltning og politikk klarer å ta opp i seg de kunnskapsprosessene, helt avgjørende for at vi skal klare å fatte de modige og viktige beslutningene vi trenger for framtiden. Så er jeg også helt sikker på at Kristen Nygaard hadde vært for at vi slutter oss til Horizon 2020. Han var en mann som likte internasjonalt samarbeid på forskningsfeltet, og så absolutt ingen landegrenser der. Det er en stor utfordring for oss med Horisont 2020, hvis vi skal si det på norsk, og det er at vi er nødt til å få mer igjen for det. Vi må tørre å satse der vi får igjen penger fra systemet, sånn at det bidrar til å øke de norske forskningsbevilgningene. Miljøsektoren har gjort det godt i EUs 7. rammeprogram, og hentet tilbake mye. Det er ikke så rart. Vi har noen naturlige fortrinn. Vi har mye natur som mange i Europa synes det er spennende å forske på, fordi man ikke har så mye av den selv, og vi har verdensledende klimaforskere. Bjerknessenteret har levert tunge bidrag inn til FNs klimapanel, og Polarinstituttet er helt verdensledende på forskning knyttet til is. Det er klart at forskning på is og polare strøk må være et høyt og tungt satsingsområde for oss. Norsk institutt for naturforskning

å få økt forskningsmidlene, er vi avhengig av at instituttsektoren lykkes. Da har offentlig sektor og måten offentlig sektor er en oppdragsgiver på, og en bestiller, en stor betydning. Hovedprinsippet skal være at oppdrag skal konkurranseutsettes. Det sånn at alle institutter skal få muligheten til å konkurrere om oppdrag på like vilkår. Jeg registrerer at opposisjonen går noe lenger, og kritiserer dagens system med direkte tildelinger. Det kan være gode grunner for å kritisere systemet med direkte tildelinger når det fører til sektorisering av kunnskap, og jeg ber om at dette er en debatt som blir tatt med videre

av hvordan vi tar imot forskning. Jeg synes det er viktig at vi tar imot forskning – også den forskningen som ikke gir de svarene vi i utgangspunktet liker. Det er den forskningen som utfordrer etablerte sannheter, som plager oss, og som er litt ubehagelig fordi det likevel ikke var helt sånn som vi hadde tenkt, som er den aller viktigste og aller når man skal bidra til å skape et samfunn som også våre etterkommere kan være stolte av. Jeg vil bare avslutte med å si at det er bra at det er et såpass bredt flertall bak de lange linjene. Det er bra at denne forskningsmeldingen har fått såpass god mottakelse som den har, og den legger et godt grunnlag for økt satsing på forskning og kunnskap i

hadde det vært veldig greit om representanten ville støtte endring i det som foreligger på det punktet. Men videre, når det gjelder samspillet i meldingen, viser det seg også at det er systematisk og kontinuerlig samspill mellom forskning og innovasjon, og at det skaper en merverdi både i kunnskapsproduksjon og samspill mellom samfunn og næringsliv. Men det mangler faktisk en ganske vesentlig del på samspill, og det er mellom de ulike departementene. departementene. Dette kan være en flaskehals for å få til et godt samarbeid. Hva vil flertallet gjøre for å ivareta en helhetstenkning i departementet?

samtidig er det sånn at de beste debatter skjer i meningsbrytningen mellom klare interesser. Hvis vi ikke klarer å ha den meningsbrytningen mellom interesser og departementer og sektorer, tror jeg også vi får dårligere kunnskap. Representanten trekker også fram at sektorisering er et problem. Jeg er enig i at sektorisering kan være et problem. Samtidig er jeg opptatt av at man i hver sektor skal føle en stolthet for det man holder på med, og ha legitime interesser i å framføre sine budskap på bakgrunn av det. Det var interessant å høre om det indre liv i Nei til men er det noe felt hvor EU virkelig har satt dagsordenen, må det vel være på forskningssamarbeidsområdet. Det neste rammeprogrammet, Horizon 2020, som starter opp til neste år, får en økning i budsjettene på ca. 50 pst. i forhold til det forrige. Det er verdens største forskningssamarbeid, og det satses altså massivt. Her er Norge heldigvis med, selv om regjeringen var litt sen med å flagge det.

Heldigvis er f.eks. miljøforskning og marin forskning blant de gode nyhetene som har kommet på bakgrunn av denne gjennomgangen. Jeg tror at vi skal bruke den gjennomgangen vi hadde, det kritiske blikket vi hadde på denne gjennomgangen, til å sørge for at vi i neste runde får enda mer ut av det å være med i EU-samarbeidet enn det vi fikk i denne runden.

Kvinnekampen har til nå egentlig handlet om hvordan vi kan kombinere arbeidsliv og familieliv for å få med kvinner i flere sektorer. Men på dette området ser vi at regjeringspartiene ikke støtter oss i som er veldig vagt, men som vi tror kan være med og hjelpe – som lyder: «Stortinget ber regjeringen utrede nærmere muligheten for å innføre en «120 %-modell» for bedre å legge til rette for å kunne kombinere familieliv med en forskerkarriere.» Takk for et godt og viktig spørsmål. Det er ingen tvil om at vi i løpet av de nærmeste årene kommer til å se en slags – i forskningsverdenen, all den tid jenter/damer er så i flertall på grunnstudiene som det vi ser. Det vil også tvinge seg fram andre typer løsninger knyttet til det. Jeg har egentlig lyst til å berømme Kristelig Folkeparti, for jeg synes å erindre at de også har reist en interpellasjonsdebatt med statsråden om samme tema. Vi har vært interessert i å se på flere modeller som gjør at det skal være lettere å

Hvorfor får ikke lærerne stå først i køen når det virkelig er noen som trenger disse, når man skal fordele dem? Hvorfor kunne ikke SV være med på denne merknaden i komitébehandlinga? Det er vel ingen som har uttalt seg negativt om det som sådan. Spørsmålet var vel heller at det var kommet opp fra andre, som ikke vi hadde pekt på skulle stå først i køen, men som hadde stilt seg først i køen, og hvor det ligger til rette for det. Jeg har ingenting imot å lage flere karriereveier for lærere. Jeg har heller ingenting imot at ordninger også kan omfatte det. Men da saken kom ut som den gjorde, var det vel egentlig fordi man ønsket å gi positiv respons til noen som har tatt

I denne meldinga slås de forskningspolitiske målene og ambisjonene for norsk forskning fast. Regjeringa har høye ambisjoner på vegne av det norske forskningsmiljøet, men sier ikke samtidig at vi skal vite alt om alt. Den sier at vi skal ha bredde i forskninga, at grunnforskning er grunnlaget for all god forskning, men meldinga er tydelig på at vi skal satse videre på de strategiske områdene der vi mener Norge har særlig kunnskap, særlige fortrinn og særlig ansvar. Vi ønsker å heve kvaliteten og bidra til å skape flere forsknings- og utdanningsmiljøer i internasjonal toppklasse. Det er lett å måle vellykkethet innenfor forskning i forhold til hvor mye penger som bevilges. Denne regjeringa har – i motsetning til hva noen faktisk ser ut til å tro, eller har ønske om å spre en oppfatning av – økt innsatsen til forskning. Mens realveksten i statsbudsjettet er på 12,2 pst., har forskningsinnsatsen økt med hele Vi kan altså gjøre som opposisjonen: skrive at det hjelper ikke å «påpeke at forskningsbevilgningene har vokst, all den tid virkelighetsbeskrivelsene fra sektoren selv indikerer at utfordringene står i kø». Men forskningsbevilgningene har faktisk økt under den rød-grønne regjeringa. Og økt bruk av midler burde ha en betydning for forskningsevnen, sjøl om en gjerne skulle sett at det ble stilt enda mer midler til rådighet. Etter min mening faller Jeg skal ikke snakke mye om penger, men forskningsandelen målt i forhold til BNP står fast. Bevilgninger i seg sjøl sier oss imidlertid lite om hva vi faktisk får ut av forskninga, og om hvordan kvaliteten på arbeidet som blir gjort, er. Det brukes store summer til forskning, og da bør vi være vel så opptatt av hva vi får igjen. Spørsmålene vi må stille oss, er: Når vi våre mål, bl.a. om å utgjøre en forskjell innenfor våre strategiske områder der vi mener norsk forskning skal utgjøre en forskjell? Jeg tenker da på matsikkerhet, miljø, klima, hav, energi, IKT og nanoteknologi. Jeg mener vi gjør en svært god jobb innenfor mange av disse emnene, men det er ingen grunn til å hvile. Skal vi være i front på spesielle områder, må vi også være gode på å dele kunnskapen, mellom aktørene i forskningssystemet, universitets- og høyskolesektoren, nærings- og samfunnslivet. Vi må også bli bedre på samarbeid med internasjonale miljøer. Det sies at Norge trenger en sterkere kultur for forskning. Dette gjelder innenfor både det offentlige og det private. Verden er liten, og vi utfordres ikke lenger bare av nabokommunen, andre institusjoner eller bedrifter i vårt eget land. Vi konkurrerer internasjonalt. Derfor må både det offentlige og det private nærings- og samfunnsliv tenke annerledes enn eller bedrifter i vårt eget land. Vi konkurrerer internasjonalt. Derfor må både det offentlige og det private nærings- og samfunnsliv tenke annerledes enn de tradisjonelt har gjort. En må tenke mer på tvers. Som representanten Lien har jeg lyst til å trekke fram NCE-ene våre. Disse samvirkeklyngene, der flere bedrifter går sammen for forskningsinnsats sammen med akademia, er en god måte å arbeide på for å gjøre oss sterkere og viktigere. Norge har mange små og mellomstore bedrifter som vil ha store Fra mitt eget distrikt vil jeg spesielt trekke fram NCE-miljøet på Raufoss. De er det nasjonale kompetansesenteret for lettvektsmaterialer og automatisert produksjon. De består av i alt 41 medlemsbedrifter og har i tillegg 17 bedrifter i nettverket. Dette samvirket har knyttet til seg sin egen forskningsavdeling, et datterselskap under SINTEF og arbeider på kryss av ulike fagområder og tett på Dette samvirket er avgjørende for å øke innovasjonsevnen og dermed også lønnsomheten for bedriftene, bl.a. på Raufoss. De har spisskompetanse bl.a. innenfor materialteknologi og har nå sist utviklet titaniumtråd, som ingen i verden har gjort før dem. Det neste steget for de beste NCE-ene må være å utvikle dem til Global Centers of Expertice, GCE, med utgangspunkt i de forskningspolitiske målene som alle partier, unntatt Høyre, er enig i.

Det er da godt at hele komiteen slutter seg til en slik langtidsplan, men det burde bekymre at Høyre er veldig skeptisk. Det blir ikke forskning uten dyktige folk som har engasjement, vilje og tålmodighet. Derfor er det svært viktig at universitet og høgskoler har en god personalpolitikk som gir de ansatte forutsigbarhet. Vi vet at akademia har slitt med mye midlertidighet. Derfor er det

og faktisk leder de ett av EUs programmer. Jeg vil trekke fram dette informasjonssikkerhetsmiljøet på Gjøvik, som er det tredje største i Europa, og som ønsker å utvikle seg videre. Innen kort tid vil Høgskolen i Gjøvik starte opp et kompetansesenter i informasjonssikkerhet kalt Center for Security Economics and Technology, CSET. Her vil vi se et samvirke av behovshavere og akademia, som til dels kan sammenliknes med

Matvaresikkerhet er et av de områdene hvor regjeringa mener at vi har et globalt ansvar for å bidra til utviklinga av. Som komiteen kjenner til, har jeg tidligere fra denne talerstolen snakket om forskning finansiert av bønder i samvirke med statlige myndigheter som bidrar til bedre kompetanse om dyr og dyrehelse. Norsk forskning både innenfor dyrehelse og planteteknikk betyr at vi kan utnytte våre ressurser på en bedre måte utfra våre produksjonsforhold i en tid der klimaet endrer seg. Jeg er spesielt stolt av å komme fra innlandet, Oppland og Hedmark, som har et stort miljø når det gjelder forskning innenfor disse feltene. Til Stortingets opplysning kan jeg fortelle at det på fredag, på Vitensenteret i Gjøvik, vil bli lansert et nytt tilbud i samarbeid med forskningsinstitusjonene i Oppland og Hedmark, næringa sjøl og næringsmiddelindustrien. Landbruket og dens biologi blir en del av Vitensenteret og skal bidra til å øke interessen for realfag og naturvitenskap gjennom landbruk, forskning og og mulighetene i mat- og næringsmiddelindustrien, klimautfordringene, skogen, helse, bioteknologi og miljø. Dette blir unikt blant vitensentrene. Dessverre er det samme dag som vi skal diskutere Meld. St. 20, men jeg gleder meg veldig stort over at dette prosjektet realiseres. Jeg vil derfor avslutte med ord fra den franske forfatteren

mens det ute i distriktene, i små og mellomstore kommuner, er forholdsvis mange institutter som leverer forskning av høy kvalitet, som er av helt signifikant betydning for næringslivet, kanskje særlig for den marine og maritime industrien på Sør-Vestlandet. Fremskrittspartiet, sammen med Kristelig Folkeparti og Venstre, tar til orde for å åpne for at flere institutter først skal kunne få kvalifiseringsstøtte, for deretter å komme inn i basisfinansieringssystemet. Det ville ha vært en distriktspolitisk profil, og det ville nærmest ha vært en demokratisk profil på en slik løsning. Den støtter ikke Senterpartiet. Kan Senterpartiet redegjøre for hvorfor man først og fremst er opptatt av instituttene i de store byene?

som jeg trakk fram – og som jeg vet representanten Lien sjøl er opptatt av – så handler det om å tenke mer i klynger enn vi har gjort tidligere. Det betyr ikke at klyngene behøver å ligge akkurat i nærheten av hverandre. Jeg vet av NCE på Raufoss jobber i et nært samarbeid med bl.a. miljøer i f.eks. Møre og Romsdal – så det er innenfor det fagfeltet. Hvis det blir anledning til et spørsmål til, vil jeg gjerne at representanten skal redegjøre for følgende problemstilling: Det er nesten bare Fremskrittspartiet som ikke er veldig, veldig bekymret for at vi får tilbake absolutt alt, krone for krone, for norsk deltakelse i EU-forskningen. Vi vil selvfølgelig ha mest mulig penger igjen, vi også, men vi mener at det er merknader som Senterpartiet er inne på, som går for langt i et instrumentelt syn på dette.

burde være én bekymring. Vi må ikke gi mer penger enn det vi er pålagt å bidra med. Jeg vil nok si at vi har et kjempestort potensial innenfor universitets- og høgskolesektoren innen vårt forskningsområde for å få tak i rammeprogrammene. Vi ser at det er noen miljøer som er gode og lykkes veldig godt med det. Til og med Høgskolen på Gjøvik, som er en liten høgskole, har greid å skrive gode søknader, og har fått tilbake mange midler fra EU.

forskning. Er det et tankekors for det ekstreme nei-partiet Senterpartiet? Det er ikke noe tankekors for et parti som er mot medlemskap i EU, å være for et internasjonalt samarbeid. Vi mener det er viktig å være del av et internasjonalt samarbeid når det gjelder forskning. Det gjelder også EU. Det som bekymrer oss, er at vi kanskje skal bruke alle midlene våre bare i EU, når vi vet at vi har store utfordringer også med hensyn til andre områder i verden, BRICS-landene f.eks. Så jeg er ikke noe bekymret i det hele tatt for at vi skal delta i Horizon 2020. Det som bekymrer meg, er at vi bare skal delta der, for da tror jeg vi får en mye smalere forskning enn det vi trenger som land. Vi trenger å ha det på en bred front, for vi vet at vi har store interesser også i andre land, der vi også kan lære mye og ha stor samhandling. Senterpartiet og Kristelig Folkeparti pleier å være ganske enige om at vettet er

tenker å få en ny finansiering av private institusjoner, og også av de nye universitetene? Jeg tror det er nyttig å ha kontinuerlige gjennomganger av hvordan vi finansierer både universiteter og høgskoler og hele greia – for å bruke et Jeg tror det er nyttig, for når det er veldig stort press på institusjoner for å få studenter inn, få dem igjennom og få dem produsert, fordi du får etterbetaling for dem, er det en bekymring, og har vært det for Senterpartiet også, at vi har hatt, hva skal vi si, for stor konkurranseandel i den totale finansieringa. Jeg tror det er fornuftig at vi går gjennom det. Sjølsagt vil også de nye universitetene bli en del av den

Denne evnen til å lytte til gode forslag fra opposisjonen tror jeg ikke man har sett siden de glade mindretallsdagene under Bondevik II – la meg få begynne med det. Viktige uenighetspunkter er nok likevel finansieringen og forpliktelsen. Det er også her forskermiljøene vil merke størst forskjell med en eventuell ny regjering. Opposisjonen har tydeligere og langt mer ambisiøse mål enn regjeringen. Det er mål som forplikter i årene som kommer. Det håper jeg at sektoren merker seg. Det å forene familieliv og en forskerkarriere er krevende. Dette mener jeg kan ha negativ innvirkning både på rekruttering av yngre forskere generelt og på rekruttering av kvinner spesielt. Postdoktor Helene Aarseth ved Universitetet i Oslo sier det slik: «Jeg kan merke et ganske sterkt trykk mot en normalisering av den «frie» forsker. Det vil si en forsker som er fri fra omsorgs- og familieansvar.» Filosofiprofessor Christel Fricke ved samme universitet sier: «Europeiske universiteter gjennomgår en forvandling. UiO er intet unntak. En akademisk karriere er ikke familievennlig.» Stipendiat May-Linda Magnussen ved Agderforskning sier det sånn: «Kravet er at man skal jobbe døgnet rundt og vie livet sitt til forskning.» I Sverige er det også bred enighet blant forskere om at det forventes at man prioriterer jobben foran alle andre forpliktelser i livet. Göteborgs universitet gjennomførte i 2012 en rapport kalt «Jamställda fakulteter?» Her ble kvinners og menns forutsetninger i akademia kartlagt. Rapportens intervjustudie avdekket at det er medarbeidernes liv som må tilpasse seg yrkeslivet – ikke omvendt. Den ansattes villighet til å omfavne denne tilpasningen er bestemmende for om han eller hun vil og kan fortsette å forske, het det. Det vil overraske meg om situasjonen er særlig annerledes i Norge enn i Sverige. Unge forskere er en gruppe som ofte er midt i etableringsfasen. Derfor vil det være veldig viktig å innføre ordninger som gjør det enklere å kombinere en forskerkarriere med et familieliv. I dagens innstilling fremmer Kristelig Folkeparti derfor et forslag om å vurdere en modell som tar tak i denne utfordringen. I handlingsplanen for The Swiss National Science Foundation 2013–2016 er det utformet en modell kalt «120 %-modellen» for å møte denne utfordringen. Intensjonen med denne modellen er at den skal bidra til mer fleksibel karriereplanlegging for målgruppen og forhindre at forskningsaktiviteter blir forsinket eller ikke avsluttet.

De ekstra kostnadene vil da normalt bli på maksimalt 20 pst. Jeg tror at et lignende tiltak i Norge vil kunne gjøre det lettere å beholde forskere i småbarnsfasen, og ikke minst tror jeg det vil kunne ha en god effekt på kvinneprofilen. I morgen er det Stemmerettsjubileet her i landet vårt, og kvinner og kvinners inntog har vært viktig alle steder. Derfor har også Kristelig Folkeparti valgt å bruke tid i denne debatten på å løfte denne problemstillingen. For vi har et overordnet problem i akademia. Akademia er i altfor stor grad mannsfavoriserende. Kravene som stilles for å lykkes med en akademisk karriere, går dårlig overens med det å skulle kombinere omsorg og karriere. Derfor er jeg nok skuffet over at regjeringspartiene ikke har en mer offensiv holdning til dette i innstillingen. I forskningsmeldingen beskriver regjeringen at de vil gå i dialog med Kif – Komité for kjønnsbalanse i forskning – for å finne tiltak. Kif har kommet med mange forslag til tiltak, og regjeringen hadde nå mulighet til å komme med konkrete forslag. Denne sjansen benyttet den ikke. Kristelig Folkeparti har fått meldinger fra unge kvinner i akademia som forteller om manglende og som etterlyser klarere strategi og vilje til handling. Det er viktig å ha gode og klare planer for likestillingsarbeidet, hvor man setter opp måltall og innrapporterer resultater. Det er samtidig en utfordring at institusjonene ofte har slike gode likestillingsstrategier, men svikter i gjennomføringen og oppfølgingen av disse. Mangfold blant vitenskapelige ansatte er viktig fordi det har en påvirkning både på hvilke rollemodeller studentene har, og på hvem som styrer kunnskapsutviklingen. I rekruttering og ansettelse av vitenskapelige ansatte må det være en bevissthet omkring kjønnsubalanse, og det må kunne brukes tiltak som motarbeider de eksisterende strukturelle ulikhetene. En forutsetning for å få nok kvinner inn i vitenskapelige stillinger er både at det finnes kvinnelige studenter på alle fagområder, og at studenter oppfordres til å velge en videre akademisk karriere. Tiltak som kjønnspoeng kan vurderes der det over lengre tid er problemer med å rekruttere et underrepresentert kjønn. Vi ser at kvinner tradisjonelt velger trygge karrierer, og en redusering av antall midlertidige stillinger vil kunne gjøre akademia til et mer reelt alternativ for flere kvinner. Flere har påpekt at kvinner tar større ansvar for undervisningsaktiviteten ved institusjonene. Dette har den konsekvens at de ikke får brukt like mye tid som menn på forskningsaktiviteter. Og når vi vet at det er forskningsaktivitet, og ikke undervisning, som formelt ligger til grunn for vurderingen av hvor faglig kompetent en person er, vil det bidra til at kjønnsubalansen forsterkes. Jeg har brukt mye av mitt innlegg nettopp på dette punktet, fordi det er der jeg kanskje synes meldingen er svakest. Men la meg også ta opp noe som jeg utfordret på i replikkene: Den helhetlige gjennomgangen av finansieringen av høyere utdanning og forskning som regjeringen har varslet i meldingen. Det er ikke tvil om at den forrige gjennomgangen av finansieringen skapte store forventninger til at man nå skulle få se en jevnere fordeling spesielt på forskningsfinansiering mellom de nye universitetene, universitetet i Agder, i Stavanger og i Nordland, som hadde endret status fra regionale høyskoler til universitet.

Dette må med som et viktig element i gjennomgangen. Videre forutsetter jeg at en sånn «helhetlig gjennomgang» også inkluderer en gjennomgang av finansieringen av private høyskoler. Det er i dag større grad av likeverdighet mellom offentlige og private universiteter og høyskoler i lovverket, men på enkelte områder er det fortsatt et stykke igjen, særlig med henblikk på finansiering. Derfor vil jeg presisere målet om full likebehandling av private og offentlige høyskoler også når det

og akademia er utrolig viktig for framtidens løsninger og for å beholde et høyt aktivitetsnivå i Norge. Vi har levert noen Dokument 8-forslag, som vi kommer til å diskutere videre i debatten. Kristelig Folkeparti har hentet inn sin næringspolitiske talsmann, som kommer til å framheve noen av de forslagene som ligger der. I mangel av næringsministeren har vi nå i hvert fall næringslivets interessenter i salen, også fra Kristelig Folkeparti. Jeg tar opp forslagene fra Kristelig Folkeparti og Venstre i Innst. 372 S, med de tilhørende innstillingene som vi nå diskuterer samtidig. Representanten Dagrun Eriksen har tatt opp de forslag hun refererte til. Det blir replikkordskifte. Først vil jeg takke for

Likevel sitter jeg igjen med et sentralt spørsmål, som jeg ser fram til å få svar på. Det er: Hva er hovedpunktene og de overordnede grepene i Kristelig Folkepartis forskningspolitikk? Hovedpunktene i vår forskningspolitikk er, som vi slutter oss til, hovedpunktene i forskningsmeldingen om hvilke områder vi skal satse på. De andre hovedpunktene er ganske gjenkjennelige for Kristelig Folkeparti og fra Kristelig Folkepartis historie. Det handler om forpliktelser fra det offentliges side. Det var da Kristelig Folkeparti satt i regjering med Jon Lilletun som forskningsminister, at Forskningsfondet kom. Det var første gang vi klarte å få til en offentlig finansiering som var forpliktende. Derfor har vi sluttet oss til langtidsplantenkningen, selv om vi ikke tror den løser alt. Vi har også sluttet oss til de ambisiøse målene vi har på når vi skal nå opp. Det er viktig for oss å få til forskning mellom næringsliv og akademia.

Dette er ståstaden og litt utgangspunktet òg kring debatten i forholdet mellom universitet og høgskular om korleis få til denne gode arbeidsdelinga. Det er også ståstaden i forhold til spørsmålet om kor mange universitet me treng. Men eg må seia at mange sperra auga betydeleg opp då me for ei tid sidan såg at representanten Dagrun Eriksen, faktisk i behageleg avstand frå det faktum at Universitetet i Agder er etablert, no vil setja strek for ytterlegare nye universitet. Så spørsmålet er: Kvifor vil representanten gå frå dagens krav til breidd og kvalitet, som er avgjerande, og kva har endra seg sidan Agder fekk si godkjenning? Jeg synes dette er en veldig viktig diskusjon, som vi ikke har tatt nok i det sentrale miljøet. innstilling, var det store forventninger til hvordan man skulle etablere høyskolene som en egen del og gi dem også mål som de kunne ha et akademisk driv for å nå. Det er noe av det som vi så var positivt rundt prosessen mot at det ble universitet nede i Agder, nemlig at den eneste måten vi kunne få til det akademiske drivet på innenfor dagens system, var å jobbe Derfor er det ikke bare representanten Dagrun Eriksen, men hele partiet Kristelig Folkeparti som har sagt nå at vi er nødt til å få til parametere som gjør at også høyskolene har en mulighet til å få et akademisk driv til å utvikle seg, uten – sånn som i dag – at det eneste målet er at det blir universitet. I tillegg har det også vært sånn at hvis det først blir universitet,

Hva er det som gjør dem mer tydelige og ambisiøse enn regjeringa, som stadig har vist at en satser på forskning? For det første tenker jeg at det å fjerne Forskningsfondet som en fast etablering var et svakhetstegn regjeringen viste, og et signal om at man ikke ønsket å prioritere på samme måte.

så får Høyre svare for sine prioriteringer. Det at ett parti tenker litt nytt og kommer med nye forslag inn i dette, kan også gi en bra dynamikk inn i videre samtaler på dette området. La meg først si at jeg ikke er

kan lese forskningsinnstillingen og se mye av Kristelig Folkepartis politikk. Jeg har gjort det, og nå kan jeg se mye av Kristelig Folkepartis politikk på den måten at man i de store spørsmålene er enig med regjeringen. Vi minnes alle med glede Jon Lilletun og synes at mange av de forslagene som Kristelig Folkeparti støtter, som Høyre av én eller annen grunn, ikke støtter – mål,

Jeg opplever at Høyre også gjør det, men de har en annen tilnærming til hele problemstillingen. Vi kommer til å stå på hovedsatsingsområdene, som vi har sagt at vi kommer til å gjøre, i denne meldingen. Vi kommer til å elte regjeringen litt mer på likestilling enn det de har klart å levere. Hva som blir samtalene etter valget, når det blir et nytt flertall – det satser vi på – blir opp til de partiene som skal diskutere.

Vi har et næringsliv som lener seg mot en energiproduksjon, som vi vet ikke kommer til å vare. Vi har et næringsliv som er delt i to, og den delen som går skikkelig bra, er den vi vet ikke kommer til å vare inn i framtida. Derfor burde Norge være i en posisjon hvor vi satset massivt på forskning og kunnskap.

den forskninga som er undringsbasert, og som er basert på ideer hos kloke mennesker som kan sine fag, som vi kanskje ikke skjønner nytten av, og som kanskje ikke passer inn i firkanten av den kunnskapen vi til enhver tid etterspør, men som kan skape grunnlaget for store gjennombrudd for vår egen velferd og vår egen mulighet til å bygge et samfunn framover, og for å skape arbeidsplassene vi skal leve av framover. Jeg har lyst å ta opp en ting som ingen har snakket om, nemlig viktigheten av å løfte det vitenskapelige også ved kunstfagene. Det er viktig at vi har kunstfag som gir mulighet til å forske, som gir mulighet til å ha stipendiater, og som gir mulighet til å ha stipendiatprogrammer, som gjør at våre kunstfag kan vokse framover også. Det å ha en akademisk base også for den delen av våre høgskoler, er viktig for å bringe også disse fagene videre framover. jeg har vært med på veldig mange forskningsdebatter, helt fra min tid i studentverdenen, da vi holdt på med Lilletuns grep. Jeg har vært med her under Kristin Clemet og nå i åtte år under den rød-grønne regjeringa. Jeg var med i 2009, da det å sette et prosentmål var en dårlig måte å måle forskning på. Jeg husker Odd Einar Dørum stå her og diskutere hvorfor det var et veldig bra mål når det gjaldt kultur og et utrolig bra mål når det gjaldt bistand, men et utrolig dårlig mål når det gjaldt forskning. Vi i Venstre har alltid stått på prosentmålet. Vi har stått på å tidfeste det, og vi mener at politikerne må sette seg klare mål, som man kan måles ut ifra. Jeg har sett Jon Lilletun finne på Forskningsfondet, og jeg har sett denne regjeringa legge det ned. Jeg har sett Kristin Clemet finne på Gaveforsterkningsfondet, og jeg har sett denne regjeringa legge det ned, for så å angre seg. Så bruker regjeringa åtte år på å finne ut og si at istedenfor alle de virkemidlene tidligere statsråder har funnet på for å prøve å få langsiktighet i en så viktig sektor, skal man ha langsiktige planer – ikke denne regjeringa, men den neste. Jeg er helt enig. Dette er én av de sektorene hvor vi trenger mest langsiktighet. Forskning og kunnskap er ikke en bryter du kan slå av og på. Når du skrur opp med volumknappen, tar det lang tid før den høye musikken kommer. Du må være villig til å ha en langsiktig plan. Men den langsiktige planen mener jeg gjelder både offentlig forskning og næringsforskning. Det er litt rart å oppleve at en sosialistisk regjering mener at markedet skal styres av den usynlige hånden. Det er litt rart å oppleve at det er denne regjeringa, med en sosialistisk utdanningsminister, som mener at næringslivet får ordne opp i næringsforskninga, for det må de sjøl skjønne at de trenger. For meg er dette den usynlige hånds styring i markedet. Jeg vil for min del, fra denne talerstolen, mot en sosialistisk statsråd, ta til orde for statens bidrag for å få til endring i et samfunn. Jeg vil ha en aktiv stat. Jeg vil ha en aktiv stat. Jeg vil ha en stat som bryr seg, som setter politiske mål og som er villig til å bruke mange virkemidler for å få markedet til å fungere slik jeg vil, nemlig slik at bedrifter satser mye på forskning. Det ligger 40 forslag i dette dokumentet. Åtte av dem er faktisk regjeringspartiene med på. Jeg er enig med Dagrun Eriksen: Det skal de ha skryt for. Men det sier kanskje også litt om meldinga vi holder på med. Det ligger altså 40 forslag på bordet – åtte av dem, med unntak av forslag VII, er alle med på. Venstre er med på 30 av 32 mindretallsforslag. Jeg vil bare forsikre meg om at alle de 38 forslagene vi er med på, er tatt opp. Forskningspolitikken har tidligere vært preget av et stort innslag av konsensus. Nå ser vi faktisk noen konfliktlinjer, og jeg tror kanskje det kan være bra for forskningspolitikken, selv om det har ført til verken et dramatisk oppmøte av statsråder – knapt nok én – eller en akkurat proppfull Jeg syns det er mange viktige forslag her som bør være grunnlag for debatt. Det gjelder både koordineringen og muligheten til å satse på toppområder. Det gjelder den næringsrettede forskninga, som jeg har nevnt, der vi både er for å styrke SkatteFUNN og å gi FoU fradrag. Det er en større satsing på BIA – ikke bare det å snakke pent om BIA, men faktisk å satse på Jeg vil at man skal sette av penger til innovasjon også innenfor offentlige anskaffelser, som jeg tror har et stort potensial for bedre velferd og bedre offentlig sektor, og for en oppgradering av veldig mange av kvinneyrkene i offentlig sektor. Jeg tror at vi må satse på innovasjon og Vi har også vært opptatt av likestilling, som Kristelig Folkeparti tok opp, så jeg skal ikke si så mye om det, men vi er også opptatt av midlertidighet, som er en viktig del av dette. Kampen mot midlertidighet innenfor hele forskningssektoren er en stor utfordring som man burde ha hatt mye sterkere virkemidler bak. Ja, jeg mener at man faktisk burde ha brukt tjenestemannsloven for å bekjempe den midlertidigheten vi i dag står for. Venstre har, sammen med Kristelig Folkeparti, en del merknader når det gjelder kunst, og jeg syns det er leit at vi ikke klarer å oppgradere de kunstforskningsprogrammene som ble grunnlagt under Kristin Clemet, med en oppbygging av stipendiater innenfor kunst, som ville ha ført til at vi hadde fått en stor styrking av disse skolene. Uansett hvordan man vrir og vender på det, Uansett hvordan man vrir og vender på det, uansett hvordan man teller, forskes det mindre i Norge enn i både Sverige, Danmark og Finland – alle våre viktige naboland. Det bør være en kjempeutfordring for Norge fordi vi ser at vi har et næringsliv som virkelig trenger å styrke seg hvis vi skal klare framtidas utfordringer. En liten dupp i oljeprisen, et fall tilsvarende det prisen var for kanskje ti år siden, ville ført til et massivt fall på 30–40 pst. på Oslo Børs, noe som ville ført Norge ut i en finanskrise over natta. Så avhengige er vi av at disse energiprisene skal holde seg for vår velferd framover, for den velferdsstaten som vi har bygd opp, og for de arbeidsplassene som vi har i Norge. Jeg må si at ikke bare er det korttenkt, men det er også med på å undergrave det fellesskapet vi har bygd, og den velferdsstaten vi har bygd, hvis vi ikke klarer å satse så mye på forskning at vi står klare med de ideene, det næringslivet og de energiformene som vi vet at framtidas samfunn kommer til å etterspørre, for det er det vi skal leve av i framtida! Representanten Trine Skei Grande har tatt opp

sektoren. Man kan også si at det er et valg mellom å være nøytral overfor forskningen og heller ville satse på områder i tillegg til grunnforskning. Alle er enige om dette, bortsett fra Høyre. Hvordan stiller Venstre seg til at Høyre ikke deler de fem strategiske målene for forskningspolitikken? Jeg er skuffet over Høyre når det gjelder denne meldinga. Det viser hvor viktig det er å Det viser hvor viktig det er å stemme Venstre hvis man er opptatt av forskning. Det viser at hvis man nå vil ha et regjeringsskifte, er det viktig å sørge for at Venstre blir stort og får denne ministerposten, for jeg stoler ikke lenger helt på de satsingene Høyre gjør. Det viser også at vi nok skal klare å samarbeide med Fremskrittspartiet på mange viktige områder. Så her er da Fremskrittspartiet en viktig medsammensvoren på borgerlig side for å få til en satsing på forskning som vi vet vi trenger. Representanten

for jeg tror første gangen jeg diskuterte det med deg, var da vi satt sammen i Nord-Trøndelag Gymnasiastsamband, og det må ha vært på slutten av 1980-tallet. Det viser at det kan være lange linjer! Det er bekymringsfullt at partiet Høyre står utenfor målene. Men de står også utenfor langtidsplanen.

oppfattet. Hun klarte å stikke i det eneste ømme punktet mellom oss også, som var alder! Jeg er, som jeg sa, skuffet over Høyre på dette punktet, og det viser at det er viktig å få et sterkt Venstre inn i et nytt regjeringsalternativ hvis man er opptatt av forskning. Det jeg er glad for, er at Høyre faktisk vil si at de har noen konkrete prosentmål. Det tror jeg er viktig. Så har jeg parlamentarisk leder da Høyre hadde denne ministerposten, og ved å henge i leggen på dem under forrige forskningsmelding, fikk vi til veldig mye. Vi har i hvert fall ikke lidd de tapene som tidligere representant Rolf Reikvam gjorde når det gjaldt det han gikk inn for da han var i opposisjon, sammenlignet med det han måtte stå for da partiet kom i posisjon.

midler. Da er spørsmålet til representanten Skei Grande om det ikke er bedre å ha en regjering som viser at den faktisk følger opp de langtidsplanene som den legger fram, f.eks. i tilknytning til NTP og til forskning. Det jeg syns er rarest med denne regjeringa, er, som jeg sa i hovedinnlegget mitt, at man er veldig for prosentmål på noen områder f.eks. er Senterpartiet utrolig stolt over det man har gjort i forhold til prosentmålet på kultur. Der er prosentmål et akkurat like bevegelig mål som det er innenfor forskning, så jeg forstår ikke hvorfor man ikke skal kunne gjøre det på forskning, når man er villig til å gjøre det på kultur. Jeg syns forskning kanskje er noe av det viktigste vi gjør når det gjelder å bygge framtidas velferdsstat og framtidas arbeidsplasser. Og da forstår jeg ikke hvorfor vi ikke

Reaksjonane i sektoren er stort sett at dei ser på det som eit veldig populistisk forslag, som er relativt vanskeleg å nå. Spørsmålet til Skei Grande er kort og godt: Korleis har ho tenkt å få næringslivet til å forska så mykje – me snakkar altså om ein manko på 40 mrd. kr – innan 2020? Venstre setter seg Venstre setter seg djerve mål på dette området. Det er fordi vi syns at dette er noe av det viktigste vi holder på med. Vi kommer til å prioritere forskning og kunnskap aller mest i denne valgkampen fordi vi tror det er noe av det viktigste Norge bør gjøre. Jeg gikk i forslaget mitt gjennom de virkemidlene vi vil ta i bruk. Vi vil styrke SkatteFUNN – det tror vi vil ha veldig stor virkning – vi vi vil gjennomføre alle de tiltakene jeg gikk igjennom rett før jeg gikk på talerstolen, og vi har brevet fra NHO om forskning, med de tiltak de ønsker vi skal sette i gang for å få til forskninga. Alt dette ligger både her og i vårt reviderte forslag til budsjett, så vi viser hvordan vi med konkrete virkemidler kan gjøre dette, mens regjeringa lener seg tilbake og mener at en usynlig hånd skal gripe inn i markedet for å få folk til å forstå at de må forske.

omme. Først vil jeg gjerne beklage overfor Stortinget at jeg ikke var på plass da møtet startet i dag. Det skyldtes en misforståelse. Jeg trodde jeg var en halv time for tidlig ute, men jeg var altså noen minutter for sent. Det beklager jeg. Jeg har lyst til å si at dette er en debatt jeg har gledet meg til lenge. Det er på mange måter en veldig interessant innstilling. Vi har på plass tre vesentlige grep, som øker ambisjonsnivået innenfor forskning og høyere utdanning. Det ene er en tiårig langtidsplan for forskning som skal se forskningsinnsats, infrastruktur, bygg, stipendiater og studieplasser i sammenheng. Det er et veldig viktig virkemiddel for nettopp å kunne ta de grepene som skal til for å få satt oss mål for ti – og legge grunnlag for – 20, 30 år legge grunnlag for – 20, 30 år framover i tid. Det er meget viktig, og jeg gleder meg til å samarbeide med sektoren og alle ressurspersonene vi har i Norge, for å få til en god langtidsplan. Det andre er at Kunnskapsdepartementet var den store vinneren i revidert nasjonalbudsjett. Vi fikk på plass fire nye kunnskapsbygg – som kommer i tillegg til det ene som lå der fra budsjettet i 2013 Det betyr at i inneværende år gjør Stortinget vedtak som sikrer investeringer i kunnskapsbygg med en ramme på til sammen nesten 9 mrd. kr. Det er et kjempeløft på et område der vi vet det var store behov, og vi er langt mer framoverlent for å kunne løse de nye oppgavene i denne sektoren. For det tredje har regjeringen varslet at vi ønsker å være 100 pst. medlem av Horisont 2020, det store, nye forsknings- og innovasjonsprogrammet. EU har egentlig ikke helt vedtatt det ennå, men det kommer til å legge veldig viktige premisser for den europeiske forskningspolitikken framover. For norske forskere og norske forskningsmiljøer vil det være veldig viktig å se hvilke muligheter som ligger der. Dette er en politisk veldig, veldig interessant innstilling er en politisk veldig, veldig interessant innstilling – og det er en veldig pussig innstilling. Vi rød-grønne holder sammen gjennom hele innstillingen – det burde ikke sjokkere noen, vi har god erfaring med det – og mange steder står komiteen helt samlet. Men når vi begynner å se litt nærmere på opposisjonen, danner det seg et mønster som er tydeligere mellom Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre, mens Høyre har en egotripp på siden. Det synes jeg er pussig interessant, men kanskje også litt urovekkende når det gjelder stabiliteten rundt forskningspolitikken framover. Regjeringen har høye ambisjoner for norsk forskning, og vi har prioritert forskning veldig høyt. Realveksten i statsbudsjettet siden 2005 har vært på 12,5 pst., realveksten innen forskning på 32 pst. Vår forskningsinnsats per innbygger er nest høyest i OECD-området, så det er betydelige midler vi satser på forskning. Det er utrolig viktig, for det kommer til å være avgjørende for om vi klarer å holde veksten. Vi er et høykostland, vi kan ikke regne Vi kan heller ikke regne med at en liten befolkning på fem millioner kommer til å dominere den internasjonale forskningspolitikken. Men det er viktig at vi har høye ambisjoner og klarer å spisse oss godt. Vår overordnede vurdering er at kvaliteten i norsk forskning er god, og at utviklingen går i riktig retning. Men man trenger ikke å være dårlig for å bli bedre. Vi har høyere ambisjoner, og et godt grunnlag gir bare enda bedre muligheter for virkelig å spisse kvaliteten. Vi skisserer i denne stortingsmeldingen flere ambisiøse tiltak for å skape flere forsknings- og utdanningsmiljøer i internasjonal toppklasse, for å legge bedre til rette for dristighet og fornyelse i forskningssystemet, for å bidra til utvikling av næringsliv og offentlig sektor, for å stimulere til sterkere internasjonalisering i deler av systemet – at det er god sammenheng mellom nasjonal og internasjonal virkemiddelbruk – og for å tilrettelegge for enda bedre samspill om utvikling og bruk av kunnskap. Vi gjennomfører de hovedmålene som lå i St. meld. nr. 30 for 2008–2009, Klima for forskning – og som Høyre nå skaper usikkerhet rundt – fordi vi må leve opp til det som er temaet for nemlig lange linjer. Det er ikke sånn at vi hvert fjerde år skal kaste om på hovedprioriteringene våre innen forskningspolitikken. Vi skal bidra til å møte globale utfordringer, vi skal gi god helse- og omsorgstjeneste av høy kvalitet, vi skal styrke forskningsbasert velferdspolitikk og profesjonsutøvelse i velferdstjenestene, vi skal fremme et kunnskapsbasert næringsliv i hele landet og bidra til næringsutvikling innenfor områdene mat, marin, maritim, reiseliv, energi, miljø, bioteknologi, IKT, nye materialer og nanoteknologi. For å oppnå dette skal Norge ha et velfungerende forskningssystem. Vi skal ha høy kvalitet i forskningen, vi skal ha en høy grad av internasjonalisering, og vi skal ha en effektiv utnyttelse av forskningsressurser og forskningsresultater. I tillegg vil regjeringen understreke at utdanningskvaliteten har veldig stor betydning for samfunnets evne til omstilling og innovasjon. Det er gjennom å utnytte ressursene våre bedre – arbeidskraft med økt kunnskap, kompetanse og bruk av teknologi – at vi må sørge for at nøkkelfaktorene for å få til omstilling og verdiskaping i norsk økonomi er på plass. Den veksten som tildelingene til næringslivet har fått gjennom Forskningsrådet fra 2005 til 2011 har vært på 74 pst. Dette er den mest markerte veksten i perioden, først og fremst på grunn av veksten i bevilgningen til brukerstyrt forskning. Vi vil fortsette å prioritere et bredt sett av virkemidler, både en åpning for forsknings- og innovasjonsmidler og tematiske satsinger på områder der Norge har strategiske fortrinn. Meldingen varsler f.eks. et marint kunnskapsløft. Det er vesentlig at vi har et klart perspektiv med hensyn til hvordan vi skal utnytte de mulighetene som ligger i at vi knytter oss til Horisont 2020. Her varsler jeg at vi skal utarbeide en egen strategi – en forsterket strategi – i forhold til følgende: Vi har mange miljøer som i dag er på banen, som er offensive og samarbeider godt innenfor det som har vært EUs rammeprogram. Men vi kan forbedre dette,

retningen. Men vi må også sørge for at vi har et handlingsrom til nasjonale prioriteringer, både fordi det er mange egenandeler knyttet til disse EU-programmene, og fordi det er noen områder der Horisont 2020 ikke vil prioritere våre egne behov høyt. Årets forskningsmelding skiller seg ved å legge betydelig mer vekt på sammenhengen mellom forskning og utdanning. Forskning bidrar til kunnskapsutvikling. Utdanningskvalitet bidrar til innovasjon, og den nye globale akademiske delingskulturen via Internett har gitt oss eksempler på verdensomspennende kunnskapsdeling, anført av verdenskjente akademikere og universiteter. Dette kan for demokratisering, anvendelse og spredning av kunnskap. Det er avgjørende at de som arbeider med forskning, har gode rammebetingelser for å gjøre en god jobb. Derfor er mange av de tiltakene som varsles i meldingen, nettopp rettet mot det. Jeg er veldig glad for Jeg er veldig glad for at forslaget om innstegsstillinger har fått så god mottagelse i mange miljøer. Det gir en mulighet for større forutsigbarhet. Vi har varslet at vi skal trappe opp innsatsen mot midlertidige ansettelser. Det er en veldig viktig del nå i styringsdialogen med ulike institusjoner, der de institusjonene som har økt eller fremdeles høy grad av midlertidighet, kan pålegges å lage egne handlingsplaner for å redusere midlertidigheten. Så dette er av veldig stor betydning. Jeg er også veldig glad for at komiteen er helt enstemmig når det gjelder åpen tilgjengelighet og ambisjonene vi har på dette området. Dette er et godt utgangspunkt for en offensiv forskningspolitikk for framtiden. Stortinget har registrert statsrådens beklagelse for at hun ikke var til stede ved møtets start. Det blir replikkordskifte. Med de gode ordene om EUs Horizon 2020 kunne jeg jo ha spurt om hvorfor dette er

hvorfor man ikke kan tidfeste 3 pst.-målet. Det har SV og alle de tre rød-grønne partiene vært for tidligere. Men nå er man ikke det. Ikke vil man tidfeste det med vedtak i salen i dag. Man vil heller ikke – som Kristelig Folkeparti, Venstre og Fremskrittspartiet ønsker og ber om – tidfeste når man legger fram en langtidsplan. Hvorfor var dette helt naturlig å gjøre før, men er veldig vondt og vanskelig å gjøre i 2013 – eventuelt å komme tilbake til saken i 2015? Det er viktig å ha 3 pst.-målet som en overordnet målsetting og holde fast ved det over tid, men det er et veldig vanskelig styringsmål av flere grunner. Det er fordi at to måter å sikre seg de 2 prosentene på hvis man driver med stortingspolitikk eller er politiker. Det ene er å overta det og si at ok, staten tar ansvaret for de 2 prosentene som næringslivet skal ta ansvar for. Det mener jeg er en veldig dårlig strategi, og jeg er helt sikker på at det kommer til å gå ut over grunnforskning og andre viktige oppgaver som i dag finansieres over den offentlige andelen av forskningsambisjonen. Det andre er å tvinge næringslivet til å gjennomføre det. Jeg kan ikke se at vi har noen virkemidler som skulle tvinge næringslivet til å gjennomføre det. Jeg er veldig glad for at vi nå er oppe i 0,92 pst. av den ene prosenten som staten og det offentlige skal ta ansvaret for. Å ha et mål uten å tidfeste det er

og det er et mål som sier noe om hvordan man kan opprettholde velferden og den velstanden man har i et land. Virkemidlene for å få dette til med et næringsliv som består av små og mellomstore bedrifter og internasjonale aktører, er jo kjent. Det er Brukerstyrt innovasjonsarena, det er SkatteFUNN, det er NCE-er, det er SFI-er, det er etablering av det er nærings-ph.d.-ordninger, og det er infrastruktur, f.eks. Det er simulatorkapasitet, Ocean Space Center i Trondheim og Life Science Center ved Universitetet i Oslo. Alle disse tingene er tiltak man vet vil fungere for å få næringslivet til å bruke mer av sine penger til å forske. Allikevel er ikke regjeringen villig til å tidfeste noe. Jeg er jo helt enig med representanten Tord Lien: Alt det der er gode tiltak, alt det der er gode forslag. Alt det der er forskningsstimulerende tiltak som regjeringen går inn for. Så kan man kanskje være litt uenig i styrkeforholdet. Men det er jo ingen ting i denne stortingsinnstillingen som skulle tilsi at Fremskrittspartiet og Høyre kan si at innen 2030 er vi garantert oppe i 3 pst., eller som gjør at Kristelig Folkeparti og Venstre kan si at innen 2020 er vi garantert Så det er ingen troverdighet i den tidfestingen som representanten Tord Lien eller andre i opposisjonen prøver å legge an til. Vi er helt avhengig av følgende: Det er at alle sektorer i samfunnet prioriterer kunnskapsutvikling og forskning. Det må ligge i luften, det må være i alt vi puster og ser. Og det må i seg selv være en drivkraft til at norsk næringsliv også ser at det er i deres egen interesse å satse på forskning og kunnskapsutvikling. Senest for en uke siden, da forskningsbarometeret ble lagt frem, brukte statsråden næringslivets manglende investering i forskning som forklaring på Norges problem på dette feltet. Egentlig er vi nok ganske enige om problembeskrivelsen, men det vi fra Høyres side etterlyser, er forslag til løsning. Nå har jeg lest forskningsmeldingen stort sett fra perm til perm til øyet har blitt stort og vått, og jeg finner altså ikke noen nye tiltak i denne meldingen som skal øke forskningen i næringslivet. Så kanskje statsråden da kan hjelpe oss, når dette er den store utfordringen som hun selv har gjentatt både her i Stortinget og senest for noen uker siden på en konferanse: Hva er det regjeringen har lagt frem i denne forskningsmeldingen som skal løse problemet og få næringslivet til å forske betydelig mer – betydelig mer? Vi har lagt fram en ambisiøs forskningsmelding under overskriften Lange linjer, der det viktigste hovedgrepet er at vi skal etablere et system med tiårige langtidsplaner for å styrke forutsigbarheten innenfor dette området og for å heve ambisjonene innenfor dette området. Det er en langsiktighet og en forutsigbarhet som er utrolig viktig for norsk næringsliv, fordi da vet de hva de kan forholde seg til. Punkt to: Vi understreker hele veien at samarbeidet mellom institusjonene, mellom institusjonene, mellom høyskoler, universiteter og næringslivet kan bli mye bedre. Noen steder er det bra, andre steder må det bli mye bedre. Punkt tre: Nærings-ph.d.-ene framheves som spesielt effektive og gode virkemidler, men det er mange andre virkemidler også innenfor dette. Punkt fire: Vi ser at Forskningsrådets tildelinger av programmer har særlig økt innenfor det som går til næringslivet, og at det må fortsette. Jeg tror jeg deler representanten Skei Grandes skuffelse over Høyre i denne innstillingen. Jeg skal holde meg til regjeringens politikk i neste replikk også. Det er jo virkemidler, og som statsråden var innom, er det vi har det som kalles for BIA, eller Brukerstyrt innovasjonsarena, som to sentrale virkemidler for å stimulere næringslivet. Vi skal jo ikke tvinge næringslivet, vi skal stimulere næringslivet til å satse mer på forskning. BIA fikk tilført ekstra penger i forbindelse med krisepakken som regjeringen la frem etter finanskrisen. Nå sist i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett var jo både finansministeren og statsministeren ute på forhånd til og med, midt under Høyres landsmøte, for å fortelle at nå kan det komme en ny krise for deler av næringslivet i Norge, nå var det viktig å være ute i forkant. Da ble SkatteFUNN-ordningen styrket. Hvorfor er det bare i forbindelse med kriser at denne regjeringen er villig til å stimulere til mer forskning i næringslivet? Er det krisepolitikk, eller burde det være forskningspolitikk?

plass. Jeg er selvfølgelig også veldig godt kjent med det som var innholdet i krisepakken fra 2009, og veldig godt fornøyd med hvordan den fungerte. Den har rett og slett sørget for at norsk næringsliv har kommet seg godt gjennom finanskrisen. Men det jeg tror er en avgjørende viktig utfordring for oss, som er felles, er at alle må eie det intense ønsket om å være kunnskapsbedrifter og drive forskningsbasert utvikling. Det må være incentiver fra staten, men den viktigste drivkraften må ligge i næringslivet selv. Derfor er jeg så opptatt av at vi klarer å få institusjoner og bedrifter til å samarbeide tett, for da er jeg helt sikker på at vi får ut noen veldig viktige synergier. Etter de siste rundene fram og tilbake er

forslag Under høringen har vi fått konkrete forslag, og Komité for kjønnsbalanse i forskning refererer til at de i løpet av sin funksjonstid har kommet med mange anbefalinger og mange forslag til tiltak. Er statsråden fornøyd med den offensive setningen om at de nå vil be om nye tiltak for å få en bedre balanse i forskningen? Det er riktig at Komité for kjønnsbalanse i forskning har kommet med mange forslag, og mange av dem er også tatt til følge ved ulike institusjoner. Jeg ser nå at mange av institusjonene har en helt annen offensiv holdning både til å rekruttere dyktige kvinner og til å beholde og tilrettelegge for dyktige kvinner. Men vi er selvfølgelig ikke gode nok til dette. Vi ser særlig at

I dag ser vi at det er en enorm søkning til de veldig få stipendiatene. Det har ikke vært noen økning i antall stipendiater under denne regjeringa. På Dagsrevyen i går så vi de mest eksellente innenfor kunst som kommer inn på studier i utlandet, og som ikke får stipender til å gjennomføre studiene. Det skulle spørsmålet er om hun som statsråd rekker å se på det. Hvorfor har ikke regjeringa hatt noe engasjement for å løfte kunstfagene videre? Hvorfor har det ikke vært noen økning i det stipendprogrammet som Kristin Clemet satte i gang? Hvorfor vil ikke statsråden hjelpe de studentene? Det programmet for kunstnerisk utviklingsarbeid som Trine Skei Grande nå viser til, har vært en absolutt suksess. Det er jeg helt enig i. Det har vært ca. 50 personer innom det programmet, og det befinner seg 23 stipendiater i dette per i dag. Det er ikke lenge siden jeg var på et arrangement som feiret at det var ti år, og som viste eksempler på hva slags doktorgrader doktorgrader dette programmet hadde frambrakt. Det var utrolig inspirerende på alle vis. Jeg mener at dette er noe vi absolutt bør satse videre på. Det vekker også internasjonal interesse, fordi kunstfagene får ta doktorgrad på sine egne premisser, og det er deres eget utøvende arbeid som er avhandlingen, ikke en teoretisering av et

en fattigere debatt enn det sakens viktighet fortjener. Jeg mener det er liten tvil om at Norge satser tungt på forskning. Det er heller ikke tvil om at dette er det bred enighet om på Stortinget. Ikke minst viser innstillingen dette – og egentlig også store deler av debatten. Likevel er det heller ingen tvil om at det er utfordringer i forskningspolitikken. Hvor ligger så de? Vårt ansvar som forskningspolitikere er å legge til rette for at det forskes mer, at det forskes bedre, og at forskningen får den plassen den fortjener i samfunnet. Det er ingen tvil om at potensialet for økt kvalitet på norske forskningsinstitusjoner er til stede. Det er ingen tvil om at flere norske bedrifter hadde gjort klokt i å investere mer i forskning. Og dernest: Vi har også en vei å gå når det gjelder å ta i bruk kunnskapen vi har – til det beste for samfunnet. samfunnet. Forskningsmeldingen bidrar godt i så måte. En av de mest brukte klisjeene i norsk samfunnsdebatt er: Hva skal vi leve av etter oljen? Spørsmålet er underlig i sin banalitet. I likhet med i alle andre bransjer er det også i olje- og gassektoren først og fremst kunnskap vi lever av. Kunnskap, utdanning og forskning utgjør grunnmuren i ethvert moderne samfunn. Det er i stor grad tilfellet i Norge enten opparbeidet, erfaringsbasert kunnskap som overføres fra en generasjon til den neste, godt ivaretatt i kraft av en levende kulturarv, eller teoretisk kunnskap som er bygd opp i moderne tid, som akademiske byggesteiner i et teoretisk, logisk byggverk. Erkjennelsen av at Norge er et rikt, velfungerende og godt land å bo i, takket være kunnskap og forskning, skulle jeg ønske meg stakk dypere. Da ville det også vært enda større oppslutning om at en god framtid ligger langs den samme vei, langs de samme linjer. For Arbeiderpartiet er internasjonalisering og økt næringsrettet forskning viktig og riktig. Derfor er vi svært tilfreds med avklaringen omkring Horizon 2020, som er EUs store forskningsprogram. For oss ville det vært umulig å stå utenfor. Dernest er det også viktig å øke næringslivsforskningen. Hvordan? De fleste norske arbeidsplasser har ingen forskere. Noen av dem burde definitivt hatt det, men de fleste har ingen grunn til å ansette en forsker. Offentlige stimulanser vil selvfølgelig bidra noe til å få økt næringslivsforskningen. Men en økning på 30–40 mrd. kr på sju–åtte–ti år, som noen ønsker, urealistisk. Jeg tror dessverre ikke det finnes noe enkle trylleformular som vi kunne drysset rundt, à la Tingeling, og bare latt pulveret sveve over det ganske land, så ville det begynt å forskes. Sånn er det ikke. Komiteen har reist og sett de mest innovative og forskningstunge områdene i verden – i Europa, i USA og i Canada. Hva er det som kjennetegner forskningspolitikken i disse landene? Det som slår oss, er langsiktighet, strategisk ledelse og tydelige ledere, gode organisasjoner, trivelige arbeidsplasser, enkle og tydelige mål, stimulering av dem som tenker internasjonalt, premiering av dem som bryr seg om studentene, og verdsetting av dem som jobber innovativt med næringsliv og arbeidsliv. Det betyr at vi må ha en økt generell satsing på forskning. Vi må ha samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon i praksis – sånn som vi går inn for gjennom SAK. Vi må jobbe enda tydeligere og enda sterkere når det gjelder akkurat det. Vi må få midlertidigheten ytterligere ned. Vi har begynt å se resultater – vi må videre. Jeg er veldig glad for at statsråd Kristin Halvorsen tok opp dette, noe som også andre så vidt har nevnt, nemlig at midlertidighet i sektoren ikke er bra. Skal vi få de kloke og de djerve og de beste til å bli forskere, må vi skape miljøer hvor de trives, hvor de har trygghet for egen jobb, og hvor de kan konsentrere seg om å forske og ikke bekymre seg for hva de skal gjøre etter at den midlertidige stillingen har gått ut på dato. I USA møtte vi stadig et begrep som handlet om et økosystem, der næringsliv og forskere fungerer sammen. Vi må skape møteplasser for forskning og innovasjon, vi må skape møteplasser for investorer og gründere. Vi må koble dette sammen, og vi må bedre studiekvaliteten. studiekvaliteten. Det mangler vi på en del områder i Norge. Vi har det ikke på plass, vi må jobbe for det, og det kan i veldig liten grad vedtas med et pennestrøk her. Det må utvikles over tid – igjen via lange linjer. Jeg tror det er langs dette sporet vi må jobbe videre. Vi må legge til rette for og vi må stimulere om vi skal få opp den næringsrettede forskningen, som er hovedproblemet i dag. Til sist vil jeg på vegne av de rød-grønne partiene anbefale innstillingen. Komiteen har lagt ned et godt arbeid i

og kritisert for å skape byråkrati, men resultatene viser sterk vekst når det gjelder antall publiseringer, avlagte doktorgrader m.m. Tellekantsystemet er ikke perfekt. Vi vet bl.a. at det kan virke unødvendig byråkratiserende. Fremskrittspartiet vil beholde systemet, men mener at systemet må kunne forbedres, forenkles og samtidig forsterkes. Her må vi forandre for å bevare. Blant annet bør kommersialiseringsaktiviteter og samarbeid mellom akademia og næringsliv innarbeides i tellekantsystemet. Videre vil jeg understreke at det resultatbaserte systemet ikke ensidig må vektlegge kvantitet, men i minst like stor grad må det premiere kvalitet innen utdanning og forskning.

enn de etablerte universitetene og vitenskapelige høyskolene, spesielt når det gjelder forskningsfinansiering. De nye universitetene har med sine særpreg en mulighet til å styrke forskningen i profesjonsfagene, men dagens finansiering gir en uønsket forskjellsbehandling av deres forskningsinnsats. Dette mener vi må rettes opp.

infrastrukturen. Flere private høyskoler har problemer med å opprettholde en god infrastruktur for studentene, og det er nødvendig å gjøre endringer i finansieringen for å gi dem mulighet til å gjennomføre dette uten at kostnadene blir overført til studentene gjennom økte studieavgifter. Jeg vil også komme inn på et forslag som Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre har, at etablerte forskningsinstitutter kan søke finansiell støtte for å kunne kvalifisere til statlig basisfinansiering. Dette vil gjøre at f.eks. Polytec i Haugesund, som driver veldig god forskning, kan bli kvalifisert til basisfinansiering. Så var det et annet springende punkt, og det går på forslaget om maritim utdanning som behandles i dag.

Flere universitet og høyskoler har igangsatt utdanningstilbud innen samfunnssikkerhet og beredskap. Særlig på et felt som dette er det essensielt å få styrket samordning og koordinering av beredskapsfeltet. Fremskrittspartiet mener det bør etableres et nasjonalt kompetansesenter for beredskap. Et slikt senter skal styrke samspillet og koordineringen mellom de ulike utdanningsinstitusjonene som har, eller er i ferd med å utvikle fagmiljøer og utdanningstilbud på området. Med hensyn til etablering av et slikt beredskapssenter vil jeg spesielt trekke fram Universitetet i Stavanger som har et internasjonalt fagmiljø på over 50 forskere. De samarbeider med et stort miljø internasjonalt, og de har allerede et sterkt faglig miljø innen beredskap, samfunnssikkerhet og sikkerhet og sikkerhet innen olje- og gassindustrien. Universitetet i Stavanger har et godt etablert samarbeid med flere institusjoner i Norge som driver med utdanning og opplæring. Meldingen beskriver også trepartssamarbeidet etter helsetorgmodellen mellom Høgskolen Stord/ Haugesund, Helse Fonna og flere kommuner, der målet er å sikre gode pasientforløp på tvers av forvaltningsnivåer. Jeg vil benytte sjansen til å rose dette samarbeidet, og

Forskning og innovasjon er to av de viktigste faktorene for Norges konkurransekraft. Vi vet at vi er under press når det gjelder konkurransekraften, med økende lønnskostnader og en utvikling i effektivitetsgraden som ikke greier å følge de landene vi samhandler og konkurrerer med. Det har blitt enda viktigere å holde trykket oppe på de faktorene som gir oss muligheter til å rette på det. Høyere utdanning av høy kvalitet er i neste ledd den viktigste faktoren for å lykkes med forskning og innovasjon og er naturlig nok en avgjørende rekrutteringsarena til dette. En høyere utdanning som i enda større grad stimulerer til og peker på forskning som karrierevei, må være en viktig oppgave for sektoren. Jeg er glad for at Meld. St. 18 for 2012–2013 i så stor grad tar opp sammenhengen mellom høyere utdanning og forskning og peker på universiteter og høyskoler som en viktig og naturlig del av Norges forskningsmiljø. Jeg vil derfor rette oppmerksomheten mot de to Dokument 8-forslagene som Høyre står bak, og som behandles sammen med forskningsmeldingen. Det ene forslaget dreier seg om viktigheten av å løfte fram de beste universitetsmiljøene våre, slik at de kan bli blant de beste i verden. Vi har et godt utgangspunkt med noen institutter og kompetansemiljøer som allerede er blant verdens ledende innenfor sine felt, men disse trenger målbevisst og forutsigbar hjelp fra oss for å kunne innta en posisjon som gjør dem anerkjent og gir dem tiltrekningskraft også i det internasjonale akademiske miljø. Det vil være utfordrende for et lite land som Norge å etablere et komplett universitet i toppen internasjonalt, men ved å bygge på de skarpe hodene og dyktige kompetansemiljøene som allerede finnes rundt om i landet vårt, vil vi likevel kunne ta slike posisjoner. En slik satsing vil hjelpe oss med tilgang på de beste undervisningskreftene og gi økt tilgang til andre topprangerte akademiske miljøer. Dette vil igjen gjøre at vi kan tiltrekke oss de beste hodene blant studentene, både nasjonalt og internasjonalt. En slik målrettet satsing vil kunne gi oss en formidabel drahjelp til innovasjon og styrking av konkurransekraften. Høyre har levert et annet viktig Dokument 8-forslag sammen med Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre. Forslaget uttrykker et ønske om å følge opp arbeidet med kvaliteten i høyere utdanning gjennom en studiekvalitetsmelding. Rapporter tyder på at studiekvaliteten ikke har utviklet seg i tråd med intensjon i Kvalitetsreformen. Etter fire år med aktiv og god dialog med studentorganisasjonene opplever jeg at det er to temaer som helt tydelig skiller seg ut: de økonomiske rammene for studentene gjennom studiefinansiering og tilgang til boliger og ønsket om mer studentaktiv forskning. En stortingsmelding som tar opp studiekvalitet i full bredde, vil være et viktig bidrag i videre kvalitetsutvikling. Opposisjonen har bl.a. pekt på studentaktiv forskning, praksis, studiefinansiering og robuste fagmiljøer som sentrale tema i en slik melding. Opposisjonen er svært fornøyd med at vi etter å ha fremmet forslaget har fått støtte fra statsråden, og at en samlet komité nå står

Handlingsrommet i sektoren er redusert under den rød-grønne regjeringen, og underfinansierte studietilbud gir åpenbart redusert kvalitet. Behovet for en helhetlig gjennomgang gjør at Høyre ikke støtter de enkelte forslagene nå. Maritim utdanning har òg vært et tilbakevendende tema i disse fire årene. Opposisjonen er samlet i ønsket om en stortingsmelding, også for å ivareta helheten i framtidens maritime utdanning. Det er leit at regjeringspartiene ikke er med på dette. En slik melding vil kunne gi oss alle en helhetlig tilnærming til de utfordringer vi har innen denne utdanningen, og ikke minst gjøre at vi som premissleverandører, sammen med både næringen og utdanningsinstitusjonene, kan finne fram til tilbud som leder oss i posisjon i forhold til maritim nærings framtidige løsninger og behov. Norges konkurransekraft må styrkes. Målrettet satsing på kunnskap, høyere utdanning og forskning er avgjørende. Høyre vil mer og er klar til å ta ansvar for det.

på Stortinget og i Framstegspartiet si gruppe. Så til debatten om stortingsmeldinga: Det er ikkje tvil om at forskingsmeldinga vil vera eit særdeles godt grunnlag for å løfta Noreg som kunnskapsnasjon. For Arbeiderpartiet er det viktig å peika på at verdiskaping og velferd i framtida ikkje skal vera basert på verken billege råvarer eller låge arbeidslønningar. Verdiskaping og velferd skal vera basert på ikkje middelmåtig kunnskap, men kunnskap og forsking på høgt internasjonalt nivå. Om me berre blir middels gode, ja, då er faren stor for at me ikkje når dei ambisiøse måla som me har sett oss for samfunnet vårt. Forskingsinnsatsen skal på den eine sida vera ein fin miks mellom den langsiktige, grunnleggjande kunnskapsoppbygginga som i all hovudsak skjer ved universiteta og høgskulane våre, og som dei bestemmer innretninga på. På den andre sida har me dei tydelege tematiske satsingane på områder der Noreg har naturgitte fordelar, eller som eit bidrag til å møta globale utfordringar. Parallelt med dette har me dei tematisk opne verkemidla, som skal stimulera forskarar og verksemder til å følgja eigne spennande idear. Dette – kombinert med eit forskingssystem som er velfungerande – gjer at norsk forsking held eit høgt internasjonalt nivå. Når regjeringa no i tillegg set i gang arbeidet med ein langtidsplan for forsking, er det mogleg å heva ambisjonane for auka kvalitet ytterlegare. Få område er så langsiktige som forsking, og få område er så avhengige av å bli delt med andre for å bli ein suksess som kunnskap. kunnskap. Kunnskap og forskingsresultat som blir delt med andre, er ein føresetnad for samfunnsbygginga. Det å tenkja langsiktig og å ha trygge rammer med fokus på kvalitet er viktige stikkord i forskingspolitikken. Det er difor ikkje rart at forskingsmeldinga blir godt motteken i store delar av samfunnet. Ikkje eingong opposisjonen klarte å samla seg om ei svartmåling av stoda i starten. Det var lenge stille i stova, og det kom ingenting frå opposisjonen, som vanlegvis er både sjokkert og skuffa. Jau, det kom litt, naturlegvis, men det var slikt som var trykt opp fleire veker i forkant og var gamle kopiar. Då opposisjonen så endeleg fekk summa seg, sprikte merknadene meir enn nokon gong. Jau, dei er naturlegvis samde om at det blir brukt for lite pengar. Men til det er det å seia at talbruken er verken forskings- eller kunnskapsbasert. Dei er rett nok komne til at det faktisk er ein vekst i forskingsløyvingane – ja, til og med Venstre har etter kvart fått med seg dette. Men når opposisjonen etter fleire månader med rekning er komen til at veksten i forskingsløyvingane er om lag lik med veksten i budsjettet, må eg peika på at realveksten til forskinga er auka 2,5 gonger veksten i handlingsrommet i budsjettet i vår periode. Knapt noko område har ein tilsvarande vekst. Men opposisjonen sprik i hytt og vêr når det gjeld bruken av forskingsløyvingane. Det er verre. Det sprikjer i synet på noko så viktig som langtidsplanen. Knapt noko område er så basert på det å vera langsiktig som forsking. Men opposisjonen maktar ikkje å samla seg om ein langsiktig politikk for forsking og utvikling. I synet på tidfesting av 3 pst.-målet er det igjen fullt sprik. Den sjølvoppnemnde framtidige forskingsministaren frå Venstre blir omtala i forskingsmiljøa som populistisk når partiet forfektar at dei skal innfri 3 pst.-målet innan 2020. I spørsmålet om å tidfesta 3 pst.-målet er det openbert ikkje samsvar mellom kven som har ansvaret og kven som har myndigheita til Det er også beklageleg at når opposisjonen no legg all energi i dette temaet, så får det følgjer for dei andre forskingsfaglege spørsmåla. Men kanskje det mest alvorlege av alt, er at opposisjonspartia – inklusive det aller største opposisjonspartiet, Høgre – ikkje har makta å bli einige om målformuleringar for norsk forsking. Dei har heller ikkje makta å bli samde om alternative Og då er det godt at posisjonen utgjer fleirtalet og kan vedta St. Meld. nr. 18 for 2012–2013, Lange linjer – kunnskap gir muligheter! Norsk forskning og

Og det er svært gledelig at det nå lages en tiårig langtidsplan for forskningen. Det vil bl.a. gi forutsigbarhet om investeringer i kunnskapsbygg og forskningsinfrastruktur, og dette er noe som etterspørres når vi møter sektoren. Det er bra at regjeringen foreslår å opprettholde 3 pst.-målet. Det er et krevende mål å oppnå, ikke minst med tanke på at næringslivet skal bidra med 2 av de 3 prosentene av BNP. Å tidfeste måloppnåelsen vil etter min mening ikke bidra til noe som helst når det gjelder å nå 3 pst.-målet. Det vil imidlertid de ulike virkemidlene vi har i bruk for å stimulere norsk næringsliv til mer forskning. Ett av flere virkemidler er de regionale forskningsfondene, som Forskningsprosjektene som lyses ut i disse fondenes regi, ligger ikke noe tilbake når det gjelder krav til innhold og kvalitet sammenlignet med andre forskningsmidler som lyses ut i regi av Norges forskningsråd. De regionale forskningsfondene ble opprettet i forrige stortingsperiode, uten Det er oppsiktsvekkende – når vi i dag hører disse partienes representanters omsorg for næringslivets muligheter for forskning og ambisjonene om å nå 3 pst.-målet. Det er imidlertid gledelig for oss som støttet opprettelsen av dette virkemidlet, at disse regionale miljøene får gode evalueringer når det gjelder forskning og innovasjon i små og mellomstore bedrifter. Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, NIFU, har evaluert de regionale forskningsfondene i to omganger. Etter tre års drift slås det fast at ordningen setter tydelige spor og bidrar til å mobilisere forskning og utvikling i regionene. Jeg kjenner Regionalt forskningsfond i Midt-Norge best. Når jeg ser hvilke prosjekter som nå er lyst ut, er jeg overbevist om at at fondene bidrar til økt verdiskaping og nyskaping i regionen og dermed i landet vårt. Ett av flere områder som nå er utlyst, er blå-grønn bioteknologi, som også er et Forskningsprosjektene som får støtte, må være godt forankret i de deltagende virksomhetene og gi gode muligheter for å utnytte resultatene i ettertid. Samhandling, tverrfaglighet og klyngetenkning er vesentlig i disse prosjektene og en forutsetning for støtte. De regionale forskningsfondene skal ha en forberedende funksjon for nasjonale og internasjonale prosjekter. Regionene har et særskilt ansvar for at det er tett samspill mellom aktivitetene i regionene og deres relasjoner til andre nasjonale og internasjonale programmer og aktiviteter. Sammen med andre virkemidler, som VRI, virkemidler for regional innovasjon, BIA, SkatteFUNN, TTO-ene ved universitetene og andre, så bidrar vi til økt forskningsaktivitet og innovasjon i norsk næringsliv og har derved større muligheter for å nå 3 pst.-målet på lang sikt.

og som bidrar til at norsk næringsliv også i de små og mellomstore bedriftene øker sin aktivitet innenfor forskning for å få økt verdiskaping. Helt til slutt vil jeg uttrykke glede over økt forskningsaktivitet i offentlig sektor. Oppretting av en ordning med doktorgrad for offentlig ansatte etter modell av nærings-ph.d.-ordningen er svært velkommen. Ikke minst vil dette være viktig innenfor helse- og omsorgssektoren, som står overfor store utfordringer knyttet til demografiutviklingen. Utdanningssektoren er en annen sektor som har stort behov for innovasjon og nyskaping for å møte kunnskapssamfunnets utfordringer. I det hele tatt er meldingen vi behandler i dag, en framtidsrettet og god melding og en verdig oppfølger til Klima for forskning, som Tora Aasland la fram for fire år

For at norsk næringsliv skal halda ved lag konkurransekrafta si, må norske miljø og bedrifter ligga langt framme når det gjeld utvikling og bruk av ny kompetanse, ny teknologi og nye løysingar. Noreg er eit høgkostland, og varer og tenester som vert utvikla, må vera meir attraktive, lønsame og miljøvenlege enn eksisterande produkt, og dei må vera konkurransedyktige også i Nettopp kompetanse, omstillingsevne, produktivitet og det at vi ligg i framste rekke med teknologiske løysingar, gjer at vi hevdar oss i konkurransen internasjonalt. Eigenutført FoU er viktig for bedriftene sin produktivitet og konkurranseevne, bl.a. for å nyttiggjera seg ny teknologi og nye innovative løysingar. Det er òg å inngå samarbeid med andre bedrifter og forskingsmiljø.

Det er mykje bra i forskingsmeldinga, og eg vil spesielt dra fram viktigheita av at behovet for eit verkemiddel i Forskingsrådet for tidsavgrensa støtte til framveksande område eller område med spesielle behov for omstilling, no vert greitt ut, og at det vert greitt ut verkemiddel som kan bidra til auka samarbeid mellom offentleg finansierte forskingsmiljø og næringsliv på Mykje av bakgrunnen for dette er at meldinga peikar på at det er eit uavklart spørsmål om det vert lagt tilstrekkeleg til rette for oppbygging av nye område der vi har naturgitte eller kompetansemessige fortrinn, men som tematisk fell utanfor dagens etablerte satsingar. For å få næringslivet til å forska meir vil eg påpeika kor viktig BIA-ordninga – brukarstyrt innovasjonsarena – er. Men BIA er Men BIA er ikkje noko nytt. Det har vore satsa på BIA frå regjeringa si side over fleire år. Det er ei svært populær ordning, og det er veldig mange søkjarar. Eg er derfor spesielt glad for at løyvinga til programmet vart styrka med 9,4 mill. kr i årets budsjett. BIA bidreg til auka forsking i næringslivet. Dei offentlege midlane løyser ut betydeleg eigeninnsats, vilje til å satsa på større prosjekt og finansiering frå næringslivet Offentleg støtte fungerer her som ein katalysator og motivator for FoU-verksemd i norsk næringsliv. Berekningar viser at 1 mill. kr i støtte frå BIA-programmet i Noregs forskingsråd utløyser om lag 2,2 mill. kr frå andre kjelder, då i Forskingsprosjekta vert kjenneteikna ved at dei har eit betydeleg potensial for verdiskaping og kommersialisering kombinert med forsking på høgt vitskapleg og teknologisk nivå. Desse prosjekta har høg næringspolitisk prioritet og er i hovudsak innanfor miljø, energi, helse og IKT, prosessindustri og vareproduksjon – med andre ord: innanfor viktige satsingsområde for regjeringa. Eit anna godt verkemiddel er SkatteFUNN – ubyråkratisk og bra. Eg er glad for auken på 100 mill. kr som kom i vekstpakka. Så skal vi ha med oss at SkatteFUNN-ordninga er rettsbasert, ho utløyser ikkje berre dei marginale prosjekta, men også prosjekt som uansett hadde sett dagens lys. Eg er glad for at regjeringa i forskingsmeldinga seier at ho fortsatt vil prioritera eit breitt sett av verkemiddel som stimulerer til høg kvalitet, god relevans og godt samspel mellom forskingsinstitusjonar og næringsliv. Seinare i dag skal vi handsame sjømatmeldinga. Der har vi store ambisjonar på vegner av norsk sjømatnæring. Eit av dei viktige grepa er nettopp eit maritimt kunnskapsløft, med forsking og kompetanse i fokus. Det er trist at opposisjonen heller ikkje her, i denne saka, greier å bli samde. Dette er eit svært viktig område for næringslivet vårt, for næringslivet vårt, og for utviklinga til det lille landet vårt framover. Det er bra at landet har ei fleirtalsregjering som maktar og evnar å tenkja langsiktig og framtidsretta, for det fortener næringslivet vårt. De talere som heretter får ordet, har en taletid på inntil 3 minutter. Det er en blå tråd mellom Høyres tunge satsing på høyt kvalifiserte lærere og Det er en blå tråd mellom Høyres tunge satsing på høyt kvalifiserte lærere og ambisjonen om verdensledende forskningsmiljøer. Dagens forskning er grunnlaget for fremtidige lønnsomme og innovative arbeidsplasser. Derfor må vi forske mer, formidle mer og få til bedre samspill mellom næringsliv. Høyre er tilfreds med at en rekke av våre forslag har fått støtte fra en samlet komité og bidratt til å gi Norge en enda mer ambisiøs forskningspolitikk. Høyre mener at alle samfunnssektorer i større grad må anerkjenne betydningen av forskning, oppmuntres til å bidra til forskning og til mer systematisk å nyttiggjøre seg relevant forskning for å videreutvikle sin egen virksomhet. Den som leser Høyres forskningspolitiske dokument, vil se at Høyre er både langsiktig og tydelig på utfordringer og tiltak. Og når man har hørt denne debatten, kan man lure på om regjeringspartiene har lest innstillingen, for Høyre har faktisk sluttet seg til behovet for en langtidsplan, at langtidsplanen må være konkret, og at den tydelig må koordineres av Kunnskapsdepartementet.

Greier vi ikke å være billigst, må vi levere det aller beste produktet. Høyre vil derfor styrke incentivene for at næringslivet skal forske mer i fremtiden. Den viktigste ressursen for norsk forskning er de ansatte og den kompetansen de besitter. Den viktigste ressursen for norsk skole er lærerne og den kompetansen Derfor er det sentralt for Høyre at ph.d.-ordningen for offentlig sektor må gi rom for lærere som ønsker å delta i slike programmer. Høyre har tro på at mer skolenær forskning skal bidra til ny kunnskap om hva som kan påvirke og styrke kvaliteten i skolen. Vi må videre, vi må ha kvaliteten i skolen opp. Gode realfagsferdigheter er inngangen til svært mye forskning av stor betydning for fremtidig verdiskaping og velferd i Norge. Det betyr at grunnlaget for solide forskningsmiljøer faktisk legges i skolen. Derfor er Høyre så opptatt av at elever skal møte toppkompetente matematikklærere fra 1. klasse. Derfor er programmer som Nysgjerrigper og andre forskningslignende programmer så viktige for å stimulere barn og unges utforskertrang i ung alder. Derfor er det en blå tråd mellom toppkompetente lærere og toppforskere i fremtiden. Grunnleggende for forskning er forskningslignende programmer så viktige for å stimulere barn og unges utforskertrang i ung alder. Derfor er det en blå tråd mellom toppkompetente lærere og toppforskere i fremtiden. Grunnleggende for forskning er det å bygge videre på akkumulert kunnskap. Det betyr at det for forskeren er nødvendig å ha tilgang til nasjonal og internasjonal kunnskapsstatus samt kunnskapskilder – og det er krevende. Mengden av forskningspublikasjoner har økt, og fordi ved tilgang til forskningskilder økt. Det er ikke sånn at ny teknologi har redusert utgiftene til fag- og forskningsbibliotekene eller forskningsinstitusjonene. Det er tvert imot sånn at utgiftene har gått rett i været. I de fleste tilfellene har forskerne interesse av å dele sine resultater med andre – det er jo publiseringa som gir forskningsmessig status. Det er også sånn at man har interesse av å dele ut fra holdningen: Hvis jeg får tilgang til din forskning, får du tilgang til min. Det er vi alle avhengig av. Det er dette som ligger til grunn for åpen publisering. Jeg er veldig glad for at regjeringa så klart sier fra i meldinga at den prinsipielt mener at all forskning som er helt eller delvis offentlig finansiert, skal være åpen tilgjengelig, og at dette får en samstemmig støtte fra komiteen. Det er viktig å understreke at åpen publisering stort sett vil komme i tillegg til etablerte vitenskapelige tidsskrifter. Fri tilgang betyr heller ikke at det blir gratis for de institusjonene som bygger opp sine vitenskapelige arkiver. Foreløpig ligger prisen per publikasjon i åpne arkiver ennå over prisen per publikasjon i abonnementsdatabaser. Forskjellen er at utgiftene i det første tilfellet belastes institusjonen som bidrar med arkivering, mens det i det andre tilfellet belastes den institusjonen eller forskeren som ønsker tilgang. Begge disse to publiseringsmåtene vil leve ved siden av hverandre en god stund. Åpen publisering er å etablere en kunnskapsallmenning ved siden av det kommersielle markedet. Det er nødvendig for at kommersiell publisering får en konkurrent eller motkraft for å hindre monopolisering. At myndighetene stiller strenge krav om egenarkivering i åpne arkiver, vil bidra til at kommersielle utgivere vil måtte akseptere at publisering skjer parallelt. Oppbygging av åpne arkiver er derfor en viktig oppgave for institusjonene. Det blir dyrere jo større man er, men det gir altså tilgang for mindre institusjoner. Parallelt med det må vi fortsatt ha tilgang til de kommersielle publiseringene. Da er det viktig at jobben som Cristin gjør og da tenker jeg ikke på ministeren, men på databasesystemet Cristin – med å skaffe tilgang og lisensavtaler til databaser fortsetter. Åpen publisering er altså ikke en måte å spare penger på, men en måte å demokratisere tilgang til forskningsresultater på. Den maritime næringen er

I tillegg har «Youngship», en organisasjon startet og drevet av unge i næringen, hatt et stort engasjement for å øke antallet som velger den maritime næringen som yrkesvei. Innsatsen de gjør, er imponerende. Jeg er overbevist om at den vil gi resultater. Samtidig kan ikke noen få ildsjeler alene løse utfordringene knyttet til rekruttering til den maritime næringen. Mye tyder på at den maritime utdanningen dessverre er blitt nedprioritert. Det er dårlig stelt med lærebøker. Flere skoler bruker læremateriell som enten ikke er på norsk, eller som er fra 1970-tallet. Skipene fra 1970-tallet er skrotet. Nå er det på tide at også læremateriellet fra den tiden blir det. I tillegg er det et rekrutteringsproblem til læreryrket i disse fagene. Ofte er det vanskelig å finne personer som har kunnskap nok, som ønsker å bli lærer, og som får det til å passe inn i en eventuell turnus. I tillegg er det neppe særlig motiverende å vite at dersom man velger å undervise i maritime fag, må man selv finne læremateriell og selv legge opp undervisningen uten klare rammeverk. En undervisning uten klare rammeverk fører i sin tur til at studentene, når de skal ut på skip, kommer med svært forskjellig bakgrunn og forståelse. Noen er allerede klare for å kaste loss, andre burde vel egentlig hatt et år til på land. Dette skyldes en ulik utdanning etter ulikt utdanningssted. Samtidig ser vi at profesjonsutdanningene også sliter. Det ble avdekket en rekke feil og mangler ved utdanningsinstitusjoner landet over. Lab-kapasitet og simulatormulighetene er ofte dårlige på de fagskolene som er langt fra et universitet eller en høyskole. Det er behov for en samlokalisering av fagskoler og høyskoler. En slik samlokalisering vil gjøre at institusjonene kan trekke veksler på hverandres ressurser, og løse en del utfordringer knyttet til infrastruktur. Vi må utdanne for Vi må utdanne for framtiden. Vi må ha en maritim utdanning som setter Norge i stand til å opprettholde vår verdensledende posisjon i en av verdens viktigste næringer. Da er det behov for et løft, og løftet må komme nå. Vi har ikke tid til å vente, for skipet går nå. Jeg viser til de forslagene i Innst. 316 S og Dokument 8:59 S som allerede er fremmet av Dagrun Eriksen på vegne Line Henriette Hjemdal, Dagrun Eriksen og

for han sa at det var lite sjokk og vantro, både i opposisjon og andre steder, da regjeringen la fram forskningsmeldingen. Det husker jeg at det var – kanskje ikke først og fremst i opposisjonen, men i akademia, og i posisjonen var det ikke så rent lite sjokk og vantro da regjeringen i forskingsmeldingen valgte å spre usikkerhet om deltakelse i EUs Horizon 2020. Det var det også i opposisjonen, noe bl.a. jeg ga klart og tydelig uttrykk for. Dette er det suverent viktigste instrumentet for internasjonalt samarbeid for norsk akademia. Derfor er jeg glad for at Stortinget nå har ryddet opp i den usikkerheten som regjeringen forsøkte å spre. Så til 3 pst-målet: Hvis vi mener på alvor at vi ikke styrer over de virkemidlene som skal til for å nå målet, hvorfor i alle dager skal vi da ha et mål? Da kan vi like godt la være. Jeg vil tvert imot si at det er vi som styrer over virkemidlene, og derfor er det naturlig å ha et mål. Derfor bør det også tidfestes. Norsk næringsliv består av noen få store, tunge internasjonale konserner der forskerne har de beste rammevilkårene for å drive forskning. forskning. De har et virkemiddelapparat som i noen grad er i stand til å treffe. Det gjelder Statoil, Telenor og Hydro – og det gjelder noen av de store toneangivende internasjonale aktørene våre. Så har vi mange små og mellomstore bedrifter. Der vet vi mye. Vi har mange virkemidler som vi vet fungerer, men virkemiddelapparatet er ikke først og fremst innrettet mot de små og mellomstore bedriftene. Der er det mest å hente, men Brukerstyrt innovasjonsarena, NCE, SFI og men Brukerstyrt innovasjonsarena, NCE, SFI og nærings-ph.d-er fungerer. Men for de små og mellomstore bedriftene, som er de aller viktigste å mobilisere nå, er det SkatteFUNN-ordningen – og dette er heller ikke noe Fremskrittspartiet har funnet på, det er noe som er grundig dokumentert, og som bl.a. Innovasjon Norge peker på, direktør Fahlvik i høringen bl.a. – som er mest rettet mot små og mellomstore bedrifter. Men de har masse å gjøre, Så er det selvfølgelig også viktig å etablere infrastruktur. Derfor er jeg glad for at Oslo Space Center har fått en så god omtale i meldingen. Den kan bli et kinderegg som vil mobilisere privat kapital, styrke forskningsfelt der vi har både naturgitte, kunnskapsmessige og næringsstrukturelle fortrinn. Så håper jeg at statsråden tar med seg videre at komiteen også ber om å få etablert en nasjonal TTO, slik at man koordinerer arbeidet mellom TTO-ene på de store universitetene i Norge.

På side 12 i innstillingen fra komiteen finner man en opplisting som er hentet fra Høyres forskningspolitiske dokument – fire hovedmål og seks strategier. I tillegg til det har vi hentet en rekke av de forslagene som vi har fremmet i forbindelse med denne saken fra vårt dokument. Jeg utlover en stor premie til den som kan påvise hvor motsetningen ligger mellom disse fire hovedmålene og de seks strategiene og disse fem strategiske og fire tverrgående målene som ligger til grunn for Forskningsrådets virksomhet. Det er naturligvis ingen motsetning i det hele tatt. Men noen steder har vi kalt det litt forskjellig, og vi har slått sammen, forenklet og strukturert det på en litt annen måte. Det er ingen

forslag. Det er at Stortinget ber regjeringen opprette et valgforskningsprogram. Jeg vil bare understreke at vi i voteringen kommer til å støtte det forslaget. Det åttende forslaget er å vedlegge forskningsmeldingen protokollen. Det betyr at nesten alt det som Forskerforbundet sier gjør forskningsmeldingen mer ambisiøs, kommer fra Høyre. Men vil man kalle det en egotripp, er det for så vidt greit for oss. Det viktigste for oss er å ha en ambisiøs forskningspolitikk, og det har vi i forhold til regjeringen og i forhold til det vi har lagt frem. Så vil jeg til slutt si at det oppsiktsvekkende i denne debatten er at næringsministeren ikke har vært her, at han ikke har tatt del i debatten hvor vi har diskutert hvordan vi skal løse utfordring, nemlig å få næringslivet mer forskningsbasert. Det ønsker altså næringsministeren ikke å være med på å debattere. Det er oppsiktsvekkende. Det er

Det er ikkje riktig. Viss du les indikatorrapporten, står det at sjølv om vi kompenserer for næringsstruktur, så investerer norsk næringsliv mindre i forsking enn det våre naboland gjer. Eg har hatt gleda av å jobbe med næringsretta forsking både i næringslivet og ved universitet, og eg har kome fram til at det utan samanlikning viktigaste vi kan gjere for å få opp forskinga i næringslivet, er å styrke samarbeidet mellom universitet og høgskular og næringslivet. Vi kan bruke insentiv av ulike slag, men det utan samanlikning viktigaste vi gjer, er å bygge ned skotta mellom akademia og næringslivet. Der er gjensidige fordommar mellom akademikarar som ikkje likar kommersialismen i næringslivet, og der er fordommar i næringslivet mot akademikarar som ikkje bryr seg om næringslivet. Eg har sett at får vi sett dei saman, genererer det tillit, og det genererer nye spennande prosjekt. Vi har ei rekke klyngesamarbeid i Noreg som er finansierte gjennom NCE-programmet og ARENA-programmet, og no blir signalisert at vi skal få Global Centers of Expertise. Dette er grep som faktisk løftar fram forsking, og det løftar også fram forsking for små og mellomstore bedrifter. Ved slike klyngar får ein den som har tid og ressursar å bruke på å bygge opp samarbeidet med institusjonar, tek med seg dei små og mellomstore bedriftene slik at det siv forskingsresultat også ut til dei små og mellomstore bedriftene. Slik ser dei at det er noko å hente også for dei i forskingsallmenningen. Det utan samanlikning viktigaste for at næringslivet skal satse på forsking, er at vi har grunnforsking Ein kan ikkje forvente at næringslivet i internasjonal toppdivisjon skal samarbeide med norske institusjonar om forsking viss ein ikkje på grunnforskingssida er i verdas toppdivisjon. Der meiner eg at regjeringa har gjort eit veldig godt grep ved å satse på ein tiårsplan for forsking. Å satse på ein tiårsplan for forsking vil løfte norsk forsking opp på eit nivå som gjer at næringslivet synest det er interessant å samarbeide med norske

tidfesting. Så en liten visitt innom næringslivet og behovet i næringslivet. Jeg også savner næringsministerens deltakelse i debatten, fordi vi trenger den stemmen inn for å få opp næringslivets innsats. Ingen her har tatt til orde for at staten skal overta, men veldig mange – særlig hos oss i opposisjonen – har snakket om en mer aktiv stat for å ha insentiver som næringslivet faktisk kan og vil bruke, og som næringslivet faktisk kan og vil bruke, og som er målrettet for dem. SkatteFUNN-ordningen har hatt en skjebne som har gått litt opp og ned. Den ble innført av Bondevik II-regjeringen, og nå er vi glad for at hele Stortinget sier at dette er en viktig ordning som vi trenger å ivareta. BIA har stort sett vært hele tiden og er et godt er et godt virkemiddel. Når det gjelder representanten Alf Egil Holmelids innlegg om samarbeid mellom næringslivet og akademia, er gaveforsterkningsordningen også en viktig ordning. Den har denne regjeringen også tatt vekk, og etter hvert kommet tilbake til. Det er mange virkemiddel og stimuli som må til, og det er også mye vi må gjøre for å få til en bedre dialog, for de snakker hver sine språk i

skiller seg såpass kraftig ut av det kreves særlige tiltak. Da tenker jeg på valgforskning som vi har fått inn i denne meldingen. De driver en viktig forskningsformidling som vi er opptatt av. Det er et lite, sårbart miljø, samtidig som det er et viktig miljø som er til stede når vi skal forstå politiske strømninger. De har samlet opp data over lang tid, som det er viktig å ivareta. Jeg er veldig glad for at vi kan få dette i mer ordnede former, forhåpentligvis med et tiårsprogram som blir konkurranseutsatt. Det forhåpentligvis med et tiårsprogram som blir konkurranseutsatt. Det er jeg veldig glad for – og også at Høyre har valgt å støtte dette. Da sikrer vi tverrpolitisk enighet om det. Så til Høyres særmerknader om sine hovedmål. Representanten Henning Warloe forklarte om dem. Etter å ha hørt hans forklaring, forstår jeg ikke hvorfor de ikke kunne være med på resten av komiteens merknader.

opp. Gaveforsterkningsordningen øker ikke næringslivsforskningen – det er penger som går rett inn i universitets- og forskningsmiljøene, som ikke er forskning ute i næringslivet, selv om det ble nevnt i denne sammenheng av representanten Dagrun Eriksen. Men vi snakker om veldig store penger – 30 mrd. kr–40 mrd. kr. Det er ikke tenkelig at SkatteFUNN klarer å mobilisere så mye penger. så mye penger. Så man snakker om helt andre grep, og de grepene har jeg ikke hørt noen verdens ting om. Man må tenke helt annerledes, helt nytt. Det er kjempekrevende. Jeg tror vi skal ha respekt for at ingen av oss sitter med de virkemidlene, for dette er veldig sammensatt, som jeg var inne på i mitt innlegg. De landene som får det til, gjør mange systematiske grep over lang tid. Da kan de ha et håp om at de over en periode på 5–10–15–20 år kan få en løsning.

Store satsinger fra ulike bransjer vil kreve økt ingeniørkompetanse. Ingeniørbehovet i Norge vil være permanent høyt og voksende. Den store mangelen på ingeniører fører i særlig grad til to ting: Lønningene for ingeniører blir presset opp, og en stadig større andel av ingeniørene blir hentet fra utlandet. Høye lønninger er hyggelig for ingeniørene, men utfordrende for næringslivet. Norsk lønnsnivå i konkurranseutsatt næring ligger i dag 70 pst. høyere enn konkurrentene i andre land. Det sier seg selv at det er nærmest umulig å konkurrere med slike forutsetninger. Når vi i tillegg ser en realnedgang i tilskudd til næringsrelatert forskning, kan vi risikere at vi heller ikke kan konkurrere på innovasjon og nyskapning. Vi ligger altså an til å prise oss ut. Samtidig vil stadig økt innhenting av arbeidskraft fra utlandet ikke bare tappe andre land for sårt tiltrengt kompetent arbeidskraft, men også øke risikoen for at den kompetansen vi i dag besitter, en

er det god grunn til å tro at et karakterkrav til ingeniørutdanningene vil ha samme effekt. Til tross for regjeringens realfagsstrategi går andelen elever som velger den vanskeligste matematikken i tredje krasse, ned. Fra over 7 000 elever med den mest avanserte matematikken i 2008, er tallet i dag under 6 000 elever. Det er altså et fall i absolutte tall i en periode der ungdomskullene øker. I dag er det dessverre ikke et godt nok tilbud til dem som er svært gode i matematikk. Med avansert matematikk som nytt valgfag, vil de elevene som velger det, være med på å dra opp nivået i de ordinære matematikktimene også. Ingeniørutdanningen er sannsynligvis den utdanningen det er minst økonomisk rasjonelt for utdanningsinstitusjonene å satse på. Det er den utdanningen som har lavest inntekt i forhold til utgiftene. Ingeniørstudiet med behov for utstyr, laboratorier og personlig veiledning er så kostnadskrevende at den hører hjemme i kostnadskategori D. I tillegg er det I tillegg er det avgjørende at kapasiteten på sivilingeniørstudiene blir utvidet så langt det er mulig uten at kvaliteten på studentene som blir tatt opp, faller noe særlig. Det vil trolig være rom for å ta inn ytterligere 500 flere studenter per år, uten at kvaliteten på kandidatene faller dramatisk. Det er imidlertid ikke mulig med dagens infrastruktur på studiestedene. Posten for vitenskapelig utstyr må utvides, og det må gjøres en målrettet satsing for å utvide laboratoriekapasiteten på studiesteder som tilbyr ingeniørstudier, som NTNU og andre studietilbud i regioner som har stor vekst og et stadig økende behov for ingeniører. I tillegg vil enklere overganger mellom ingeniørstudiet og sivilingeniørstudiet bidra til å øke antallet sivilingeniørstudenter. La meg først si noen få ord om om å etablere et valgforskningsprogram. – Det går som en rød tråd gjennom hele innstillingen at Fremskrittspartiet ikke liker politisk styring av forskning. Men etter å ha overveid dette spørsmålet en stund etter at innstilingen var avgitt, har jeg konkludert med at jeg kommer til å anbefale Fremskrittspartiets representanter til likevel å stemme for forslag nr.7. I og med at at dette er forskning om hvordan Stortinget er sammensatt, er det lettere å argumentere for at det er greit å gjøre vedtak i Stortinget om det. Jeg synes representanten Holmelid sa noe veldig klokt. Styrket samhandling mellom akademia og næringslivet er helt fundamentalt grunnleggende for å lykkes med å få næringslivet til å forske mer. Jeg har også lyst til å trekke fram noe Fremskrittspartiet har tatt til orde for, nemlig å gjøre det lettere for universiteter og høyskoler å ansette forskere, doktorer, uten så veldig mange publiseringspoeng i toerstillinger. Har man forsket i 25 år på Hydros forskningsanlegg for aluminium, er man blant verdens fremste forskere på framstilling av aluminium, men man er i dag stort sett ikke kvalifisert til å få en toerstilling i norsk akademia. Etter at vi skrev denne merknaden, og etter at innstilingen var avgitt, har jeg hatt den glede å bli Etter at vi skrev denne merknaden, og etter at innstilingen var avgitt, har jeg hatt den glede å bli informert om at Universitetet i Oslo nå jobber med en strategi som inkluderer dette. Jeg håper at det er en strategi som Kunnskapsdepartementet vil stimulere til, slik at andre kopierer det. Det er ingen tvil om at det å få doktorer med lang erfaring fra næringslivet inn i akademia vil være positivt i så måte. Jeg tror også det er positivt for å styrke samhandlingen mellom akademia og næringslivet at vi nå vil få en strategi for styrking av studentaktiv forskning. Har man blitt eksponert for og deltatt i forskning som student, er det åpenbart mer sannsynlig at man vil fortsette å følge internasjonale forskningsfronter i framtiden, uansett om man jobber i akademia eller i næringslivet. Så det tror jeg i seg selv vil være positivt. Så det tror jeg i seg selv vil være positivt. Jeg tror ikke det kan være tvil om at studiekvalitet, som det nå også kommer en melding om, er viktig. Har næringslivet tillit til at kvaliteten på utdanningen er høy, vil det også bidra til økt tillit og samarbeid mellom sektorene. Jeg er stygt redd for at jeg må opp på talerstolen en gang til, for nå har jeg nok en gang ikke mer taletid

peker på er den store utfordringen for Norge. Det må altså helt andre virkemidler til. I stedet for å forlange at opposisjonen skal komme med denne listen over virkemidler, burde kanskje regjeringen ha tenkt på det i forbindelse med den forskningsmeldingen vi har hatt til behandling i

på forskning. Her ser man noen funn som gir særlig grunn til bekymring. Ett av funnene var nemlig at uansett hvordan vi måler dette, bruker Norge mindre på forskning enn våre naboland Finland, Sverige og Danmark. Jeg kan ikke komme på én eneste god grunn til hvorfor Norge skal sakke akterut når det gjelder forskning – tvert imot. Norge skal være rustet for fremtiden gjennom et krafttak for forskningen. Det er det som bidrar til innovasjon, til nye bedrifter, til lønnsomme arbeidsplasser og bedre velferd.

For kunnskap, forskning og innovasjon er avgjørende for vår konkurransekraft, det er avgjørende for å styrke næringslivet, og det er en forutsetning for fremtidig velferd. Det hadde vært veldig flott om næringsminister Trond Giske kunne vært til stede i Stortinget under forskningsdebatten, særlig når vi vet at det er i norsk næringsliv forskningen bør øke

Jeg trodde at det var en del av ministerens portefølje – det som handler om forskning og innovasjon i næringslivet. Jeg synes derfor det er synd at han ikke er til stede. Derimot vil jeg love at hvis Høyre vinner valget til høsten, vil det komme en langsiktig og forutsigbar innsats på forskningsområdet, og at hvileskjæret fra de rød-grønne blir erstattet med et krafttak

mange blir holdt utenfor på grunn av økonomiske spørsmål i internasjonale forskningsfronter – i måneder og år etter at ting er publisert. Det er åpenbart også et akademisk problem at noen akademikere blir holdt utenfor det gode selskap fordi de ikke har økonomiske muskler til å skaffe seg tilgang til all den forskningen som gjøres der ute. Det er i utgangspunktet bred politisk enighet om at det er behov for en kraftsamling. Verden blir mer og mer internasjonal – og den blir mindre og mindre. Én av tre arbeidstakere skal i framtiden jobbe i konkurranseutsatt næringsliv. Hva bruker vi tiden på i Norge? Ja, det er Trondheim mot Bergen, det er Alta mot Tromsø, det er Oslo mot røkla – hovedsakelig. Men konkurrentene våre er jo ikke i Oslo eller i Bergen; de er i Singapore, Shanghai, Cape Town, Houston, Southampton, New York, San Francisco, Moskva og over alt ellers i verden. Vi graver hodet ned i sanden og graver hodet ned i sanden og krangler om hvilken side av Mjøsa eller hvilket fogderi i Møre og Romsdal som er best, og hvor satsingen bør finne sted. Dette er en interessant politisk øvelse som mange av oss har stor glede av, men det hjelper jo ikke. Det hjelper ikke om Hedmark slår Oppland eller om Møre og Romsdal slår Sogn og Fjordane, mens vi taper mot de internasjonale kunnskapsmiljøene der ute. Vi – Fremskrittspartiet hevder i alle fall det – har forholdsvis mange penger i dette landet. Men det

jeg sier at jeg skulle ønske at vi hadde et litt lavere bruttonasjonalprodukt, og det er når jeg møter mine nordiske kolleger. Da sier jeg: Hvis noen av dere har lyst til å overta vårt bruttonasjonalprodukt, med de resultatene det gir for hvordan man måler forskningsinnsats, så vær så god. – Da vil de gjerne slå til alle sammen. Norge har nest høyest forskningsinnsats per innbygger – når vi måler det på denne måten – i når vi måler det på denne måten – i OECD-området. Det betyr at vi har en betydelig forskningsinnsats. Vi ønsker selvsagt at den skal øke, men også at den skal spisses mer, og at vi er sikre på at vi får god kvalitet for det vi investerer. Begge disse perspektivene tar forskningsmeldingen opp. Det viktigste grepet – det har jeg vært inne på flere ganger – er en tiårig, nasjonal langtidsplan for forskning. Så skal vi også gjennomgå finanseringen av høyskoler og universiteter. Det er viktig i forskningssammenheng, men også for å vekte opp mot utdanning. Så er jeg glad for at det nye grepet med innstegsstillinger i Norge er godt mottatt – og mange ønsker seg det. Det er også bred enighet om å ha et sterkt grep om midlertidigheten i At det skal være åpen tilgang til forskningsresultater, er jeg helt enig med saksordføreren i. Det handler om demokratisering. Det handler om fordeling. Det handler om at forskere i fattige land også skal få ta del i noe av det vi finansierer. Men det handler også om kraften i forskningen. Det er klart at jo raskere nye, interessante forskningsfunn kan formidles til en hel forskningsverden, jo raskere er det noen som kan gå videre med å utvikle sin egen forskning på bakgrunn av det. Så er det viktig at vi også får en offentlig ph.d.-ordning, at vi får en gaveforsterkningsordning som gir institusjonene større mulighet til å kunne styre hvor de statlig utløste midlene skal komme, og at man har et sterkt utdanningsperspektiv i forskningsmeldingen. Det mener jeg er avgjørende viktig. Så bare et par kommentarer til næringslivsforskningen. Jeg er veldig enig i det perspektivet som representanten Holmelid og flere andre har nemlig at det er når man ser nytten man kan ha av hverandre, at man virkelig kan få dette til å ta fart. Når jeg ser på de alternative budsjettene som Kristelig Folkeparti og Venstre har hatt på forskningssiden, har Kristelig Folkeparti økt forskningsinnsatsen med 160 mill. kr i forhold til regjeringen. Hvis man skal kompensere for det forskningsbehovet som næringslivet har, snakker vi om 5–6 mrd. kr i året. Det hav mellom dette. Vi må ha en strategi, og felles nytte er den viktigste strategien. En av de tingene som tydeliggjøres i denne meldingen, er

Så er det dette med næringslivsforskning og 3 pst.-målet: Jeg mener med tyngde at det blir en litt fattig debatt – det var begrepet jeg brukte i mitt innlegg – hvis det er det vi skal ha hovedfokus på. Det er et hårete mål i seg selv å ha 3 pst. som et mål, det er enda mer hårete å tidfeste det, og det er så hårete at det vil bli plagsomt, er min påstand, for dem som

flere representanter har tatt opp: Det at en har kulturforskjeller, at alle folk må oppleve at det er til nytte for dem, at det er lurt for deres bedrift, at det er bra for deres forskningsmiljø å delta i bedre samarbeid med osv. Jeg etterlyser mer ydmykhet rett og slett i det spørsmålet, for det er ikke noen «quick fix» – det er ikke bare å vedta det her, og så blir det en realitet. Det hadde jeg ønsket meg, for det fortjener dette temaet. Representanten Hofstad Helleland forsøker på det jeg vil kalle å snakke ned forskningen når hun sier at vi ligger dårlig an på forskjellige målinger. Sannheten er Helleland forsøker på det jeg vil kalle å snakke ned forskningen når hun sier at vi ligger dårlig an på forskjellige målinger. Sannheten er at det har vært satset veldig mye på forskning under den rød-grønne regjeringen. Siden 2005 har forskningsbevilgningene hatt en vekst på 32 pst., og det offentliges bidrag har økt fra 0,8 pst. til 0,92 pst. Vi nærmer oss altså

EU-15. Som statsråden sa, er det også sånn at vi kommer høyt opp på barometrene når vi måler i BNI. Det vi har utfordringer med, er særlig næringslivsforskningen. Det kan forklares med at vi har mange små og mellomstore bedrifter, og at vi har store sektorer som er utelatt fra disse indikatorene og Så vil jeg bare si at det er stor samstemmighet om hovedlinjene i forskningsmeldingen. Det vil også bringe oss oppover på barometrene, er tanken, selv om Høyre har valgt å stå utenfor en del av merknadene. Så det bør ikke være slik at det etterlatte inntrykket er at vi ligger dårlig an på forskning i Norge. Det fortjener ikke forskningsmiljøene våre. Det er

med å få opp innovasjonskrafta og forskinga, har ein mykje tettare kultur, der dei møtest og utvekslar idear og tankar om framtida. Det er òg slik at vår næringsstruktur og samansetjinga av våre bedrifter er ei utfordring, for dei er ikkje spesielt forskingsintensive. Norske bedrifter med under ti tilsette står for 36 altså ein enorm produksjon i små bedrifter. Det er ei utfordring. Så vil eg retta merksemda mot det som opplevast som eit mantra frå Høgre gong etter gong i den typen debattar, nå frå representanten Hofstad Helleland. Der blir det framført at norsk innovasjonsevne er skral, og me kjem dårleg ut på internasjonale Eg vil først og fremst slå tilbake denne påstanden, for det har ikkje noko hald i verkelegheita. Me har eit godt system for å registrera slike rangeringar: Det er den norske indikatorrapporten. Den siste indikatorrapporten, for 2012, seier noko om dette. Han seier: «Det er en sannhet med store modifikasjoner.» Noregs plass varierer nemleg særdeles mykje. Han seier: «Det er en sannhet med store modifikasjoner.» Noregs plass varierer nemleg særdeles mykje. Det er mange ulike typar rangeringar. Me har f.eks. Innovation Union Scoreboard som Høgre ofte viser til: Der har me ein 17. plass, av 40 land. Så har me World Competitiveness Scoreboard: Der tar me ein 8. plass, av 59 land. Eg kan gå vidare til den tyske indikatorrapporten som har eit mykje meir treffsikkert sett av indikatorar, og som er mykje tydelegare enn han som Høgre ofte brukar: Der har me stige frå ein 14. plass i 1995 til ein 7. plass i 2010. Me ser frå område til område at den norske innovasjonskrafta er betydeleg større enn det biletet Høgre yndar å teikna. Det blir både feil og misvisande. Igjen viser eg til indikatorrapporten for 2012 – side 30, for den som er spesielt interessert, der ein skriv: analysen av norsk innovasjonsevne bør avgjort bygge på et mer nyansert grunnlag enn vår samlete plassering i ulike

Da har jeg bare lyst til å si et par ting. For det første er det ikke alt ved utvikling av næringslivet som skal løses av forskning og det vi snevert definerer som forskning. Næringsministeren har akkurat lagt fram en stortingsmelding om mange andre tiltak rundt næringsvirksomhet som også er utrolig viktig, som er en offensiv melding, og som inngår i vår felles strategi.

forskningspolitikk, må ha en tilnærming som tar utgangspunkt i at all viten er viktig viten, at all ny kunnskap har verdi – selv om det ikke kan cashes inn i nye kroner akkurat de neste årene – og at nysgjerrigheten, det å stille nye spørsmål som betyr at vi må strekke oss etter nye krav, i seg selv er en utrolig viktig drivkraft
vedtatt. Første taler er Tord Lien.

burde vi i større grad aktivt mobilisere for å skape et bedre og mer effektivt samfunn. Eksemplene er mange. Det gjelder energiutbygging, veiutbygging og, ikke minst, kanskje helsefeltet, hvor Fremskrittspartiet vel står noe alene i å mene at det bør være en målsetting ikke bare å forske på helse og på hvordan man kan behandle flere pasienter, men også på få bedre logistikk i helsevesenet. Jeg tror det aller viktigste er – og da kommer vi tilbake til det vi har snakket litt om tidligere i dag – styrking av samarbeidet mellom akademia og næringslivet. De disiplinene der man kan mest om språk, mest om kultur og mest om andre samfunn, er de som man finner innenfor humaniora og Av de store bedriftene i Norge som er internasjonalt orientert, er det først og fremst Telenor som har mobilisert disse disiplinene i sitt arbeid. Her tror jeg det er mye å hente. Det er mye å hente ved å satse på humaniora og samfunnsvitenskapene som disipliner. Det er også mye å hente ved å mobilisere humaniora og samfunnsvitenskapene til å styrke internasjonaliseringen av norsk offentlig forvaltning og – ikke minst – av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

saksordfører og del av flertallet vil jeg gjøre rede for Kristelig Folkepartis og regjeringspartienes merknader og posisjon i innstillingen. Jeg regner med at mindretallet tar ordet for å orientere om sine synspunkter. Kristelig Folkeparti og regjeringspartiene støtter lovforslagene slik de foreligger i proposisjonen. Endringene innebærer at barnehagelovens bestemmelse om politiattest harmonerer med det overordnede rammeverket i politiregisterloven, at de to lovene harmoniseres når det gjelder omfanget av straffebud som skal framgå av politiattest, at det blir et absolutt krav om framleggelse av politiattest for alle som ansettes fast eller midlertidig i barnehagen, og at barnehageeiere og kommunene gis lovfestet adgang til å kreve politiattest også av personer uten tilsettelse som har mulighet til å være i direkte kontakt med ungene. Lovendringene innebærer videre en klar utvidelse av hvilke overtredelser i straffeloven som skal anmerkes på politiattester utstedt med hjemmel i barnehageloven, at verserende saker knyttet til seksuelle overgrep mot både mindreårige og voksne anmerkes på og at barnehageeiers eventuelle behov for nye eller oppdaterte opplysninger synliggjøres med en formulering i barnehageloven som viser til politiregisterloven § 43. Regjeringen får tilslutning til at det i barnehageloven ikke fastsettes særskilte regler om for dem som har bodd i andre land, utover det som allerede følger av politiregisterloven. Det betyr at det ikke innføres et lovbestemt krav om botid for personer med opprinnelse utenfor EØS-området. Komiteen støtter også regjeringens forslag til endringer i barnehageloven § 7 om rapportering av tjenestedata. Når man gjør den type endringer som vi gjør i dag, er det viktig at det gjøres en avveining med hensyn til hvilke lovbrudd som skal være med i en politiattest i forbindelse med omsorgsrelatert arbeid. Det er mange lovbrudd i et menneskes forhistorie som kan være av en karakter som ikke nødvendigvis gjør vedkommende mindre skikket til å arbeide med barn i barnehage. Det kan være knyttet til et oppvekstmiljø. Det kan være knyttet til at man i yngre år har tilhørt et bestemt miljø. Det kan også være knyttet til en periode med rusavhengighet osv. Jeg er glad for at vi nå vedtar et lovverk som styrker vernet om unger, som styrker tryggheten i barnehagene, og som styrker kontrollen med dem som ansettes for å ha omsorg for unger i barnehagen. Det er likevel viktig at det gjøres fornuftige avveininger, slik at regelverket framstår fornuftig. Det er i denne sammenhengen verdt å nevne at Stortinget også i den påfølgende saken på dagens kart skal diskutere barnevern, barnevern, der et viktig tema er ettervern og det å bringe mennesker tilbake til samfunnet etter en trøblete oppvekst, og der det handler om å gi ungdommer muligheten til å reise seg etter en vanskelig start på livet. Samlet sett mener flertallet i komiteen at regjeringen har funnet en god balanse der summen er at vi styrker vernet om unger, og at vi utvider kravene til hva som skal dokumenteres per politiattest for å bli ansatt i barnehage. Flertallet anbefaler derfor at lovendringene i proposisjonen vedtas og er godt fornøyd med resultatet.

får denne loven på plass for å styrke vernet av og også kontrollen med dem som skal ha kontakt med barna. Det Fremskrittspartiet har i sine merknader, er en liten presisering, fordi vi har hatt oppe flere saker denne perioden når det gjelder politiregisterloven, at flere attester skal passe inn i den. Vi vet også at de som kommer fra EØS-land, skal godta attestene som er utstedt. Likevel mener vi det er viktig at vi presiserer at dette blir gjort, og at regjeringen har rutiner på at dette skjer automatisk, for det har skjedd et par ganger at det ikke har blitt gjort. Det er også en betenkning i saken når det gjelder dem som kommer fra land utenfor EØS. Vi vet at veldig mange av dem som kommer til Norge og får opphold, som – etter at de Vi vet at veldig mange av dem som kommer til Norge og får opphold, som – etter at de har gått gjennom introduksjonsprogrammet – jobber i barnehage. Det er et veldig fint springbrett for en del å kunne begynne å jobbe i barnehage og få erfaring med arbeidslivet og ikke minst også få inn språket. Det er ikke det Fremskrittspartiet vil til livs, men det er likevel viktig at vi påser at vi også får vurdert om det skal være et krav til botid for disse personene, slik at vi får sikret at de har en politiattest som holder vann. Dette er de presiseringene Fremskrittspartiet ønsker. Likevel er vi veldig glad for at lovverket kommer på plass. Vi har sett at det har vært episoder der det har vært personer som har jobbet i barnehage som overhodet ikke burde ha jobbet der, så for å sikre barns

Utdanningsforbundet og Foreldreutvalget for barnehager har påpekt behovet for at reglene ivaretar barns sikkerhet i barnehagen. I barnehagen må vi ha ansatte som kan sette grenser både for seg selv og for andre. Da er det viktig at arbeidsgiver ved ansettelse får tilstrekkelig informasjon om søkere, slik at arbeidsgiver kan vurdere grundig om hun eller han vil ansette mennesker som har en fortid der de har begått gjerninger man mener er uforenlig med det å arbeide i barnehage. Hvis en person har vært fengslet i inntil fire år for å ha skadet andre eller har brutt legemiddelloven og misbrukt narkotika, mener Høyre at arbeidsgiver må få muligheten til å innhente kjennskap til dette før man ansetter noen i barnehagen. Høyre vil derfor foreslå at politiattesten også gir arbeidsgiver opplysninger om forhold som legemsbeskadigelse, brudd på legemiddellovens regel om narkotiske stoffer og resepthåndtering. Personer som er dømt for grov vold, menneskehandel eller vold i nære relasjoner, bør utelukkes fra arbeid i barnehage, og Høyre foreslår at dette innarbeides i loven. Frem til nå har ikke styrer kunnet be om nye politiattester. Den nye politiregisterloven åpner for dette, men bare hvis vilkårene for politiattester fortsatt er til stede. Det betyr altså tilfeller hvor arbeidsgiver har fått tilgang til informasjon som gir grunn til å tro at det foreligger nye opplysninger av betydning. Det betyr at arbeidsgiver må ha kjennskap til at arbeidstaker har begått nye lovbrudd for å kunne be om en ny attest. I Høyre mener vi det er grunn til å stille spørsmål ved om dette ivaretar barns behov for sikkerhet og trygghet i barnehagen godt nok, og det er mange sentrale aktører som mener det bør være anledning til å kunne hente inn politiattester i sektoren. Høyre støtter dette. Barns sikkerhet må komme først, og vi foreslår derfor at det gis en generell mulighet til å få ny vandelskontroll også for andre opplysninger enn det som fremgår av hjemmelsgrunnlaget da den opprinnelige politiattesten ble utstedt. Høyre er glad for at bestemmelser rundt barneomsorgsattest er bedret i forbindelse med oppdatering av politiregisterloven, men vi mener at forslaget ikke er tilstrekkelig, at det bør utformes tydeligere og strengere. Med dette tar jeg opp forslagene fra Høyre og Fremskrittspartiet. Representanten Linda C. Hofstad Helleland har tatt opp de forslagene hun refererte til. Formålet med endringen av reglene om politiattest er

til at barna i barnehagene tas hånd om av skikkede personer. De siste årenes utvikling, med et økende antall barn i barnehagen, krever at det ikke er tvil om at det kun er egnede personer som omgås våre barn i barnehagehverdagen. Dette tilsier at reglene om vandelskontroll, bl.a. politiattester, blir endret slik at personer som har begått overgrep mot mindreårige, og personer som har skadelig innflytelse på barn, utelukkes fra å jobbe i barnehagene. I forbindelse med innføringen av ny politiregisterlov ble det av Justisdepartementet gjort grundige vurderinger av hvilke lovbrudd som bør anmerkes på politiattesten til personer som skal få ansettelse i arbeid som medfører kontakt med barn og mindreårige. I arbeidet med lovproposisjonen har Kunnskapsdepartementet gjort en tilsvarende vurdering med sikte på å lovfeste de brudd som skal anmerkes på politiattester som skal framsettes før ansettelse i barnehage. Lovforslaget innebærer en viktig harmonisering med det overordnede rammeverket i politiregisterloven, som Stortinget har vedtatt skal tre i kraft og avløse strafferegisterloven fra 1971. I dag er kravet at politiattester med hjemmel i barnehageloven skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn. Jeg mener det er viktig å endre lovbestemmelsen slik at arbeidsgiver får et bredere grunnlag til å vurdere egnethet ved ansettelse. Forslaget som er til behandling i dag, innebærer en vesentlig utvidelse av antallet overtredelser av straffeloven som skal anmerkes på politiattesten for dem som ønsker ansettelse i barnehagen. Etter forslaget skal alle typer seksualforbrytelser anmerkes, uavhengig av om den fornærmede er barn eller voksen. Alle overtredelser av straffelovens regler om narkotika-, rans- og voldskriminalitet skal framgå. Det skal i tillegg framgå ikke bare om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt, men også om personen har vedtatt et forelegg med bakgrunn i denne type overtredelser. Gjennom forslaget får alle barnehageeiere et langt bedre grunnlag for å vurdere om en jobbsøker er uegnet for å jobbe i barnehage. Det er grunn til å framheve at plikten til å legge fram politiattest etter forslaget som fremmes, ikke bare gjelder dem som ønsker fast eller midlertidig ansettelse. For å trygge barna har jeg vurdert det som nødvendig at plikten også skal omfatte alle personer som oppholder seg regelmessig i barnehagen, f.eks. vaktmester og rengjøringspersonale, og at personer med vesentlig innflytelse på barnehagenes drift også skal være med, Noen straffebud anses særlig relevante for formålet å beskytte barn og unge. Dette gjelder særlig overtredelse av straffebud knyttet til seksualforbrytelser overfor mindreårige. Av den grunn foreslås et yrkesforbud i barnehage for personer som har begått slike handlinger. Skadepotensialet er spesielt stort ved denne typen lovbrudd. Beskyttelseshensyn må derfor gis avgjørende og spesielt tung vekt. Personer som har begått denne typen lovbrudd, skal derfor etter forslaget ikke engang kunne vurderes for ansettelse i barnehagen. Det var høringsinstanser som ønsket å utvide yrkesforbudet til også å gjelde flere av de øvrige lovovertredelsene som etter forslaget skal anmerkes på politiattesten. Med dette vil jeg understreke at spørsmålet er grundig vurdert i lovproposisjonen. Beskyttelseshensynet og livssynshensynet som taler for å ta med flest mulig opplysninger på politiattesten, er grundig veid opp mot personvernhensyn, ressurshensyn og hensynet til resosialisering – og det taler imot å ta med unødige opplysninger. Dette er en viktig vurdering, og jeg vil understreke at forslaget om yrkesforbud som er fremmet, er innholdsmessig det samme som kirke-, utdannings- og forskningkomiteen og justiskomiteen har gitt sin støtte til gjennom vedtakelsen av opplæringsloven, privatskoleloven og politiregisterloven. Jeg vil til slutt at vi ikke må tro at regler og politiattester i seg selv er et tilstrekkelig vern for barn i barnehage. Nytten av disse reglene må ikke overvurderes. Også i tiden framover er det avgjørende for barns sikkerhet at barnehageeier gjennom sitt arbeidsgiveransvar følger opp alle ansettelsesprosesser med grundige intervjuer og referanseinnhentinger. Det er bare en sjelden gang at det er noen som tidligere er tiltalt eller dømt for alvorlige forbrytelser, som melder seg som søkere til barnehager – og derfor har et rulleblad som gjør at man vet at man står overfor en person som kan true barn. I de aller fleste tilfeller er det slik at de som begår overgrep mot barn, ikke tidligere er eller har vært straffet eller siktet i slike saker. Derfor: Vær oppmerksom!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

det er særdeles viktig at kvart barn som har tiltak i barnevernet, blir hjelpt tidleg nok, altså at ein kjem for seint så tidleg som mogleg. Meir kan gjerast for å førebyggje omsorgssvikt. Det blir no lagt opp til eit tverrdepartementalt samarbeid for å utvikle eit felles kunnskapsgrunnlag om førebyggjande innsatsar for å oppdage og hjelpe utsette barn i alderen 0 til 6 år – med vekt på korleis ein kan styrkje tilknytinga og samspelet mellom barn og foreldre.

er å utvikle eit betre vern for barn gjennom samhandling og samarbeid mellom tenester som barnehage, helsestasjon, skule, politi m.fl. I proposisjonen blir det føreslått to nye prinsipp som går på barn sin rett til medverknad og om tilknyting og relasjonskvalitet. Det seier noko meir om kva som er viktig for barn sitt beste og vil kunne føre til at ein i fleire tilfelle kan setje inn tiltak tidlegare. Regjeringa vil setje i gang tiltak for å styrkje utgreiingskompetansen for å vurdere om barn lever i ein situasjon som gjer at omsorgsovertaking er nødvendig. Det betyr òg styrking av kompetansen om tilknytingskvalitet og foreldras potensial til å gje den omsorga som barn treng. Dette er etter mitt syn veldig viktige grep. Barn har blitt høyrde for lite i barnevernet. barnevernet. Eg er no glad for at me lovfestar barn sin rett til å bli høyrde. Eg er i tillegg glad for at regjeringa føreslår å lovfeste barn sin rett til å få ein tillitsperson. Dette har vore eit klart ønske frå barn i barnevernet sjølv, og er med på å styrkje både tryggleiken og den reelle moglegheita deira for medverknad. Det å få med seg nokon som ein kjenner og stolar på, vil føre til at barn i større grad kan tore opne seg og uttale seg om korleis dei har det og kva dei meiner.

Me ser òg ein stor auke i bruken av familieråd, og heile 400 kommunar har no fått opplæring i bruken av metoden, og det blei gjennomført over 600 familieråd i 2012. Ein treng ikkje vere dårleg for å bli betre. Me har i dag eit godt barnevern med mange tilsette som kvar dag gjer ein god og viktig jobb – med tusenvis av flotte fosterforeldre og fagleg sterke institusjonar. Me ser ei positiv utvikling når det gjeld fristbrot, ventetider og tilsyn. Me har gjennom barnevernsløftet fått 850 fleire stillingar i det kommunale barnevernet, og aldri før har fleire fått hjelp. Samtidig veit me at barnevernet i altfor mange år har vore ei underprioritert politisk oppgåve. Det er derfor avgjerande at me får fortsetje det løftet me er i gang med. Å bruke pengar og tid på grundige politiske prosessar for å utvikle eit godt barnevern, slik me no gjer, er så utruleg viktig. Barndommen er ikkje berre ein tilstand der me ventar på å bli vaksne – han har ein enorm verdi – og ungane er svært såbare. Den tida kjem aldri att. Den viktigaste veksten er oppveksten, og då treng ein næring gjennom omsorg, tryggleik, stabilitet og

Til slutt vil eg seie at dette er ein god proposisjon som inneheld viktige tiltak og lovendringar for eit betre barnevern, der ein styrkjer kompetansen i alle ledd i barnevernet, og ein fortset arbeidet med å styrkje kvaliteten gjennom ei kvalitetsreform. Presidenten er blitt gjort oppmerksom på at komiteen ved henvendelse til Stortingets kontor har bedt om at det blir gitt anledning til replikkordskifte etter hovedtalspersonene. Det er undersøkt i mellomtiden, og det er riktig. I og med at komiteen ikke har fått kontrabeskjed om det, vil presidenten foreslå at det gis anledning til replikkordskifte etter innlegg fra de enkelte

fosterforeldre – gjennom fleire kurs – førebur forsterforeldre så godt som råd er til å ta på seg den viktige og tidvis krevjande oppgåva det er å vere fosterforeldre. Eg snakka seinast i går med eit vennepar av meg i Telemark som går igjennom fleire kurs, og seier at det er utruleg bra. Der blir dei bevisstgjorde på den oppgåva dei skal ta, og me må styrke det arbeidet vidare. Først vil jeg rose representanten

unge som har store utfordringer, er det å få en tilrettelagt skolehverdag veldig viktig. Kunnskapsministeren har i Stortinget langt på vei innrømmet at man her har kommet til kort. Det er altfor mange barn i institusjon som ikke går på skole, og det er et stort problem med de såkalt skoleløse barnevernsbarna. Er representanten Vågslid fornøyd med at regjeringspartiene ikke går med på å støtte en handlingsplan for å sikre at barn under barnevernets omsorg også har rett til tilrettelagt opplæring? Eg er heilt einig med representanten Hofstad Helleland i at skule og utdanning for barn i barnevernet er kjempeviktig. Derfor seier ein òg i proposisjonen at ein skal utvikle og skulen, at ein skal utvikle nye kommunikasjonsstrategiar for barnevernet og utvikle betre rettleiingsmateriell. Me veit at dei ungane som er i barnevernet si omsorg, har spesielle utfordringar. Derfor vil me òg bidra til at barn i barnevernet får tilpassa opplæring eller spesialundervisning dersom det er behov for det.

skolering og opplæring i forbindelse med tilsyn. Det gjelder engasjering av tillitspersoner. Det gjelder oppfølging av biologiske foreldre. Det gjelder tydeliggjøring av ansvaret for unger etter omsorgsovertakelse osv. Så kommunene får flere oppgaver knyttet til de sakene de allerede har, samtidig som vi ser at vi står midt oppe i en enorm vekst i antall saker. Hva er regjeringspartienes svar på de store utfordringene som barnevernet nå står foran? Det er, som eg nemnde i innlegget mitt, å fortsetje barnevernsløftet. Representanten Håbrekke har heilt rett i at det framleis er Gjennom barnevernsløftet og gjennom å ha hatt meir fokus på barnevernet dei siste åra ser me at talet på meldingar til barnevernet aukar. Det betyr òg at det blir fleire oppgåver, som representanten seier, både for det kommunale og for det statlege barnevernet. Derfor betyr det at ressursløftet, som er ein del av At kommunane får fleire oppgåver, meiner eg er bra, for det er – kanskje med eit litt forslite uttrykk – i kommunane folk bur, og me har faktisk styrkt det kommunale barnevernet ganske kraftig dei siste åra og fått til over 850 nye stillingar i det kommunale barnevernet. Me har øremerka

krise. I gjentatte debatter har opposisjonen etterlyst handling og tiltak. Ja, barnevernet har kommet styrket ut i de siste budsjettene, den rosen skal regjeringen ha, men det har kommet få konkrete forslag som også må til for å styrke barnevernet. Det var store forventinger da denne saken ble lagt fram, og på mange punkter har statsråden innfridd. Det er blitt gjort et grundig arbeid med gode rapporter, og ikke minst er barnevernsbarna blitt hørt og tatt med på råd. Likevel må jeg si at vi skulle ønske at det hadde kommet flere konkrete forslag, da det her er mye som skal vurderes og utredes nærmere. Når det gjelder barnevern, snakker vi om barn som trenger hjelp – hjelp til en trygg og stabil hverdag som ofte har vært helt fraværende i barnets liv. Da er det staten skal gå inn og gi den tryggheten. Men klarer vi det? Nei, dessverre er det det som bekymrer meg mest når det gjelder barnevernet. Senest på fredag kunne vi lese om barn som var blitt misbrukt i fosterhjem, og en annen sak der veldig mange barn som har krav på tilsynsfører, ikke får det. Mange som ringer til oss stortingsrepresentanter, er ikke fortvilet over lovverket eller ønsker nye lover. De ønsker bare at de rettighetene og de lovene vi i dag har, blir fulgt opp. Det er her jeg mener vi har den største utfordringen: å gi de barna som trenger det, en bedre hverdag enn den de hadde før. Altfor ofte er det vi som svikter. Alle barn i Norge skal vernes mot omsorgssvikt og overgrep. Da må ikke staten drive omsorgssvikt i tillegg. Altfor mange er redd for barnevernet, og det er svært bekymringsfylt. Det er veldig mange der ute som jobber med barnevern, som gjør en kjempejobb – en jobb som er veldig krevende å Men det må komme klarere fram at barnevernet skal være der for å hjelpe. Barnevernet møter de mest sårbare barna og familiene, og barnevernet skal møte dem med omsorg og empati og anerkjenne disse barnas behov for trygghet og kjærlighet. Fremskrittspartiet er veldig glad for at barnas behov og medvirkning står så sterkt i lovproposisjonen og for at En av de største utfordringene etter reformen i 2004 har likevel vært samarbeidet mellom det statlige og det kommunale barnevernet. Alle rapporter viser at her er det store svakheter. Fremskrittspartiet mener at kommunene har en nøkkelrolle innen barnevern. Det er dette som er førstelinjetjenesten. Det er kommunene som er de første som ser disse barna. Forebygging og hjelp tidlig viser at en kan Jeg har spesielt lyst til å vise til at de kommunene som også satser på helsestasjoner og helsesøstre, bruker mindre på barnevern. Derfor er jeg også glad for at regjeringen har sett at det er viktig at helsestasjonene blir styrket i kommunene. Tidlig hjelp er nøkkelen. På kort tid er det ikke lett å komme inn på alle de viktige punktene i denne saken. Jeg vil likevel komme inn på et par punkter som Fremskrittspartiet er uenig med regjeringen i. Det Det biologiske prinsipp vil alltid stå sterkt hos Fremskrittspartiet. Vi er bekymret for at en vurderer å endre dette og mener at man kan gjøre to ting på en gang. Det er mulig å kunne ivareta barns rettsikkerhet uten å lempe på det biologiske prinsipp. I den biologiske nærheten til barnet finnes ofte en oppegående far, det finnes slekt, tanter og onkler og ikke minst besteforeldre. Besteforeldre, som ofte har vært den tryggheten som disse barna har hatt hele veien, mister mange ganger kontakten med barnebarnet når foreldrene ikke strekker til. Nedbyggingen av institusjonsplasser har gått for langt. Det er vel og bra med fosterhjem, men som alle oss her i denne sal er også alle barn forskjellige med ulike og sammensatte behov. Derfor er det viktig å legge politiske motiver til side og ha et mangfold i hjelpetiltak til de barna og ungdommene som trenger det. Fylkesnemndene er også en viktig sak for Fremskrittspartiet. For å sikre rettsikkerheten til barna ønsker Fremskrittspartiet å legge disse inn under domstolene. Vi er svært bekymret over den lange ventetiden vi har i dag, og over om rettssikkerheten blir ivaretatt. Til slutt et lite hjertesukk om tillitsperson: Jeg håper det ikke bare blir et fint ord, men at de barna som trenger det, får den tillitspersonen.

forsvarlig. Det er ikke noe nytt i at barnevernet skal yte forsvarlige tjenester, men det er viktig for flertallet å forsikre at kravet om forsvarlige tjenester blir både tydeliggjort og forstått. Flertallet er bevisst på at en forsvarlighetsgrad vil være en rettslig standard som innebærer at innholdet i kravet vil endre seg over tid, i takt med bl.a. utvikling av fagkunnskap og kompetanse på barnevernsområdet. Det er derfor vanskelig å forstå logikken i argumentasjonen for hvorfor Fremskrittspartiet ikke ønsker forsvarlighetskrav og attpåtil presiserer at det vil være overflødig. Mitt spørsmål til representanten Horne blir derfor: På hvilken måte kan krav til forsvarlighet for våre mest utsatte, nemlig barna, noen gang blir overflødig? Jeg takker for
La det være helt klart at barnevernet allerede i dag har en forsvarlighetslov, og det er veldig viktig. Men det betyr veldig lite og derfor har Fremskrittspartiet ikke vært inne på akkurat den merknaden. Flere av dem som var på høringen i komiteen, etterlyste at regjeringen hadde gått lenger med tanke på forsvarlighetsloven. Alle – til og med barneombudet – ønsket en rettighetsfesting av barnevernet.

I forrige uke behandlet vi barneloven her i salen, hvor Fremskrittspartiet som eneste parti ikke var med i merknad om at regelverket bør legges opp slik at en så langt som mulig opererer på den sikre siden på vegne av barnet. I dagens innstilling er det kun Fremskrittspartiet som ikke støtter forslaget om at barnets beste skal baseres på et nytt prinsipp om utviklingsstøttende tilknytning. Likeledes mener Fremskrittspartiet at adopsjon ikke bør brukes som barnevernstiltak i større grad enn i dag,

For Fremskrittspartiet er det viktig at barns rettssikkerhet blir ivaretatt, og det er barns rettigheter vi alltid skal sikre. Barnets beste må og skal komme først. I saken som representanten viser til fra forrige uke, ønsket Fremskrittspartiet å ivareta barna, men vi ønsker å ha en dom, og at det ikke skal bli brukt mot den enkelte forelder i en samlivskonflikt. Men la det være helt klart: Fremskrittspartiet ønsker å sikre barna. Så er det biologiske prinsipp også veldig viktig for Fremskrittspartiet, men som jeg sa i innlegget mitt, det trenger ikke komme i konflikt med barnets beste. Når det gjelder barn som er utsatt for vold og overgrep, skal selvfølgelig staten gripe inn. Men likevel vet vi at det ofte kan være en oppegående far, oppegående besteforeldre og slekt også innenfor det biologiske prinsippet. Når det gjelder å åpne opp for mer bruk av adopsjon, er Fremskrittspartiet

Jeg har også lyst til å gi ros til saksordføreren som har gjort en god jobb under behandlingen i Stortinget. På kvinnedagen i år fikk jeg besøke Julie, en flott og ressurssterk jente på 19 år. Hun bor ikke hjemme. De siste to årene har barnevernet flyttet rundt på Julie – ikke én gang, ikke to ganger, hun har flyttet fem ganger på to år. Flytting betyr gjerne skifte av skole, skifte av venner og skifte av omsorgspersoner. Julie har fått ny kontaktperson – eller saksbehandler som det heter – hele 24 ganger under barnevernets omsorg. Nå bor hun i en koselig enebolig sammen med fire andre jenter og Gunn Marit, som er den som tar vare på henne og de andre jentene. Gunn Marit og de andre ansatte har medleverturnus – det er samme person som er der når de legger seg om kvelden og når de våkner opp om morgenen igjen. Det synes Julie og de andre jentene er trygt og godt, og det er en av årsakene til at de trives veldig bra på den institusjonen og at det har blitt et hjem for dem – som de sier: Her er det voksne som bryr seg om oss. sier: Her er det voksne som bryr seg om oss. Dette er en privat barnevernsinstitusjon, og de har fått signaler fra regjeringen om at Bufetat skal nedprioritere private barnevernstiltak, slik som der Julie nå bor, ikke fordi de er dårlige, ikke fordi de er dyre, men fordi de er private, og det liker ikke dagens har fått beskjed om at hun sannsynligvis må flytte både fra hjemmet sitt, fra lokalmiljøet sitt og fra skolen sin når det blir en ledig plass på en statlig institusjon på Vestlandet. Dessverre svarer ikke denne proposisjonen godt nok på bl.a. de konkrete utfordringene til barnevernet. Tiltakene er

samtykker. Den grundige evalueringen av forvaltningsreformen viser at det er forskjeller i de ulike regionene som gjør at barn ikke får et likeverdig tilbud i hele landet. Det er fortsatt store samarbeidsproblemer mellom stat og kommune, det er utfordringer knyttet til dårlig økonomisk styring og kontroll, og det har dessverre vært en klar vridning av tiltaksbruk fra institusjon til økt bruk av fosterhjem. Både Helsetilsynet og Riksrevisjonen har avdekket grov svikt i tilsyn og ansvar som kommunene har. Når vi vet alt dette, synes Høyre det er påfallende at regjeringen fortsatt vil videreføre hovedlinjene i dagens ansvarsfordeling mellom stat og kommunene. Også fagmiljøer og brukerorganisasjoner etterlyser mer helhetlige og gjennomgripende endringer. Høyre vil gi kommunene et helhetlig, faglig og økonomisk barnevern. Men da forutsetter vi også at kommunene må ha nødvendig kompetanse, levere barnevernstilbud av høy kvalitet, og at man ikke kan fortsette å levere tjenester når man i dag har så sårbare barnevernstilbud som mange kommuner dessverre har. Barna er det mest verdifulle vi har. Derfor: en stor takk til alle fosterforeldre og barnevernsarbeidere, som gjør en utrolig god innsats for de aller mest sårbare og utsatte av oss. Høyre er opptatt av at vi må tette de store hullene i sikkerhetsnettet, som gjør at vi ikke får fanget opp alle de barna som trenger hjelpen vår aller mest. Da har datasystemet oppdaget at det er replikker under debatten. mest. Da har datasystemet oppdaget at det er replikker under debatten. Det blir replikkordskifte. Jeg registrerer at Høyre har sitt faste mantra om privatisering av barnevernsinstitusjonene. Jeg synes jo det er litt underlig, siden vi vet at ca. halvparten av alle

Så kom det offentlige inn etter hvert, og tok over mye av tilbudet til den gruppen vi snakker om nå. For Høyre er det helt avgjørende at vi har gode godkjenningsordninger, som er tilstrekkelige, og som sikrer at vi har god nok kvalitet. Når det gjelder særlig det offentlige, har man i dag ikke det strenge kontrollregimet som man har for de private institusjonene. Sånn bør det fortsatt være. Det er derfor Høyre også ønsker en kvalitetsportal hvor de ulike barnevernstjenestene er ført opp, og Høyre etterlyser fortsatt bedre tilsyn. Det at så mange barn ikke har tilsyn i dag Høyre ønsker jo å overlate mye mer av barnevernet til kommunene, og at det er

Men egentlig skulle spørsmålet mitt dreie seg om noe annet. Vi hører jo ofte fra opposisjonen at det tar så lang tid før noe skjer. I dag innledet Hofstad Helleland sitt innlegg med å si at vi endelig fikk denne proposisjonen. Mitt spørsmål er: Mener representanten Hofstad Helleland at det har vært viktig med de offentlige utredningene, f.eks. Raundalen-utvalget, barnevernspanelet osv., som ligger til grunn? Ja, jeg er glad for at det er gjort et godt utredningsarbeid. På barnevernsområdet har det åpenbart vært tiltak man kunne ha iverksatt før alle disse evalueringene var på plass. De rød-grønne har sittet i regjering i åtte år. Det er ganske lang tid for et lite barn som ikke får den hjelpen det trenger. For 800 barn som ikke har tilsyn, og for alle dem 800 barn som ikke har tilsyn, og for alle dem som står i institusjonskø eller i kø for å få fosterfamilier, er åtte år et helt liv. Det er derfor Høyre har etterlyst en mer offensiv satsing. På barnas vegne er det også vår jobb som opposisjonsparti i Stortinget å sørge for at barnevernsarbeidet blir prioritert fra regjeringens side. Det har bekymret oss at det har vært fem statsråder på sju år, og at det har vært lite kontinuitet og offensivitet på dette feltet. Vedtatt befolkningsgrunnlag i Oslo er på 600 000 innbyggere, og det er

da vil få et dårligere tilbud? Representanten Grøtting kjenner jo svært godt til hvor sårbar en liten kommune kan være når det gjelder å tilby gode og robuste barnevernstjenester. Representanten har

kvalitet til ungene. Det er det Høyre er opptatt av. I Trondheim innførte man en forsøksordning med å overlate barnevernet til Trondheim kommune. Det viste seg at de klarte å levere mye bedre tjenester – det var veldig vellykket. Dessverre har de rød-grønne avlyst prosjektet. Presidenten vil minne om at taletiden faktisk er en maksimumstid, og ikke en minimumstid. Replikkordskiftet er omme. Hvordan vi behandler barna er helt avgjørende for hvilket samfunn vi

De fleste ønsker det beste for sine barn. For enkelte er det vanskelig å vite hva som er det beste, for andre er det vanskelig faktisk å gjøre det de egentlig vet er det beste for barna – og det finnes dessverre noen få som ikke vil det beste for sine barn. For disse familiene, men selvfølgelig først og fremst for barna, trengs et godt, robust og tilstedeværende barnevern. Særlig for disse er det viktig med et samfunn der grunntenkninga er basert på prinsippet om barnets beste, og hvor ulike instanser tar dette på alvor, samarbeider og melder fra ved bekymring – det være seg helsestasjon, barnehage eller skole. Det er vesentlig at barnevernet kommer tidlig nok inn og gir den nødvendige hjelpen – om det er for å gi støtte, kurs og veiledning til de foreldrene som trenger hjelp, noe som omfatter de hyppigst brukte tiltakene i barnevernet, eller om det gjelder mer omfattende tiltak eller inngrep. Det er bekymringsfullt når barn med erfaring fra barnevernet sier at barnevernet burde gripe inn oftere og tidligere. På den annen side kan vi være fornøyd med at dette faktisk blir sagt, at det ikke blir en skjult sannhet, og at regjeringa har lyttet til dem med mest kjennskap til problematikken – i tillegg til bl.a. ekspertutvalg og forskningsrapporter. Som representanten Vågslid sa: En trenger ikke være dårlig for å bli bedre. Høsten 2010 startet daværende barneminister Audun Lysbakken en grundig gjennomgang av hele barnevernet for å se hvordan de mest utsatte barna i samfunnet ble tatt vare på, kalt barnevernsløftet. Dette har ført til den største satsinga i barnevernet på 20 år, som betyr bedre beskyttelse av barn gjennom flere ressurser og ny organisering. Som andre har sagt, har det blir opprettet om lag 850 nye stillinger og bevilget mer enn 108 mill. kr til kompetansehevende tiltak. Den videre oppfølginga i lovendringene styrker barnas posisjon. Barnets beste skal være det overordnede prinsippet for barnevernet. Barn skal høres og i større grad medvirke i saker som gjelder dem. Barnets beste skal baseres på fire faglige prinsipper, og jeg er glad for at ett av de nye er barnets medvirkning. Det betyr at barnets mening skal tillegges vekt i samsvar med barnets alder og modenhet. Som vi hørte fra høringa, handler det om å stille de gode spørsmålene, sørge for at barnet er informert, og at det føler at det blir lyttet til. Medvirkning frigjør ikke de et barn ut av familien, og utgangspunktet er og blir at barn skal vokse opp hos sine biologiske foreldre. Men dersom barnet er i en omsorgssituasjon som ikke er til barnets beste, skal barnevernet gripe inn. Prinsippet om det mildeste effektive inngrepet er viktig, men noen ganger er dette nettopp å flytte barnet ut av familien. For å styrke prinsippet om barnets beste innføres nå prinsippet om tilknytnings- og relasjonskvalitet. Jeg mener det er viktig at det biologiske prinsipp ikke skal gå foran barnets behov for trygge og utviklingsstøttende oppvekstvilkår. oppvekstvilkår. En for stor vekting av det biologiske prinsipp kan føre til at barn vokser opp under ugunstige omsorgsbetingelser dersom relasjonene mellom barnet og omsorgspersonene er svake og tilknytningen er svak. Prinsippet om tilknytnings- og relasjonskvalitet må ha like sterk relevans etter omsorgsovertakelse som før omsorgsovertakelse. Det er tross alt særdeles viktig at man opprettholder det ansvaret som samfunnet har overtatt fra familien. Vi har parallelt til behandling nå et forslag om full fosterhjemsdekning, og jeg er glad for at departementet og direktoratet har gitt arbeidet med å rekruttere nok fosterhjem høy prioritet. Det er viktig at det jobbes kontinuerlig og godt for å sørge for rekruttering samt for å beholde de gode fosterhjemmene vi har, gjennom bl.a. opplæring, oppfølging og veiledning. Så skal jeg ikke legge skjul på at SV har et ønske om å rettighetsfeste barnevernsloven. Det vesentlige må uansett være at den hjelpen som gis, fungerer godt, og at loven inneholder bestemmelser som pålegger det offentlige et ansvar for å sikre at barn får den hjelp de har krav på. Barnevernsløftet har vært med på å snu en negativ trend som har vart i mange år. Jeg er glad for at vi i dag behandler en så god oppfølging av dette løftet, med forslag som bidrar til å skape et enda bedre barnevern, med bedre kvalitet, høyere kompetanse og en anerkjennelse av barns behov for trygghet og kjærlighet. Med endringene som nå blir gjort, skal flere barn få riktig hjelp til rett tid. Det blir replikkordskifte. I dag har alle barn som er i fosterhjem eller i institusjon, rett til tilsynsfører

Representanten var i sitt innlegg inne på et forslag som ligger i saken – dette med en tillitsperson. Fremskrittspartiet er veldig glad for at barnevernsbarna nå blir hørt når det gjelder å få en tillitsperson. Mitt spørsmål til representanten blir: Hvordan kan regjeringen sikre at dette med en tillitsperson ikke bare blir en fin lovnad, som veldig mange barn kommer til å se fram til å få, men en realitet?

Det er barnevernsbarna selv som har bedt om denne nye tillitspersonen som nå foreslås oppnevnt. Det kan være personer som allerede har en tilknytning til barnet, en som de kjenner godt fra før, og som de stoler på. Så må det selvfølgelig følges nøye med på at dette gjennomføres på en god måte. Fylkesmennene har et ansvar for å sørge for at barnevernsbarna får den hjelpen de har krav på og rett

tidligere partileder i SV Kristin Halvorsen i 2005 at dette skulle man få på plass innen to år, og hvis ikke er man «kvitt meg», som det ble sagt. Nå, seks år etterpå, vet vi veldig godt at det var en sannhet med visse modifikasjoner, men det var i hvert fall etablert betydelig politisk prestisje og kraft og betydelige ressurser for å nå målet om full barnehagedekning. Nå er vi kommet dit hen at alle barn i Norge i stor grad har barnehageplass. Men saken i dag viser at alle barn i Norge barnehageplass. Men saken i dag viser at alle barn i Norge har ikke et hjem: de som står i kø for å få et fosterhjem. Er det ikke et paradoks at SV ikke klarer å etablere tilsvarende politisk kraft bak målet om å sikre alle barn et hjem? Jeg var i mitt innlegg også innom dette med at vi må sikre full fosterhjemsdekning. Det er selvfølgelig et prioritert mål for SV. Det er ikke like enkelt å vedta full fosterhjemsdekning som det er å vedta full barnehagedekning. Barnehageplasser har man større forutsetninger for å vite antallet av, ut fra hvor mange barn som faktisk finnes. Heldigvis er det et fåtall som trenger omsorgsplassering utenfor hjemmet. Men det er viktig at man har en kontinuerlig, sterk fokusering på det. I denne proposisjonen foreslås det mange gode tiltak for å øke rekrutteringa av fosterhjem. Representanten Vågslid var i sitt innlegg også innom hvor viktig det er med kursing og oppfølging, og så må man ha gode rutiner, slik at man vet hva barna trenger, og man må gi god informasjon til dem som skal bli et fosterhjem. Og man må følge dem opp underveis, slik at det er færre som gir opp den jobben det er å være

om mye – f.eks. er jeg veldig glad for den jobben som SV har gjort knyttet til barns rettsvern med hensyn til å bedre rettssikkerheten til barna i barnevernet. Vi hører jo om mange barn som ikke har noen å henvende seg til, fordi de f.eks. ikke har tilsyn når de bor i fosterhjem. De har ikke noe nettverk, de har ingen til å hjelpe seg hvis de står i en situasjon der de er utsatt for omsorgssvikt fra sine nye fosterforeldre. Hvorfor er da SV imot en lavterskel klageordning som gjør at barn faktisk har et sted å henvende seg for å få hjelp, hvis en alvorlig situasjon oppstår? Nå regner jeg med at representanten Hofstad Helleland viser til forslaget fra bl.a. Høyre om et klageorgan, som ligger i innstillingen per i dag. dag. Vi har ikke gått inn for å støtte det nå, men vi ser jo at det er en god intensjon bak. Det må være mulig for alle å påklage vedtakene. Nå skal alle barn få sin egen støtteperson som de har tillit til, og som forhåpentligvis kan bidra til å gi veiledning og hjelp når det er behov for det. Alle har også rett til å påklage de vedtak som gjøres, gjennom bl.a. Fylkesmannen. Så må vi selvfølgelig hele veien kontinuerlig følge med på at barn får det de har krav på, og at de har muligheten til å si fra og få hjelp og støtte hvis de mener at de ikke får det de har krav på. Replikkordskiftet er dermed omme. Dette er en av de aller viktigste lovene vi behandler i denne stortingsperioden. Den er til for

barnevern. Det er gjort en god og grundig jobb i forkant av denne lovendringen. Det har vært et eget ekspertutvalg i aksjon og et barnevernspanel som har gitt gode tilrådinger. Det er også viktig at barnevernsbarnas egen stemme er hørt i denne saken. Det har i de siste årene vært en sterk økning i antallet saker i barnevernet. Det er også slik at det er langt flere alvorlige tilfeller av omsorgssvikt og overgrep enn det de fleste av oss kan tenke oss, og det er nok fortsatt store mørketall til økning i antall saker. Barnevernet har gjennom mange år stort sett vært den store stygge ulven som tar ungene fra hjelpeløse foreldre. Flere større og alvorlige saker de siste årene har vist et annet bilde. Dette har heldigvis i stor grad snudd, og det synes som om folk forstår barnevernets viktige rolle. Den digitale tidsalderen har også nådd barnevernssakene – heldigvis i mange tilfeller, for i dag legger ofte overgriperne igjen så mange spor, både med SMS-er og bilder, at det ikke er mulig å bortforklare påstander om overgrep med at barn har livlig fantasi. Det gjør også at en får mer kunnskap om hva som faktisk kan skje, og det kan gi større kunnskap om hva en skal se etter for å oppdage tegn på overgrep. Det er viktig for Senterpartiet og for de andre rød-grønne partiene å satse på barnevernet, for en god barndom varer ikke bare livet ut, den varer også i generasjoner. Det er også viktig å huske på at det motsatte er tilfellet – en dårlig barndom kan også gå i arv. Kan vi hjelpe et barn i dag, gir vi dette barnet en trygghet, men kanskje hjelper vi også barna og barnebarna til Derfor har vi barnevernsløftet, og siden 2010 har vi fått 850 nye stillinger i barnevernet. Barnevernet må jobbe kunnskapsbasert, og derfor har vi også bevilget 108 mill. kr til kompetansehevende tiltak. Senterpartiet er opptatt av det forebyggende arbeidet. Vi mener at en styrking av familievernet er viktig for å avhjelpe noe av behovet for

– ikke minst er kontinuitet blant de ansatte veldig viktig for å kunne gi god omsorg. Det er en modernisering av barnevernsloven vi vedtar her i dag, og vi innfører viktige nye prinsipper. Prinsippet om barnets beste er det mest overordnede, og det var også gjennomgående i de endringene vi gjorde i barneloven sist torsdag. Det er også viktig for oss å gi barna som barnevernstjenesten har overtatt omsorgen for, en egen tillitsperson som kan gi ekstra trygghet og støtte og større mulighet for at ungene kan gi uttrykk for hva de selv vil. Jeg må til slutt komme inn på de fire viktige faglige prinsippene som barnets beste skal baseres på, der to av dem er nye. Mange er nå redde for at det biologiske prinsippet blir overkjørt av det nye tilknytningsprinsippet. Det er ikke riktig, det er heller ikke mulig å komme utenom at av og til er hjemmet det farligste stedet å være for et barn. I de tilfellene der barnets foresatte er overgriperne, må disse barna så snart som mulig hjelpes vekk fra dette. Det at det biologiske prinsipp sammen med det mildeste effektive prinsipp nesten har vært den eneste måten å tenke på for dem som jobber med barn, kan ha ført til at noen overgrep ikke blir oppdaget. Disse to prinsippene skal fortsatt være viktige, men ikke overordnet andre. Derfor er det viktig at det nå løftes fram flere faglige prinsipper som er viktige for barnets beste. Det er slik at det er barn der ute som roper på hjelp, men de roper bare inni seg. Derfor trenger vi prinsipper som gjør at de som jobber med unger, klarer å oppdage disse ropene om hjelp. Barnets beste må alltid
det blir gitt anledning til replikkordskifte begrenset til tre replikker

noe med. Representanten har før hun ble stortingsrepresentant vært ordfører. Hun har hatt en ledende stilling i barnevernet i en kommune og sett hvor viktig det er å satse på kommunalt barnevern. Mitt spørsmål til representanten er: Hva mener Senterpartiet er det viktigste man kan gjøre for å forebygge omsorgsovertakelse i kommunene?

det sidestilles med de andre prinsippene. Det er et viktig prinsipp sammen med prinsippet om at en skal hjelpe på det lavest mulige nivå. Så jeg mener at en fortsatt bare skal styrke barnevernet, og at en skal jobbe mot familiene i de aller fleste tilfellene. Da er forebygging gjennom familievern et veldig viktig forebyggende tiltak.

faktisk kjenner problemene på kroppen, eller i dette tilfellet ser ungene i øynene, er de beste til å ta kloke avgjørelser for framtida. Hvorfor har ikke Senterpartiet lenger troen på at det kommunale barnevernet er det beste leddet til å ha mest makt? Hvorfor tror de ikke lenger at det er lokalt man har mest kunnskap om framtida? Hvorfor tror man ikke at den 19-åringen som Høyre dro fram som eksempel, kunne ha fått et bedre tilbud hvis avgjørelsene hadde blitt tatt lokalt? Hvorfor har Senterpartiet mistet troen på lokale avgjørelser?

Bergen og Trondheim. Det er kanskje de tre som ville klare det i Norge, for alle de andre er for små. Da gikk også mitt spørsmål på at det er ikke bare de små kommunene, men de mellomstore og faktisk også noen av de større byene som ville slite med det, og så ville de små, de mellomstore, de litt sånn halvstore og de litt større få et dårligere tilbud, fordi det statlige nivået da vil bli mye dårligere.

så vær så god.

Barnevernet står overfor store utfordringer. I proposisjonen vises det til en vekst i antall barn med tiltak på 77 pst. i løpet av de siste 15 år. Budskap nr. 1: Vi kan ikke, sånn som regjeringen gjør, foreta en gjennomgang av barnevernet uten å ta høyde for at denne veksten faktisk fortsetter. Budskap nr. 2: Vi kan ikke foreta en gjennomgang av barnevernet uten å diskutere de grunnleggende årsakene til veksten. Én ting hadde vært om vi kunne ta som utgangspunkt at barnevernet i dag har gode tiltak og gir god omsorg til de om lag 40 000 barna barnevernet i dag gir tilbud til, og så diskutere hvordan vi håndterer veksten på det grunnlaget. Men vi må diskutere veksten i en situasjon der barnevernet har fundamentale mangler i tilbudet det gir også til dem som allerede er der. Det er kjernen i barnevernets utfordring. Det er en kapasitetsutfordring – ja. Men det er også en utfordring til prioritering og innretning av hele tjenesten for å se om den svarer på de store utfordringene den står overfor. Mitt fremste ankepunkt mot dokumentet regjeringen har lagt fram, er derfor: Det svarer ikke på hovedutfordringene som barnevernet står overfor. Det er mange gode grep som varsles i dokumentet, og grepene vil heve kvaliteten i barnevernet. Jeg vil også gi ros til statsråden for å ha satt fokus på og styrket rammeverket omkring barns medvirkning. Men de store spørsmålene blir stående ubesvart. Vi opplever alle å høre og lese historier om barnevernsbarn som flytter og flytter. Det mangler statistikk på området, og det er alvorlig. Vi vet faktisk ikke om disse flyttingene er regelen eller unntaket i barnevernet. Vi vet ikke om

Med mindre vi vet hva som er status for omfanget av flytting av barn i barnevernets omsorg, må svaret fortsatt bli: Vi vet ikke om barnevernet tilbyr tilknytning. Kristelig Folkeparti har derfor fremmet forslag om en stabilitetsreform i barnevernet. Jeg skal ikke gå inn på detaljene i forslaget her, men det er en reform som vil gå dypt inn i hele barnevernets virksomhet. Som det framgår av innstillingen, er det også på grunnlaget av en sånn stabilitetsreform at Kristelig Folkeparti har sluttet seg til Raundalen-utvalgets anbefaling om tilknytning som nytt prinsipp. Jeg må si at jeg er veldig glad for at et bredt flertall i komiteen «understreker at prinsippet om tilknytnings- og relasjonskvalitet må ha like sterk relevans etter omsorgsovertakelse som før omsorgsovertakelse. Det innebærer en forpliktelse til å sørge for at barnet opplever stabilitet, trygghet og tilknytning etter omsorgsovertakelse.» Så har Kristelig Folkeparti foreslått en handlingsplan for full fosterhjemsdekning. Hvorfor er det sånn at vi kan sette tidsfrister for full sykehjemsdekning, for full barnehagedekning, men ikke for at alle barn skal få et hjem? I oppsummeringsrapporten i departementets evalueringsprosjekt skriver Rambøll følgende: «I en situasjon med kontinuerlig aktivitets- og kostnadsutvikling, med et statlig tiltaksapparat som ikke dekker behovene, og med et vanskelig samarbeid mellom kommunalt og statlig barnevern, vurderer Rambøll at det er behov for en bred prinsipiell debatt om barnevernet.» Det er tre år siden dette dokumentet var Det er gjennomført et enormt arbeid med evalueringen og gjennomgang av barnevernet. Jeg må si at jeg føler det litt sånn at bilen er levert inn på verksted fordi motoren fusker, jeg har fått den tilbake nylakkert, det er fylt på spylevæske, det er skiftet olje, og det er etterfylt bremsevæske, men motoren fusker fortsatt. Jeg er glad for at det er enighet om de gode lovendringene som her er foreslått. Men de store spørsmålene som står overfor, og som barnevernet som tjeneste står overfor, står ubesvart i proposisjonen. Presidenten antar at representanten skal ta opp forslag. Jeg skal ta opp det forslaget som Kristelig Folkeparti står bak i Innst. 395 L. Representanten Øyvind Håbrekke har da tatt opp det forslaget han refererte til. Det blir replikkordskifte. Eg er, som representanten

og dermed for å få til betre tiltak. I tillegg seier me i proposisjonen at me vil styrkje utgreiingskompetansen i barnevernet for å gje meir treffsikre tiltak. Riktig plassering vil kunne gje betre stabilitet. Eg meiner òg at dei overordna nye prinsippa vil styrkje moglegheita for å kome inn tidlegare med rett tiltak. Dette er konkrete forslag og eg lurar på om representanten er einig med meg i at desse konkrete tiltaka og forslaga har vore viktige og er viktige for å bidra til meir stabilitet for barna i barnevernet. Jeg er enig i at de tiltakene vil ha en indirekte effekt i form av økt stabilitet og bedre oppfølging rundt fosterfamilier, fosterhjem og og på mange måter kan bidra til å forebygge flytting. Men det er ingen helhetlig tanke om hvordan man går gjennom hele kjeden for å styrke stabiliteten, i det dokumentet som er presentert. Jeg nevner også, som jeg tok opp med representanten Vågslid tidligere i debatten, at kommunene her får veldig mange nye oppgaver uten at det foreligger noen opptrappingsplan, eller at man varsler noe videre løft for det kommunale barnevernet. Så det er mange spørsmål som står ubesvart, hvorvidt fosterforeldrene faktisk får bedre oppfølging etter det dokumentet. Ikke minst er vi nødt til å gå inn i kriteriene for hvordan barnevernet faktisk vurderer når man vurderer å foreta nye flyttinger, fra et fosterhjem til et annet f.eks., og ikke minst institusjonenes plass i omsorgen. Så her er det mange store hull i dokumentet. Det står jeg ved.

Så her er det mange store hull i dokumentet. Det står jeg ved. Replikkordskiftet er avsluttet. Endelig har vi fått en ordentlig sak om barnevernet. Jeg må bare si at departementet har gjort et grundig forarbeid, både gjennom ekspertutvalg, gjennom Barnevernpanelet, gjennom mange forskningsrapporter og gjennom å ha engasjert masse brukerorganisasjoner – ja også gjennom å ha hatt fem statsråder som har jobbet seg gjennom dette, som da vel ikke alltid betyr at man prioriterer dette departementet øverst når man skal fordele jobber, bare for å få kommentert det i dag også. Så kom barnevernsløftet. Det er veldig mange skritt i riktig retning, men jeg vil ikke kalle det et løft. Jeg har lyst til å bruke litt andre bilder enn Det er ikke en skikkelig stor bamseklem engang, det er noe mellom en nattaklem og et slengkyss. Men det er i riktig retning, og det er barna som er i sentrum. Det foreslås faktisk masse viktige forbedringer, og regjeringa skal ha ros for å styrke det kommunale barnevernet. Men å kalle det et ressursløft og en nyorganisering syns jeg nok at det er litt for puslete til. Det har vært mange varsko fra barnevernet. Vi har eksempler på fylkesmenn som anmelder barnevernet, i fire kommuner, fordi en har henlagt 150 saker ulovlig de siste åra. Det er en ganske alvorlig overtredelse av de lover og regler vi har. Å styrke barns posisjon og rettigheter er et skritt i riktig retning, men i virkeligheten

For det første ønsker vi å overføre oppgaver fra Barne-, ungdoms- og familieetatens regionskontor til de kommunale barnevernstjenestene. Det er helt klart at vi trenger å overføre kompetanse og myndighet til de kommunale barnevernstjenestene. Det er et stort antall høringsinstanser som mener at kommunene må få et betydelig større barnevernsansvar. Likevel tar en ikke skrittet fullt ut, og det syns jeg er trist. For det andre mener vi at barnevernsutdannelsene må styrkes. Det er veldig stor variasjon mellom de ulike barnevernsutdannelsene, og det er også noen av studentene som har tatt opp at de ikke føler seg godt nok forberedt til den hverdagen de skal ut i. Barnevernsutdanninga har det ikke vært satset på, på tross av det kompetansebehovet vi ser ute i barnevernet. Vi har fremmet en rekke forslag om det i salen, og vi gjør det også i dag. For det tredje trengs det også andre fagpersoner inn i barnevernet. Vi trenger både jurister og psykologer inn i det kommunale barnevernet, og det bør det legges til rette for gjennom lønnsmessige grep. Etter- og videreutdanninga må også styrkes, og man skulle hatt en kompetansepott for å få den styrket. For det

Vårt forslag i fjor om å overføre oppgaver fra Barne-, ungdoms- og familieetatens regionskontor til den kommunale barnevernstjenesten hadde vært et viktig grep for å få gjennomført en sånn type overføring av kompetanse. Vi har fått signaler om fagflukt fra den kommunale til den statlige barnevernstjenesten. Det er åpenbart at den høyeste kompetansen egentlig burde ligge i førstelinjetjenesten, for det er der For det femte mener Venstre at barnevernsloven burde være en rettighetslov. Jeg merket meg at SV også mente det her. Da hadde det vært interessant å høre hvorfor Arbeiderpartiet er imot, for det hadde vært et bra grep for barns rettigheter. Det sjette jeg har lyst til å nevne på mine siste elleve sekunder er at nå har regjeringa gått igjennom barnevernkonvensjonens tilleggsprotokoll og funnet ut at dette kan man bare gjennomføre. Jeg hadde håpet at det også kunne ha skjedd i dag. Da vil jeg avslutte med å ta opp forslagene fra Venstre. Representanten Trine Skei Grande har tatt opp de forslag hun refererte til. Det blir replikkordskifte. Eg har eit spørsmål til

for dei små og mellomstore kommunane i ein slik modell? Vi må ha samarbeid mellom kommunene hvis vi skal klare å bygge opp dette. Men jeg tror ikke at vi trenger en halv million mennesker for å kunne få til en sånn type samarbeid. Her er det snakk om å flytte en god del av makta som i dag ligger i Bufetat, nedover til kommunene. Det standpunktet som Venstre har, er i og for seg det samme standpunktet som en rekke av høringsinstansene har, og som en rekke faggruppene som jobber innenfor systemet, har. Problemet i dag er at vi har tappet førstelinjetjenesten for kompetanse, og vi har tappet den for avgjørelsesmakt. Vi ser at veldig mange unger blir kasteball i systemet og ikke får det faste punktet som det ville ha vært om den som ser deg i øynene, er den som faktisk skal bestemme hvor du skal

Men den viktigste jobben gjøres av barnevernsarbeidere, fosterforeldre og andre som gjør en forskjell for barn hver eneste dag. Det er det det handler om: å gjøre en forskjell for barn. Den siste tida har vi vært gjennom store endringer i norsk kultur når det gjelder synet på barn og på familien. Vi vet nå mye om konsekvensen av å vokse opp med vold, omsorgssvikt, seksuelle overgrep, forsømmelser – det ikke å få det barn har behov for, og særlig de første leveårene. Det er som det tidligere her ble sagt: En god barndom varer hele livet, ja ofte i generasjoner. Men det gjør også ofte en dårlig barndom. Før så vi på barn som familiens eiendom. Familien var faktisk hellig, og for noen er den det fortsatt. Man skulle ikke bry seg om det som foregikk innenfor hjemmets fire vegger. Barn skulle ses, men de skulle ikke høres, og de ble i hvert ikke sett på som sjølstendige og kompetente. Barnevernsbarna sjøl har også de siste åra tatt plass i offentligheten og gjort seg gjeldende. Gjennom deres og barnevernsarbeideres stemmer har debatten om barnevernet dreid seg fra ensidig fokus på at barnevernet gjør for mye og for kjapt, til en mer edruelig debatt om at det største problemet er at for få får hjelp, og at hjelpa ofte ikke kommer i tide. Det er bra, for det gjør at vi kommer i posisjon til å gjøre mer for barn som har vært forsømt i norsk historie. Regjeringa har nå jobbet lenge ut fra det vi har kalt for en halv milliard øremerkede barnevernskroner, 108 mill. kr som går til kompetansetiltak. I tillegg har vi nå lagt fram en rekke forslag som er kunnskapsbaserte. Gjennom grundig utredningsarbeid og innspill fra dem som er mest kompetente på feltet, inkludert barna sjøl, har vi kommet fram til en rekke forslag til endringer, litt på organisering, men også når det gjelder lovarbeidet og hva det er vi skal ta tak i videre framover, særlig for å følge opp det som er vår intensjon, nemlig at vi skal komme raskt inn og gi tidlig hjelp til barn som har behov for det, og gi bedre hjelp også til familiene, sånn at de kan fungere, de som har potensial til å ta seg av sine egne barn. Det er også et mål for oss. Hvorfor skal man høre på barna? Jo, fordi barna i barnevernet er hovedpersonene, fordi det handler om respekt, det handler om trygghet for dem, det handler om kvalitet, det handler om stabilitet, det handler om treffsikkerhet av det vi gjør, det handler om selvforståelse, selvfølelse for barn, innsikt i egen situasjonen, aksept for avgjørelser, bedre samarbeid, som igjen fører til bedre stabilitet og bedre kvalitet. I det hele tatt: Det er ingen gode grunner til ikke å lytte til barn. Vi må bli mye bedre til det.

stabilitet. Noe av det som er viktig for å få til bedre stabilitet, i tillegg til at barn må få medvirke, er at vi kommer inn raskere. Der kommer også de nye prinsippene inn, bl.a. det nye prinsippet om tilknytnings- og relasjonskvalitet. Hvis vi ikke klarer å gi raskere hjelp til barn, slik at de ikke er så skadet når vi først velger å plassere dem, etter å ha prøvd i mange år – ofte i visshet om at det vi setter inn av tiltak, dessverre ikke bygger opp under forandring – er det også vanskelig å tilby stabilitet til mange av de barna. Da vil de være ganske skadet når de først blir plassert i et hjem, noe som igjen vil prege deres opphold i fosterhjemmet eller på institusjonen, for den saks skyld. Det å komme inn tidlig med bistand til disse barna kan også bidra til større grad av trygghet og stabilitet. Vi legger også opp til bedre samarbeid – på tvers og på langs – og helhetlig innsats samarbeid – på tvers og på langs – og helhetlig innsats og samarbeid mellom ulike instanser, som er viktig for at barna skal få en bedre framtid. Det vil være helt avgjørende for oss å jobbe langs de linjene også i åra som kommer. Det blir replikkordskifte. Statsråden har et glødende engasjement for barn, men jeg lyst å ta opp et tema som ikke har blitt berørt i debatten her i dag, og som gjelder en gruppe som ofte blir glemt i stor grad. Jeg vil presisere at det ikke skal gå på bekostning av eller påvirke barns rettssikkerhet, men omsorgsovertagelse og andre tiltak kan oppleves som svært dramatisk, også for de voksne. Raundalen-utvalget og NOU-en er også inne på hvor viktig det er å ivareta foreldrene som mister barna sine. Målet er jo at de fleste av disse barna som blir tatt ut av hjemmene, skal tilbake igjen. Da er det viktig at foreldrene får hjelp til å bli bedre foreldre, og at de blir satt i stand til å kunne få barna sine hjem igjen. Regjeringen sier at den skal vurdere ulike modeller for å følge opp foreldrene bedre. Mitt spørsmål til statsråden blir: Hvorfor vil ikke statsråden støtte Fremskrittspartiets forslag om å lovfeste retten til en støtteperson for foreldre som mister omsorgen for barna

at vi må realitetsorientere noen av disse foreldrene, for noen av barna har blitt kasteballer mellom sin egen biologiske familie og et fosterhjem eller en institusjon – fram og tilbake – og man har ikke klart å gi det barnet den stabiliteten som bl.a. Kristelig Folkeparti og vi er opptatt av. Det er også en del av det arbeidet og den støtten, og jeg vil nok utfordre Fremskrittspartiet til å ta det mer inn over seg i det arbeidet de skal gjøre opp mot oss i regjeringen, når det gjelder barnevernet: Sørg for også å støtte opp om de barna som har behov for en varig plassering. Statsråden hadde et godt innlegg og pekte på mange viktige problemstillinger knyttet til hvordan barna dette dreier seg om, opplever systemet rundt seg. Statsråden snakket om viktigheten av å få hjelp og å få den i tide. Hun snakket om hva barna vil, og tanker rundt det. Hun påpekte også den viktigste jobben, nemlig de som er barna nærmest.

hennes. Spørsmålet er: Hva vil statsråden gjøre for å styrke kommunene i det arbeidet? Kunne hun tenke seg å vurdere en større ansvarsoverføring til kommunene? Jo, i det vi har lagt fram nå, presiserer vi også kommunenes ansvar på områder hvor de i dag ikke har tatt et ansvar, som de egentlig skulle tatt. Det dreier seg bl.a. om oppfølging av barn etter plassering. Det dreier seg også om å gjøre tilsynet mye bedre enn det er i dag – bl.a. gjøre det mer profesjonelt for å unngå noen av de forferdelige episodene vi har sett i media i det siste. Det dreier seg også om en rekke andre områder som jeg ikke har tid til å gå inn på i løpet av den korte tiden jeg har. Det vi ikke kan se, er at kommunene er i stand til å overta hele ansvaret for barnevernet. Det vil gi et dårligere tilbud til disse barna. Det krever spesialistkompetanse å drive barnevern. Det kan ikke sammenlignes med eldreomsorg eller skole. Dette er en

skrev akkurat dette i sin rapport til departementet, hvor man oppsummerte hele organiseringen og hvordan dette ser ut, og så pekte man på at vi trenger en prinsipiell debatt om barnevernet. Hvordan ser statsråden på den formidable utfordringen vi står overfor? La meg starte med å si at jeg er veldig glad for at vår kultur har forandret seg, slik jeg beskrev det i mitt innlegg. Nå bryr vi oss om barn som lider – også når de lider i familien. Vi vet nå at det å lide i familien er verre enn å lide på utsida av familien, for å si det slik. Det skader barna mer når de som skulle vært omsorgspersoner, ikke er det, og noen er til og med direkte farlige for barna. Det aller viktigste vi kan gjøre framover, er å la det fortsette: Vi må bry oss mer, vi må melde fra når vi er bekymret, og vi må sikre at barnevernet blir rustet – lokalt og sentralt – til å jobbe for disse barnas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

Vi har forskning som viser at så mange som 8 pst. av alle barn utsettes for grov vold fra én av eller begge foreldrene. Volden kan være fysisk eller psykisk. Det kan dreie seg om seksuelle overgrep, omsorgssvikt, at barn er vitne til vold i hjemmet, eller at de utsettes for bruk av fysisk og psykisk ydmykende straff i oppdragelsen. Hjemmet og familien er den arenaen Samtidig er hjemmet den plassen hvor vold mot barn foregår i det skjulte og over lang tid, uten at det oppdages. Spedbarn og små barn er mest utsatt. Barns mulighet for trygg utvikling, læring og god helse rammes hardt. For å innfri barns rett til en trygg oppvekst må vi fortsette å styrke innsatsen mot utsatte barn spesielt.

og det er viktig at politiet i sin statistikk innfører flere kategorier, sånn at man får et best mulig bilde av de ulike formene for vold mot barn. Vold mot barn skal registreres i en egen kategori i politiets eksisterende statistikk. I dag styrker vi barns medvirkning i alle saker som angår dem, gjennom at det innføres en overordnet bestemmelse i barnevernloven som understreker En sånn overordnet bestemmelse om medvirkning vil bidra til bevisstgjøring og reell styrking av barns deltakelse. «Barnets beste» er det overordnede prinsippet i barnevernloven og det grunnleggende prinsippet. Det er også viktig at barnets mening tillegges til dels stor vekt, avhengig av barnets alder og modenhet. Det er viktig for å styrke beskyttelsen av barn mot vold og overgrep, og for at man skal kunne foreta omsorgsovertakelse når det er til barnets beste.

000, som i dag. Jeg tror vi må være så ærlige å si at selv om vi i Kristelig Folkeparti hvert eneste år foreslår økte midler til barnevernet i våre alternative statsbudsjett, er det ingen partier som i sine alternative statsbudsjett har en politikk og et budsjettforslag som kan fange opp den enorme veksten er også vel kjent for dem som har fulgt med, at jeg og Kristelig Folkeparti i hele denne perioden har vært en sterk pådriver for å snakke om kapasitet, og for å snakke om full dekning i barnevernet. Det er ingen tvil om at den utviklingen vi nå ser, og den veksten vi har sett over disse årene, forteller oss at vi skal snakke om kapasitet, og at vi bør snakke om full dekning, men de utfordringene barnevernet står overfor, er også veldig mye mer enn et kapasitetsspørsmål. Ett av de svarene som kommer opp veldig raskt, er en bredere tilnærming, der vi ikke bare diskuterer barnevern, men ser utsatte barn og unges utfordringer i sammenheng, og ser de tjenestene de møter, i sammenheng. Det gjelder ikke minst familievernet, som igjen nevnes som en potensiell partner som skal få nye oppgaver fra barnevernet, selv om vi vet at det er inntaksstopp på enkelte av kontorene rundt omkring i landet fordi man sultefôres på ressurser. Det gjelder ikke minst psykisk helsevern, det gjelder Nav, det gjelder helsestasjoner osv. Det er mange tjenester som fanger opp utsatte barn og unge, og vi må se disse tilbudene i sammenheng. Det framgår også av proposisjonen at utfordringer knyttes til utrygge familieforhold, rus og psykiatri. Der ligger hoveddelen av utfordringene i barnevernet. Da må politikken også fange opp det, at det er her utfordringene er, at det er her vi kan sette inn forebyggende innsats. Det helhetsblikket trenger vi atskillig mye mer av. Vi trenger flere statsråder og flere komiteer som sammen diskuterer den

og det var svært mye av både vold og overgrep mot barn, men det ble aldri anmeldt;